at det er økende vekst i norsk økonomi. BNP-tallene viser at oljebremsen har nådd bunnen, og at det er vekst i fastlandsinvesteringene. Ledigheten er redusert i 14 fylker det siste året, og september ble fjerde måned på rad med nedgang i antall ledige. Målet er ikke nådd, det er fortsatt krevende tider, og det er fortsatt mange dyktige og hardtarbeidende folk som ser etter nye muligheter, men vi ser også en positiv utvikling og en større optimisme i privat sektor. Norge skal ikke være et land som handlekraftige gründere rømmer fra, men et land investorer og gründere flokker seg om. De som lykkes med å skape arbeidsplasser for folk flest, skal hylles og ikke rakkes ned på. SSBs årstall viser rekord i antall nyetablerte foretak både i 2014 og i 2015, langt høyere enn i foregående periode, og det er spesielt gledelig at det siste år har vært stor vekst i antall nyetableringer i mange av vestlandsfylkene som ble hardest rammet av oljeprisfallet. På lang sikt er det ingen tvil om at lavere skattetrykk er den aller mest effektive medisinen for å skape flere jobber og mer verdiskaping. Dette handler bl.a. om lavere skatt på arbeidsplasser og lavere skatt på bedriftenes egenkapital. Det er ikke mulig å komme utenom at Norge er helt avhengig av investorer og gründere som ser muligheter, og som er villige til å risikere egne penger for å skape fremtidens arbeidsplasser. Staten kan ikke kjøpe seg et fremtidsrettet næringsliv, men vi kan legge til rette gjennom gunstige skatte- og avgiftsreduksjoner. Dagens makroøkonomiske situasjon tilsier at tilsynelatende uskyldige forslag om skatteøkninger vil kunne få store konsekvenser for norske arbeidsplasser. Tiden er definitivt ikke inne for risikable skattepolitiske eksperiment som kan sette hele veksten i fare. Økt skatt kan umulig føre til økt vekst, og økte skatter er en dårlig idé for både store og små arbeidsplasser. Landet vårt er langstrakt og tynt befolket, og veitransport er derfor enda viktigere her enn i mange andre land. Det handler f.eks. om at norsk laks skal komme trygt frem til de store markedene i Europa, og at det skal være mulig å skape verdier i hele landet. Jeg er godt fornøyd med at Fremskrittspartiet i regjering har bidratt til at bevilgningene til vedlikehold og fornying i transportsektoren nesten er fordoblet, og at vi også har økt investeringene betydelig. Alle som har jobbet i privat sektor, vet at det er forskjell på penger til forbruk og penger til investeringer, og med Fremskrittspartiet i regjering investeres en større andel av oljeformuen i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. Jeg er ikke i tvil om at gode foreldre ønsker trygge skoleveier for sine barn. På toppen av store investeringer i vei og jernbane har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for å redusere avgiftene på trygge biler for folk flest. Vi har vridd avgiftene slik at det er utslipp og ikke motorkraft som er grunnlaget for engangsavgiften. Bilsalget i august i år viser at avgiftskutt på nye biler er et effektivt miljøtiltak, og forurensningen fra de nye bilene som nå selges, er kraftig redusert. Norge setter altså ny rekord i salg av lavutslippsbiler, mens det tidligere var diesel som gjaldt. Radikale miljøvernere burde egentlig juble istedenfor å kritisere. Det viktigste for Fremskrittspartiet er ikke utslippsreduksjonen alene, men at vi har lyktes med å redusere avgiftstrykket for alle som er avhengige av bil for å kjøre til jobb, levere barn i barnehagen og på skolen og for å gjøre sine innkjøp – rett og slett å få hverdagen til å fungere. Nå, i 2016, trenger vi ikke lenger velge mellom miljøvennlige småbiler på den ene siden og trygge familiebiler på den andre siden. Vi kan heller si ja takk, begge deler. Norge skal aldri mer være et land der eksportnæringene rammes av dårlig infrastruktur, og Norge skal aldri mer være et infrastruktur, og Norge skal aldri mer være et land der folk flest ikke har råd til trygge biler. Det er

område også for dem. Kristelig Folkeparti gikk i 2013 til valg på å jobbe for et samfunn som er bra for barna, for vi vet at et samfunn som er bra for barna, er et samfunn som er bra for alle. Siden den gang har vi jobbet målrettet for å sette barnas situasjon på dagsordenen, og min partileder, Knut Arild Hareide, viste på mange områder hvor Kristelig Folkeparti i denne stortingsperioden så langt har fått stort gjennomslag, ikke minst når det gjelder de sårbare barna. Det er bra, men det er ikke nok. Kristelig Folkeparti kommer til å fortsette kampen for barna og for familiene, og istedenfor å diskutere hvordan støtten til barnefamiliene kan reduseres eller styres av det offentlige, bør vi diskutere hvordan vi kan legge enda bedre til rette for barna og familiene enn i dag. Folkeparti mener bl.a. at kontantstøtten er en viktig del av en god familiepolitikk. Barn har ulike behov, og alle familier er forskjellige. Derfor er det så viktig at familiene kan velge den omsorgsformen som de mener er best egnet for barna. Noen ettåringer stortrives i barnehagen, andre barn trives best med å være litt mer hjemme, og Kristelig Folkeparti vil at barnefamiliene skal få velge selv. Vi trenger både gode barnehager og kontantstøtte, slik at familiene opplever at de har en valgfrihet. Kristelig Folkepartis anliggende er ikke at flest mulig skal benytte seg av kontantstøtten. Vårt ønske er å legge til rette for at hver enkelt familie kan få velge den hverdagen som passer best for deres barn og for deres familie. Så er det dessuten ikke slik at kontantstøtten utgjør økte offentlige utgifter i hvert enkelt statsbudsjett. Det offentlige bruker mye mer på tilskudd til barnehager enn på kontantstøtte. En ettåring får over 200 000 kr per barnehageplass – kontantstøtten er på kun 6 000 kr i måneden, dvs. 72 000 kr per år. Kontantstøtten er under press. Jeg registrerer at det også diskuteres i de partiene vi samarbeider med, men jeg håper at resultatet vil være at kontantstøtten kan bestå som den valgfrihetsreformen den har vært for barnefamiliene. Nå ser jeg på statsministeren og håper at de signalene synker inn i Høyre, for jeg synes det ville være ganske overraskende hvis Høyre vil frata familiene den valgfriheten som dette har gitt. Skal valgfriheten som Kristelig Folkeparti er opptatt av, være reell, må vi ikke bare sørge for en treffsikker kontantstøtte, da må vi også legge til rette for en ambisiøs barnehagepolitikk. Det å sørge for barnehageplass for alle ettåringer som trenger det, i en barnehage av høy kvalitet, er et prioritert område for Kristelig Folkeparti. Etter mitt syn var regjeringens ambisjoner på vegne av barnehagene vanskelig å få øye på i trontalen. Det ble sagt noe om hva som er blitt gjort, men lite om hvordan man tenker veien videre. De fleste norske barnehager er av veldig god kvalitet, med voksne som gjør en fantastisk jobb hver eneste dag. Men det er ikke slik at alt er perfekt i barnehagesektoren, og alle barnehagebarn får ikke et så godt tilbud som de burde fått. Etter vårt syn er bemanningsnormen det aller viktigste elementet for kvalitet. Nok voksne i barnehagen er alfa og omega. Ingen barn og ingen voksne har det bra i barnehagen det er for få voksne. Det aller viktigste for kvaliteten på barnehagetilbudet er at det er nok voksne i barnehagen. Kristelig Folkeparti har ment dette lenge, og vi har ment at det er altfor sent å innføre en bemanningsnorm i 2020. Dette kunne vi ha fått til lenge før. I budsjettet for inneværende år foreslo Kristelig Folkeparti en opptrappingsplan. Vi foreslo i vårt alternative budsjett å sette av 300 mill. kr som en oppstart. Det fikk vi ikke gjennomslag for, men jeg er veldig glad for det gjennomslaget Kristelig Folkeparti og flertallet på Stortinget fikk da vi i vår behandlet barnehagemeldingen. Da ba vi regjeringen komme tilbake til Stortinget

Før 2013 manglet det ikke på advarsler om å slippe Fremskrittspartiet til i regjering. Jeg husker spesielt godt en politiker som i en kronikk for noen år siden presenterte en liste med ti grunner til å stenge Fremskrittspartiet ute fra regjeringssamarbeid. Ifølge forfatteren var Fremskrittspartiet et parti som svikter i økonomisk politikk. Nå viser fasiten at regjeringen har økt oljepengebruken mer på tre år enn den samlede økningen de ti foregående årene, et innfasingstempo som en rekke regjeringsnedsatte utvalg sier ikke er bærekraftig. For første gang på 25 år drives Norge med underskudd. For første gang i pensjonsfondets historie har en regjering gjort et uttak fra fondet som skal finansiere velferd for oss, men ikke minst for generasjonene som kommer etter oss. Forfatteren av kronikken skriver videre hvordan Fremskrittspartiet er et «vingleparti», og at «partier som har ambisjoner om regjeringsansvar, må vise evne og vilje til å fronte det helhetlige opplegget og ikke motarbeide det kort tid etterpå Det er knapt noen overdrivelse å benevne en slik vingling som lite ansvarlig».

«For tiden er faktisk Fr.p. et parti som står i front for å øke de offentlige utgiftene og forsyne seg enda mer av petroleumsfondet.» Siden regjeringen tiltrådte, har arbeidsledigheten økt jevnt og trutt til det høyeste nivået på to tiår. Andelen som er i jobb, har ikke vært lavere på over 20 år. Mens det ble skapt 360 000 nye jobber med Stoltenberg II-regjeringen, hvor 72 pst. kom i privat sektor, så langt med dagens regjering, hvor 76 pst. har kommet i offentlig sektor. Det skapes nesten ikke private jobber med dagens regjering. I fjor ble det sagt at oljeprisfallet er årsaken, men vår politikk vil virke snart. I år blir det sagt at oljeprisfallet er årsaken, men vår politikk vil virke snart. Oljeprisfallet er på ingen måte skapt av Høyre og Fremskrittspartiet, men kunne vært møtt på en annen måte, med mer direkte stimulering av aktivitet og private bedrifter i stedet for store, generelle skattekutt. Regjeringsskiftet markerte også et skille fra en arbeiderpartistyrt periode hvor veksten i økonomien hvert år var høyere enn veksten i offentlig konsum, til en Høyre- og Fremskrittsparti-styrt periode hvor veksten i offentlig konsum hvert år har vært høyere enn veksten i økonomien og dette til tross for Høyres programformulering om å sørge for at veksten i offentlig forbruk over tid ikke er større enn veksten i BNP for Fastlands-Norge, og Fremskrittspartiets programformulering om at veksten i offentlig sektor må holdes lavere enn veksten i privat sektor. I ettertid kan vi slå fast at kronikkforfatteren har truffet rimelig godt med spådommene sine. På ett område ble Forfatteren beklaget seg over Fremskrittspartiets snuoperasjon i spørsmål om statlig eierskap og næringspolitikk, hvor Fremskrittspartiet hadde kjempet imot en rekke statlige nedsalg. Selv om vi har sett en betydelig vingling og det jeg vil betegne som amatørmessig eierskapsutøvelse i et svært viktig statseid selskap som Statkraft,

Forfatteren av kronikken heter Erna Solberg. I dag er hun ikke like bekymret. I dag er hun statsminister i Norge, og det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med i 2017.

retorikk. Selvfølgelig er årsaken at vi er inne i den største krisen i vår desidert største næring noensinne, på grunn av lav oljepris. 30 000 mennesker som er sysselsatt direkte i denne bransjen, har mistet arbeidet, og flere titalls tusener i leverandørnæringene i tillegg. Så jo da, man har nok forstått, men man setter rekord i billig retorikk. Det tror jeg ikke folk flest kjøper.

Kampen mot terrororganisasjonen ISIL har antatt store dimensjoner, de truer vår sikkerhet og utfordrer vestlig levesett med en brutalitet og kynisme vi ikke har sett maken til. Syria-borgerkrigens tragiske og hjerteskjærende konsekvenser påvirker nyhetsbildet og en hel verden. Millioner av mennesker er drevet på flukt både i eget land og utover landegrensene, og hundretusener har mistet Det er igjen usikkerhet i den tidligere østblokken. Russlands annektering av Krim og ustabiliteten de bidrar til i Øst-Ukraina, er forløpere for den utryggheten deres naboland nå føler. Russland opptrer stadig med aggressiv propaganda overfor sine naboland. Ikke siden den kalde krigen har vi opplevd en lignende utrygghet. Svaret på denne nye usikkerheten er mer internasjonalt samarbeid, flere fellesløsninger og å styrke samarbeidet med våre allierte i EU og NATO. Vi må møte denne situasjonen med et sterkt forsvar, effektiv beredskap og en stabil og forutsigbar utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette gjør vi gjennom nærmere samarbeid i NATO, felles øvelser, patruljering og avskrekking, men også med fortsatte sanksjoner overfor Russland for å markere at slike aggressive handlinger er uakseptable. Forsvaret må styrkes dersom det skal være relevant for dagens og framtidige sikkerhetsutfordringer. Det stilles nå krav til etterretning, beredskap og klartid. klartid. Derfor er en satsing på Forsvaret nå helt vesentlig. Regjeringen har allerede styrket Forsvarets beredskap og reaksjonsevne gjennom reduksjon i reaksjonstid for en rekke kapasiteter, bl.a. knyttet til kontraterror. Med langtidsplanen for Forsvaret har regjeringen igangsatt det største økonomiske løftet for Forsvaret siden den kalde krigen. Langtidsplanen fokuserer på styrking av forsvarsevnen gjennom satsing på kampkraft og bærekraft framfor bevaring av dagens forsvarsstruktur.

på investeringssiden som fordrer politisk enighet og bærekraft over tid, er kampflysatsingen, men også fornyelse av ubåtflåten og de maritime overvåkingsflyene. De endringene vi nå ser i LTP, er et resultat av en omfattende prosess i Forsvarsdepartementet under forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreides ledelse. Hun fikk også skryt av USAs forsvarsminister Ashton Carter nylig, som hadde lest hele planen og var «imponert». Da framstår det litt underlig når Jonas Gahr Støre som eneste punkt om Forsvaret i sitt innlegg tidligere i dag kritiserer at regjeringen foreslår en landmaktstudie for å forme en moderne hær. Det er oppsiktsvekkende fra et parti som for fem år siden uttrykte at «den store omstillingsprosessen i Forsvaret er sluttført. Fra nå av blir det mer snakk om justeringer» – sitat Barth Eide. Nei, det er det ikke. Dette er en svært krevende tid nettopp på grunn av unnfallenhet fra forrige regjering.

Helt siden regjeringa overtok, har de vist en gjennomgående mistillit overfor norske lærere. Alle er enige om at lærerne er viktige, og at alle lærere bør være best mulig. Regjeringa skal ha ros for å ha forbedret etter- og videreutdanningsordningen, som den rød-grønne regjeringa satte i gang, men de hadde ikke tillit til at lærerne ville benytte seg av denne ordningen uten pålegg. Regjeringa viste sin manglende tillit til lærerne gjennom å underkjenne grunnutdanningen deres ved å gi kravet om antall studiepoeng tilbakevirkende kraft. Det var ikke lenger tillit til 20 års erfaring fra skoleverket. Også overfor vordende lærerstudenter vises det mangel på tillit. Mistilliten kommer til syne gjennom en smalere lærerutdanning og kravet om karakteren 4 i matematikk for å studere til lærer. Dette gjør regjeringa, sjøl om de vet at det ikke er mange nok elever blant dem med 4 i matematikk som søker lærerstudiet. Resultatet er at 700 studieplasser står ledig. Vi får altså færre lærere uteksaminert om fire år. Regjeringas manglende tillit gjør at Norge nå mister mange studenter med høye karakterer som kunne ha blitt strålende lærere. Når regjeringa også tenker å fremme forslag om å heve karakteren også i norsk og engelsk og utvide lærerutdanningen til fem år, risikerer vi en storstilt lærermangel i dette landet i framtida. Det er ikke bare mangel på tillit, men det Mangel på tillit fra regjeringa er gjennomgående overfor utdanningssektoren, og det gjelder også elevene. Senterpartiet mener vi nå skal prøve ut en nasjonal fraværsgrense, og vi er enig med regjeringa i det. Stortinget vedtok å oppheve regjeringas forslag om en 10 pst.-grense og gi mer skjønn til den enkelte skole. Etter vår mening har ikke regjeringa fulgt opp dette pålegget fra Stortinget. Derfor har vi i dag fremmet et representantforslag om at det skal brukes mer skjønn, slik at syke elever ikke renner ned legekontorene for å få men at vi må stole på de foresatte og gi dem den tilliten å kunne melde fra om sin egen unge er syk eller ei. Vi skjønner også at norsk ungdom trenger førerkort. Så lenge det er lov å ta lappen når en er 18 år, må en forvente at elever, særlig i områder med lange avstander, vil ta kjøreopplæring. Stortinget har sjøl bestemt hva som skal være obligatorisk kjøring. Vi vil derfor gi skoleeierne tillit til å avgjøre om de vil gi fritak for deler av men gjerne dokumenterbart. Mangel på tillit til skoleeiere, skoleledere, lærere og elever ser en aller tydeligst og grellest gjennom den omfattende kontrollvirksomheten som staten nå utøver. Både her hjemme og internasjonalt viser mangel på tillit seg gjennom omfattende diktering fra myndigheter gjennom både testregimer og metoder. PISA-testene, som kom på begynnelsen av 2000-tallet, har bakgrunn i mistillit til en hel profesjon i flere land. Lærere både i Danmark, Sverige, Estland, England, USA osv. kjemper for sin rett til å utøve sitt yrke med basis i sin profesjonelle utdanning. Flere og flere tar avstand fra testregimet som bygges stadig ut fordi det i kjølvannet av disse internasjonale testene og sammenligningene er vokst fram et voldsomt nasjonalt testfokus, der testene er blitt så viktige for verdigheten til den enkelte både skole, lærer og elev at områdene det prøves i, fortrenger annen viktig utdanning og kompetanse. Bård Kuvaas ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI har skrevet: «Når ledelsen stoler på sine medarbeidere, tar medarbeiderne mer ansvar for å nå organisasjonens mål . Men mens forskningen er temmelig entydig, henger mange praktikere etter. De har en overdreven bruk av styrings- og kontrollsystemer.» Regjeringa har ikke tillit til at lærerne gjør den jobben de er satt til: å forberede ungdommene på livet som kommer. Det har Senterpartiet, og vi har vist det i sak etter sak og vil vise det framover. I trontalen peker regjeringa på at velferden er avhengig av høy verdiskaping. Ja, men skal vi øke verdiskapingen, er vi nødt til å ha tillit til vår viktigste ressurs, nemlig folket, Mangel på tillit i samfunnet kan vise seg å være veldig kostbart. Det er nå tre år siden regjeringen tiltrådte, og den går inn i sitt fjerde år. Situasjonen for Norge er vesentlig endret. Arbeidsledigheten har økt betydelig, jobbveksten er betydelig redusert, klimatiltakene uteblir, og klimagassutslippene øker. Det er bare på to områder som ikke er helt uvesentlig for vår framtid. Regjeringen har når det gjelder klima, inntatt en hvileposisjon, og det året etter at Paris-avtalen ble framforhandlet. Man må lete godt om man skal finne klimainitiativ fra regjeringen, og det eneste synlige beviset Stortinget har, er at en fikk lagt fram en stortingsmelding med en anbefaling om å inngå i EUs klima rammeverk, noe Stortinget sluttet seg nesten enstemmig til. I ettertid var det kanskje litt dumt, for nå blir det brukt som en sovepute og en unnskyldning for ikke å gjøre noe. Derfor fremmet Arbeiderpartiet 45 klimaforslag i februar. Mange av forslagene ble vedtatt, om ikke fullt ut akkurat slik vi ønsket det, ble i hvert fall retningen forholdsvis riktig. Det er jeg glad for. Men det haster med å komme videre, og da hadde jeg faktisk forventninger til trontalen. Men trontalen var ingen sterk grønn tale, slik Venstre-leder Trine Skei Grande påsto. Tvert om, den var ganske svak og nevnte kun det selvfølgelige. På torsdag vil vi få et svar på hvor regjeringen legger seg i statsbudsjettet for 2017. Et lite innblikk fikk vi sist fredag. En nettogevinst for bilistene på nær 1 mrd. kr kan jo være bra, men de fleste eksperter spår økte klimagassutslipp som en direkte konsekvens av dette. Det står i sterk kontrast til det Stortinget vedtok i juni, om at alle nybiler fra 2025 skal baseres på Da må omleggingen starte nå, da må det bli enklere å foreta klimariktige valg og mindre lønnsomt å slippe ut klimagasser. Regjeringen er dessverre motivert av det motsatte. Vi er inne i noe regjeringen kaller en omstillingsperiode. Olje- og gassindustrien, industrien og energisektoren burde alle i en slik omstillingsfase få sterke signaler og en klar anvisning på hva retningen skal være for men signalene uteblir. Regjeringen som burde tatt en lederrolle, har dessverre også der inntatt en hvileposisjon. I sum skulle Norge vært i gang med en omstilling hvor de store pengene ble brukt på å understøtte og stimulere næringslivet. I stedet brukes disse pengene på dem som allerede har nok. Forskjellene øker mellom rik og fattig, mellom dem som har jobb, og dem som er uten jobb, mellom by og land, mellom menn og kvinner. Det skapes omtrent ikke nye jobber, og de få som kommer, kommer, kommer i offentlig sektor. I vår regjeringstid ble det skapt 360 000 flere arbeidsplasser – to tredjedeler i privat sektor, de siste tre årene 25 000 flere – tre av fire i offentlig sektor. Dette er regjeringens ansvar, og det er et resultat av det regjeringen omtaler som omstilling. Konsekvensene er altså dramatiske – 139 000 mennesker uten arbeid. arbeid. Det er oppsiktsvekkende at de som påtaler dette som en nasjonal krise, vekker det sterkeste engasjementet hos statsministeren i arbeidsledighetsdiskusjonene. Det er der temperaturen kommer, og det er der engasjementet er, når noen omtaler dette som en krise, noe det selvfølgelig er. Det er en krise når det gjelder både antall ledige og det faktum at det ikke skapes nye jobber. Vekstfremmende skattelette fungerer overhodet ikke. Industri og næringsliv etterspør en mer aktiv offentlig sektor, som i partnerskap med industrien kan skape nye muligheter. De gode ideene og de mange mulighetene vi har i Norge, gis ikke vekstkraft gjennom skattelette til de få. De mange gode ideene og de mange mulighetene har ikke fått flere ben å stå på eller å utvikle seg på, men de har fått færre muligheter. Det hadde vært et langt bedre til å hjelpe de gode ideene, om det ble satset mer på kunnskap og kunnskapsoverføring, satset mer på ny framtidsrettet teknologi, satset mer på klyngene, satset mer på samarbeid, om man stilte opp i partnerskap med industrien, bidro med risikoavlastning og i sum økt mulighetene. 139 000 ledige er en krise, og det vil forbli en krise. Høyres og Fremskrittspartiets mål er ikke rettet inn på arbeidsmarkedet, men de bruker omstilling som en forkledning til skattelette, privatisering og sentralisering. Vi gikk til valg på å videreutvikle Norge som energinasjon, og de siste tre årene har gitt et taktskifte også i energi- og klimapolitikken. Vi har levert en energimelding som skal sikre konkurransekraften til norsk fornybar energi. Vi har utlyst konsesjonsrunder som gir tilgang på nye leteområder på norsk sokkel for første gang på mer enn 20 år, og ikke minst har vi satt fart på det grønne skiftet. Ofte hører vi at landet er bygd på rikdommen fra oljen og gassen vår, men vannkraften er bærebjelken som det moderne Norge ble bygd på. Dette var også det viktigste punktet for regjeringen i energimeldingen som ble lagt frem i vår. Budskapet fra regjeringen var tydelig: Norsk fornybar energi må også i fremtiden være lønnsom. Den brede borgerlige enigheten om energimeldingen viser at avstanden i energi- og klimapolitikken mellom partiene som utgjør dagens flertall, ikke er så stor som mange vil ha det til. Vi ble enige om viktige prinsipper for hvordan Enova skal styres. Vi ble enige om utslippsmål for transportsektoren, forenklinger i konsesjonsbehandlingen, avvikling av elsertifikatordningen og satsinger på hydrogen og biodrivstoff. I sum tror jeg derfor at energimeldingen og behandlingen av denne blir stående som et viktig dokument fra denne stortingsperioden. Klimatoppmøtet i Paris og gjennombruddet med avtalen som ble fremforhandlet, har preget det siste året. Norge var en pådriver i denne prosessen, og vi var også veldig raskt ute med både signering og ratifisering av avtalen. Dagens flertall har lagt grunnlaget for en klimavennlig utvikling i våre budsjettavtaler, som har styrket Enova, bevilget historisk mye til kollektivtrafikk, satset på grønn skipsfart og forsterket innsatsen med å utvikle fullskala karbonfangst og -lagring. De siste årene har også vært preget av konsekvensene av et dramatisk og vedvarende fall i oljeprisen. Dette har ført vår viktigste næring inn i en dyp bølgedal og gjort det nødvendig med umiddelbare tiltak for dem som har mistet jobben. Særlig mange i mitt hjemfylke, Rogaland, har merket denne nedturen på kroppen. Vi ser nå likevel konturene av at det verste er over, og at optimismen vender tilbake. Jeg noterer meg at Arbeiderpartiet ikke lenger snakker om en krise i norsk økonomi, slik mantra var i trontaledebatten i fjor. Kanskje er det slik at Arbeiderpartiets representanter har forstått at det folk på Vestlandet trenger, er målrettede tiltak som virker, ikke krisemaksimering og en større skatteregning fra politikere i Oslo. Lærdommen fra nedturen er nemlig at vi ikke kan gjøre noe med oljeprisen, men vi kan gjøre oss mindre sårbare for konjunktursvingninger. I en slik situasjon blir stabile og forutsigbare rammevilkår for næringen viktigere enn noen gang. Samtidig er vi helt nødt til å legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser i nye næringer. Valget neste år blir også viktig for retningen i energi- og klimapolitikken. Debatten i dag har gjort det tydelig at konsensus og viljen til å gjennomføre det grønne skiftet finnes blant de borgerlige partiene, men det er høyst uklart hva de rød-grønne kan bli enige om. På vår side har vi diskutert størrelsen på avgiftsøkninger på fossilt drivstoff og innretningen på avgiftslettelsene. Det har derimot ikke vært tvil om prinsippet om at det er forurenser som skal betale. Men hva er det vi hører fra rød-grønn side? Jo, vi hører et Senterparti som er uenig med seg selv om hvorvidt vi i det hele tatt skal øke avgiftene på det som forurenser, enten det er drivstoff eller flyseteavgift. Vi hører et Arbeiderparti som inviterer til et klimaforlik uten å ville si noe som helst om verken innretning eller nivå på avgifter som ned. Så hører vi også et SV og et Miljøparti De Grønne som begge vil avvikle norsk oljenæring og øke drivstoffavgiftene kraftig. Det ble brukt mye tid før valget i 2013 på å advare mot klimakaos på borgerlig side. I dag står vi med fasiten i hånden og kan si at denne frykten har vært ubegrunnet. Derimot blir det mer og mer tydelig at det er i ferd med å utvikle seg et klimapolitisk kaos på rød-grønn side,

men jeg skal stå opp for den klimapolitikken som et borgerlig flertall i Stortinget står for. Det er ingen tvil om at det viktigste vedtaket som er gjort internasjonalt siden sist vi hadde trontaledebatt, er Paris-avtalen, og vi har hatt en viktig oppfølging av den i det halvåret som er gått. Det begynte med at vi på borgerlig side ble enige om at vi skulle knytte oss til EUs mål, at vi skulle ha 40 pst. reduksjon, og at vi skal forplikte oss via den enigheten. For meg er det ganske uforståelig at både SV og MDG klarer å være imot. Jeg mener dette er nettopp den typen avtaler som vi er nødt til å være en del av for å nå våre egne målsettinger. Også i budsjettet for i år er det viktige miljø- og klimatiltak, med satsing både på kollektivtrafikk, særlig i de store byene med en betydelig økning, og på jernbane. Vi jobber stadig for å gjøre biodrivstoff konkurransedyktig, og det er mange enkeltvedtak, både hvordan man skal få en styrking av miljødelen av offentlige innkjøp, og også det som

i fjoråret og vårsesjonen, er energimeldingen, som det ble referert til. Det vi gjorde på Stortinget og i energi- og miljøkomiteen, var å knytte energimeldingen opp mot Paris-avtalen, og vi satte de målsettingene som vi trenger å ha for å nå målene i 2040. Det handler om at vi har stortingsvedtak om at alle nye biler som skal selges i 2020–2025, må være nullutslippskjøretøy, at vi skal ha fossilfri tungtransport i 2030. Det er offensiv politikk når det gjelder hydrogen. Vi har det innen skipsfart. Vi har et enøkmål på 10 TWh i energimeldingen, og i sommer var Norge det første industrilandet som ratifiserte Paris-avtalen. Der gikk vi i front. Vi gjorde et vedtak i forbindelse med behandlingen som skaper en systematikk i forholdet mellom storting og regjering i årene framover, som vil være helt nødvendig for å drive denne politikken framover.

Nå vet alle som har drevet mye med forhandlinger, at når man framsetter ultimatumer, svekker man egentlig bare sin egen posisjon. Fra Venstres side er vi optimistiske med tanke på den høsten vi skal gå inn i. Det er klart at budsjettet for neste år må ha et helt avgjørende klimatiltak for at vi skal nå de målene vi har forpliktet oss til i Paris-avtalen. Det er 13 år igjen til vi skal ha en 40 pst. reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor. Det er mange andre saker som ikke-kvotepliktig sektor. Det er mange andre saker som også skal opp. Enova skal ha en ny avtale fra 1. januar. Der må klimamål være en viktig del. Hydrogen må opp som en egen målsetting, ellers kommer det til å drukne i det store bildet. Det må være et eget programmål i bestillingen til Enova.

Nå trenger vi å se norsk jernbane i et skandinavisk perspektiv, når det gjelder godstransport, hvor vi er nødt til å se utover våre egne grenser for å få nødvendig langsiktighet og løft, og man trenger også en høyhastighetsstrategi for de store byene i Skandinavia. Til slutt: Ett område hvor det er gjort lite, er norsk politikk overfor petroleumssektoren. Petroleumspolitikken må bringes i samsvar med de målsettingene vi har i at vi må se på risikoen som ligger i den politikken vi har i dag. Tre ting må ligge til grunn i petroleumspolitikken: Vi skal ikke inn i sårbare områder. Vi skal redusere utslipp under produksjon, og det siste er at det må være lønnsomt. Vi trenger en ny oljeskattekommisjon for å se på hele skattesystemet og knytte det opp mot Paris-avtalen og dens målsettinger.

og løsningen har vært og er fortsatt omstilling, fornying og modernisering. Vi har heldigvis et næringsliv som i imponerende tempo har vist at det evner å snu seg rundt og omstille seg. Da er det også viktig at vi som politikere ikke legger hindringer i veien for den nødvendige omstillingen, men tvert imot er en pådriver og legger til rette for omstillingen som næringslivet skaper. Da er ikke løsningen, som enkelte legger opp til, å være nesten allergisk mot helt nødvendige reformer. Selv om det av og til kan smerte å gjennomføre reformer,

vært akkurat det – en skremselspropaganda på autopilot. Vi begynner nå sakte, men sikkert å se noen av resultatene av flere av grepene regjeringen har tatt. I september ble det registrert 400 færre helt arbeidsledige, ifølge statistikk fra Nav. Det er, som sagt, den fjerde måneden med nedgang. Det er svært gledelig og ytterligere en grunn til at vi kan håpe på at det verste i norsk økonomi er over. Men det betyr ikke at vi må stoppe arbeidet. Arbeidsledigheten er nå på ca. 2,8 pst., ned fra 2,9 pst. på samme tid i fjor. Vi har også hatt utfordringer med at arbeidsledigheten har vært veldig skjevt fordelt rundt i landet. Vi har hatt voksende arbeidsledighet på Sør-Vestlandet, men f.eks. i Nord-Norge ser vi at arbeidsledigheten har gått ned, og vi ser det i innlandet. innlandet. Det viser at det er viktig at de grepene vi setter inn, er målrettede. Kongen var i trontalen klar på at arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Det har regjeringen vært klar på, da hovedmålet vårt er å sørge for at flest mulig mennesker skal være i stand til å kunne stå på egne ben. Men vi har også en regjering som er klar på at det er ikke denne sal som skaper arbeidsplasser. Arbeidsplassene skapes ute i næringslivet, og da, som jeg innledet med, er det viktig at vi ikke legger hindringer i veien, men legger til rette for næringslivet. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, proklamerte fra denne talerstolen tidligere i dag at Arbeiderpartiet nå ønsker å gjøre døren inn i arbeidslivet smalere, gjennom å reversere den oppmykningen vi hadde av arbeidsmiljøloven slik at vi fikk en arbeidsmiljølov som faktisk er tilpasset det moderne samfunn og de behovene den enkelte innbygger, arbeidstaker og bedrift har nå i 2016. Jeg tror ikke, som Arbeiderpartiet nå dessverre legger opp til, at en lov fra 1970-tallet er løsningen på fremtidens utfordringer. Jeg har heller ikke noen tro på dem som nå ønsker øke skatter og avgifter med 10, 20 eller 26 mrd. kr. At det å øke skattebyrden for bedrifter og for enkeltpersoner er løsningen i den tøffe omstillingen vi står overfor nå, er jeg meget uenig i. Spesielt synes jeg det er underlig at når mye av kritikken har vært at vi har en regjering som faktisk bruker noe av handlingsrommet vi har med oljeformuen, til å skape økt aktivitet i økonomien, er Arbeiderpartiets løsning å øke skattene for å fylle opp oljefondet enda mer. Jeg vil til slutt minne om de tre erkjennelsene Fremskrittspartiet, Høyre og regjeringen legger til grunn, nemlig at vi nå har vilje til endringer, at velferden er avhengig av verdiskaping, og at vi fremover må reformere offentlig sektor. Alle disse tre erkjennelsene peker inn mot omstilling i arbeidslivet og er nødvendig for samfunnet og dermed for den enkelte. Regjeringens viktigste oppgave er å føre en politikk som trygger arbeidsplasser, og som legger til rette for at det Regjeringens viktigste oppgave er å føre en politikk som trygger arbeidsplasser, og som legger til rette for at det skapes nye. Begge deler krever vilje til prioritering og langsiktighet, og det i en tid hvor vi ikke kan nyte godt av drahjelpen som en historisk høy oljepris har gitt. Vi skal håndtere både sviktende inntekter som en følge av fallet i oljeprisen, og et skrikende behov for omstilling, en omstilling som burde ha startet for lenge siden. I tillegg skal mange flyktninger integreres i det norske Ledighetssituasjonen varierer mye mellom regioner og mellom bransjer. Det er en for høy ledighet i de oljeavhengige fylkene. I andre fylker går ledigheten ned, og det er stor etterspørsel etter folk i flere bransjer. Ungdom som før fikk jobb uten utdannelse, opplever nå det motsatte. Vi må derfor sørge for at flere blir mer kvalifisert, men også koble ledige hender med ledige jobber. Mange er faktisk ikke klar over de mulighetene som Til tross for en krevende situasjon har vi så langt håndtert situasjonen godt. Statsbudsjettene de siste årene har bl.a. bidratt til det. Men vi må ikke ta for gitt at ledigheten har stabilisert seg for godt, eller at veien framover blir enkel. Det blir den ikke. Det vil fortsatt kreve prioritering og langsiktighet. Skal vi etablere nye, trygge og lønnsomme arbeidsplasser, må vi først investere, og det tar tid å utvikle ny kompetanse og nye jobber. Regjeringen legger vekt på en lærersatsing som kan styrke skolen, men det tar tid fra satsing til resultater. Regjeringen har prioritert en rekordsterk satsing på forskning, men det tar tid fra investeringer i forskning til resultater i form av nye virksomheter og nye jobber. Regjeringen og stortingsflertallet har sikret en rekordsterk satsing på vei og bane. Det skaper sysselsetting på kort sikt, men er også en investering for å styrke Norges konkurransekraft på lengre sikt. Slik kunne jeg fortsatt også på andre temaer, det være seg grep for å organisere offentlig sektor bedre eller tiltak for å styrke norsk eierskap. Dernest vil jeg advare mot å krisemaksimere i en situasjon hvor økonomien er ryddig, solid og stabil, og vi begynner å se lysglimt. Ja, det er krevende i enkelte bransjer og regioner. Da er ikke svaret å sende en tyngende skatte- og avgiftsregning til bedrifter som sliter, men heller sikre konkurransekraft og levedyktige bedrifter. Norge har relativt små forskjeller sammenlignet med andre land. Det skal vi ta vare på. En god skole som sikrer alle lik rett til utdanning, er vårt viktigste sosialpolitiske verktøy. Gratis helse- og velferdstjenester og et inkluderende arbeidsliv med plass til alle bidrar nettopp til å redusere forskjeller og øke muligheter. Ulikhet i arbeidstilknytning er blant hovedårsakene til ulikhet i økonomi og sosial deltakelse. For mange står i dag utenfor arbeidslivet. Det finnes ikke ett enkelt svar på utfordringene, men snarere flere. Noen virker raskt, som aktivitetsplikt Vi har inngått en samarbeidsavtale med partene i arbeidslivet om å etablere et hurtigspor for flyktninger med etterspurt kompetanse. Andre tiltak krever tid før de gir resultater, som lærersatsing og forskning. Regjeringen har lagt fram en melding om Nav, som vi snart skal debattere. Hvordan kan vi myndiggjøre Nav-kontorene og bedre de ansattes mulighet til å hjelpe? Vi har foreslått viktige endringer i dagpengeregelverket for å gjøre det enklere å videreutdanne seg til nye jobber og enklere å etablere egen virksomhet i kombinasjon med dagpenger. Vi satser mer på bedriftsintern omstilling. Til syvende og sist handler omstilling også om å bidra til at folk får ny og relevant kompetanse når de skal søke nye jobber. Norge har håndtert nedturer og krevende situasjoner før. Norge vil klare det nå også. Men det kommer ikke til å skje av selv, Men det kommer ikke til å skje av selv, og det vil kreve målrettede prioriteringer framover og at vi gjør mer av det vi vet virker. Det blir replikkordskifte. Det er

No er skattepolitikken ikkje eit konstitusjonelt ansvarsområde for denne statsråden, så det kjem eg ikkje til å spørja om – det er relevant for at forskjellane aukar – men frå Arbeidsdepartementet har det kome forslag knytte til å fjerna feriepengar for arbeidsledige, kutte i barnetillegget for uføre og den slags forslag i tillegg til andre forslag frå regjeringa, som skatt på sluttvederlag. Så mitt spørsmål er korleis det er for statsråden å vera ein av dei ansvarlege

til å kunne delta i fritidsaktiviteter og i det sosiale liv. Så denne regjeringen har tvert om levert mye god politikk for å redusere forskjeller og for å redusere ulikhet, og det skal denne regjeringen fortsatt
I trontalen kunne ein høyra om mange flotte ambisjonar, som no vert gjentekne, men ein høyrde mindre om tiltak for å kunna oppnå den typen ambisjonar. Men ein av fordelane med å vera arbeids- og sosialminister er at dersom ein lukkast med det eine, så treng ein mindre av det andre. Derfor er det så beklageleg at regjeringa lukkast såpass dårleg med å bidra til at det vert skapt nye arbeidsplassar. så beklageleg at regjeringa lukkast såpass dårleg med å bidra til at det vert skapt nye arbeidsplassar. Me er altså i ein situasjon der me har den høgaste ledigheita på over 20 år, den lågaste sysselsetjinga på over 20 år, samtidig som ein ser at det knapt er jobbvekst i dette landet, og at av dei 25 000 jobbane som har vorte skapte, er tre firedelar av dei i offentleg sektor. Då er spørsmålet mitt om arbeidsministeren sjølv er nøgd med at det knapt er jobbvekst og at dei arbeidsplassane som har vorte skapte, fyrst og fremst har

pst., og så ser vi at det er regionale forskjeller. Vi ser at flere stillinger meldes ledig for Nav, vi ser at kontrakter gis til bedrifter, vi ser at næringslivet melder om lysere tider. Men det betyr ikke at vi skal lene oss tilbake. Tvert imot er det nå vi virkelig skal fortsette med full styrke for å videreføre den politikken vi ser gir resultater, og som nå også sier gir resultater. Vi har hele tiden sagt at 2016 kommer til å bli et krevende år, vi skal omstille Norge til en helt ny tid, og så kommer vi til å se lysere tider i 2017, og det ser også ut til å slå til. Vi har to måter å måle ledighet på. Statsråden refererte til de siste tallene fra Nav, den registrerte ledigheten på 2,8 pst., og så

fordi det har noe å gjøre med hvordan man innretter tiltak. Dette er ikke så veldig politisk egentlig, men ut fra såpass sprikende tall som de to forskjellige oppdragsgiverne – for å kalle det det – opererer med: Hva mener statsråden og regjeringen gir best uttrykk for reell arbeidsledighet i Norge, og spiller det noen rolle for tiltakene regjeringen mener er nødvendig, at det er så stor sprik? Det store spørsmålet for tiden er nettopp hvorfor avviket er så stort mellom de registrerte ledighetstallene og AKU-tallene. Det mange mener, er at AKU-tallene ser sånn ut bl.a. fordi de har en overrepresentasjon av unge. av unge. Vi ser også at det er en økning i antall tiltaksplasser, som jo er en villet politikk, og noen mener også at AKU-tallene antageligvis ikke er så godt egnet til å vise ledighetsutviklingen på kort sikt. Det jeg forholder meg til, er de registrerte ledighetstallene, fordi det sier noe om hvordan vi skal dimensjonere at flere nå skjeler mer til ledighetstallene fra Nav enn til AKU-tallene. Men samtidig må vi fortsatt også se på AKU-tallene, vi kan ikke velge å se bort fra dem, men mye kan tyde på at det antagelig er Nav-tallene som nå gir et mest korrekt bilde. Så kan jeg bare si til slutt at når det gjelder AKU-tallene, ser man også at veldig mange av de unge som sier at de er ledige, har valgt å gå til studier, og det er også positivt i en tid da mange av de unge mangler utdanning.

Våre EØS-forpliktelser innebærer at det blir et stort utbud til næringslivet av arbeidskraft i yrker som ikke er særskilt beskyttet, f.eks. ved språk- eller kompetansekrav e.l. Under disse forhold gir altså markedskreftene som konsekvens et stort utbud av arbeidskraft, noe som fører til at forskjellene øker, forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsvilkår, de svake presses ut av arbeidslivet, og det blir større forskjeller mellom folk. Statsråden sa nettopp at små økonomiske forskjeller mellom folk skal vi ta vare på. Betyr dette at regjeringa vil bruke økte midler for nettopp å få disse gruppene ut i arbeid, som en konsekvens av bl.a. EØS-avtalen? Det er ingen tvil om at det nok er litt uenighet mellom våre to partier om EØS-avtalen og fordelene og ulempene med avtalen. Jeg mener at EØS-avtalen har vært bra, den har vært bra for Norge også fordi EØS-borgerne har bidratt til nødvendig arbeidskraft. Og den er også bra for EØS-borgerne, som får mulighet til å kunne ta seg jobb i et større arbeidsmarked enn man har hatt mulighet til tidligere, og det er også bra for norske arbeidstakere. Det er selvfølgelig et mål for oss å bidra til at alle som nå er ledige, kommer seg i jobb, også arbeidsledige Mange av de tiltakspakkene vi har iverksatt for å øke sysselsettingen, er også i bransjer som mange EØS-borgere tradisjonelt har søkt seg til, som f.eks. bygg- og anleggsbransjen. Så har vi gjort andre viktige tiltak for å øke den enkeltes mulighet til å omskolere seg til nye bransjer. Representanten Lundteigen kjenner godt til endringene bl.a. i dagpengeregelverket, som skulle gjøre det lettere å omskolere seg eller ta videreutdanning hvis man ønsker seg jobb i egen bransje, eller også i andre bransjer.

jobb. Dette er menneske som har bustadlån, som har familiar, og som har store utgifter, og det å gå frå dagpengar til det som då blir det einaste attståande alternativet, nemleg sosialhjelp, vil for mange medføre eit svært fall i inntekt. No er det ikkje å håpe at desse menneska søkjer seg mot andre ytingar, f.eks. helserelaterte trygdeytingar når dei ikkje har grunn for det, men då er det mange som spør: Kva alternativ har eg? Det eg vil spørje arbeidsministeren om, er: Korleis vil regjeringa setje inn tiltak for å hjelpe dei som fortsatt ikkje har fått seg jobb, og som no mistar dagpengane? Og meiner arbeidsministeren at sosialhjelpa som ordning, med det låge nivået ho ligg på, er godt nok eigna til å imøtekomme den gruppa?
For mange av dem som er arbeidsledige, vil heller ikke sosialhjelp være noe man antageligvis oppfyller vilkårene for, så det aller viktigste vi kan gjøre, er å sørge for nok jobber til dem som mister Det man ser, er at de aller fleste får seg jobb relativt raskt. Det er vel så mye som en tredjedel som får jobb innen en måned, halvparten av de arbeidsledige har fått seg jobb innen seks måneder, og så er det noen som går hele veien ut. Den gruppen er ganske mangfoldig. Nå har jeg også bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å gå nøye igjennom sakene til dem som nå nærmer seg slutten av perioden, for å se hva slags type utfordringer de har,

den vekk. Den strategien tålte selvfølgelig ikke dagens lys, og SV krevde at trygdeoppgjøret skulle behandles i Stortinget, og at en så viktig sak bør behandles her. Resultatet av det var at flertallet, inkludert Høyre og Fremskrittspartiet, samlet seg om følgende formulering:

noe som må være svært krevende å forsvare når det samtidig har blitt 25 nye arbeidsledige hver eneste dag. Regjeringens viktigste næringssak, kutt i formuesskatten, har ikke virket mot ledigheten, men vært treffsikker med tanke på å skape økte forskjeller. Finansminister Siv Jensen har fått to ekspertutredninger på bordet hvor beskjeden har vært at ensidige kutt i formuesskatten ikke virker, men regjeringen lytter ikke til fagfolkenes råd.

Med dagens rekordlave jobbskaping skulle man tro at vi i næringskomiteen var overarbeidet, at regjeringen pøste på med motkonjunkturtiltak og offensive stortingsmeldinger for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. I stedet sitter vi og venter på at regjeringen skal komme med en reiselivsmelding, en industrimelding, en bioøkonomistrategi, en skogmelding, en landbruksmelding. Det går mot fire tapte år for flere av næringene vi skal leve av i

resultater. Vi har ikke sett den store veksten innenfor bioøkonomien eller havressursene. Det er innenfor helse og omsorg, bygg og anlegg, hotell og service og offentlig administrasjon vi først og fremst ser spor av vekst. Om statsministeren mener noe med den grønne veksten, er tiden overmoden for å levere en offensiv nasjonal strategi for havrommet. Det er på tide å komme med bioøkonomistrategien, og det er på tide å

Jeg vil si at regjeringen er den største trusselen mot den norske modellen, fordi de ikke har skjønt konkurransekraften i den og hvordan mekanismene fungerer som omstillingsmotor. Trepartssamarbeid er viktig fordi man sammen er sterkere og finner bedre løsninger. Trygge ansatte tør mer – ansatte som er med på innovasjonsprosessen, tar medansvar og er løsningsorientert på jakt etter de beste løsningene.

velferdssamfunn. Det vi nå ser, er faktisk at resultatene av Høyres politikk er økte forskjeller på arbeidsmarkedet, økte forskjeller mellom fattig og rik, økte forskjeller mellom by og land – en bevisst politikk som er ført av regjeringen. I Arbeiderpartiet vil vi i en annen retning. Vi vet at store utfordringer best løses i fellesskap. Historien har vist at vi står sterkere sammen, og vi vet at det trengs treffsikre tiltak for å bygge opp under nye arbeidsplasser. Vi vet også at arbeid til alle, små forskjeller og gode fellesskapsløsninger er nøkkelen til et samfunn med trygghet og muligheter for alle. Jeg kan love at vi i Arbeiderpartiet skal gjøre alt vi kan for at regjeringen, som er så glad i midlertidige ansettelser, om ett år kan finne seg noe annet å gjøre. Helt overlegent alt annet er som er så glad i midlertidige ansettelser, om ett år kan finne seg noe annet å gjøre. Helt overlegent alt annet er nok den viktigste oppgaven i norsk helsetjeneste å skape trygghet; trygghet for at hjelpen kommer raskt når uhellet er ute, trygghet for at det helsepersonellet man møter, kan jobben sin, trygghet for at familien blir godt ivaretatt når en er syk, trygghet for at kommunen ser behovene når en trenger bistand. For den rusavhengige kvinnen handler trygghet om en behandlingsplass som er tilgjengelig når hun er motivert for behandling, men også at hun kan være trygg på å bli møtt med respekt og oppsøkende helsehjelp når hun er i aktiv rus. For barn i skolen er trygghet å vite at døren til helsesøster er åpen, at små problemer kan løses på dette kontoret i en trygg samtale, ikke etter at den lille gutten har hatt det vanskelig i månedsvis, men med én gang. Har så regjeringen lyktes i å skape trygghet for gode helsetjenester når en trenger det? Ja, det har regjeringen, det har helseministeren, og det har vi her på Stortinget, i godt samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti. Både ventetider og antall ventende i spesialisthelsetjenesten, særlig for ruspasienter, er redusert. Vi har gitt rusavhengige rett til selv å velge behandlingssted. Fritt behandlingsvalg er å ta på alvor at det gir trygghet å kunne foreta egne valg om sin egen helse. Jeg er så stolt av at vi ga ruspasientene denne rettigheten med én gang. Pasientorganisasjonene jubler. De eneste som fortsatt surver, er rød-grønne politikere, som mener systemet skal velge, ikke pasienten. At Arbeiderpartiet går til valg på å reversere ruspasienters rett til å få velge selv, viser hvor lite de er opptatt av den enkelte pasient. For dem som får en kreftdiagnose, er trygghet og tillit viktig. Regjeringens innføring av forutsigbare pakkeforløp for 28 kreftformer sikrer kontinuitet og trygghet før, under og etter kreftbehandling. Nå utarbeides pakkeforløp i psykisk helse. Hva er svaret fra Arbeiderpartiet? – Nei, det er de imot. For kreftpasienter og alle andre som er rammet av sykdom eller skade som vil vare over tid, har vi innført ordningen med fast kontaktlege. Det å måtte gjenta sin sykehistorie hver gang en møter en ny lege på sykehuset, skaper utrygghet. Nå slipper pasientene å fortelle sin sykdomshistorie igjen og igjen og igjen. Nå har de en fast kontaktlege, som skal sørge for at alle som trenger informasjon om deres behandling, skal få det. I trontaledebatten hittil har vi hørt forsvinnende lite ny Representanten Torgeir Micaelsen nevner viktige globale helseutfordringer, som bl.a. antibiotikaresistens, et område der Norge har tatt viktige initiativ både nasjonalt og internasjonalt, sist på et høynivåmøte i FN, hvor både helseministeren og statsministeren deltok. Så hører vi Torgeir Micaelsen snakke om at satsing på forebyggende tjenester for barn og unge er viktig. Ja, det er viktig. Vi har de siste tre årene tilført kommunene nær 1 mrd. kr for å styrke den tverrfaglige tjenesten for barn og unge. Representanten Torgeir Micaelsen snakker om «track record» – eller resultater, som vi kaller det på Eidsvoll. Fra 2012 til 2013 var det en nedgang på ni helsesøstre. I 2014 var det en I 2015 var det en ny økning, på 135. Det er 292 flere helsesøstre ute i norske kommuner for å møte barn og unge når de trenger det. I tillegg har vi nettopp fått en ungdomshelsestrategi som løfter ungdoms behov i helsetjenesten, og vi har sørget for at vi får en helhetlig strategi for barn og unges psykiske helse, som skal følges opp av en forpliktende opptrappingsplan for dette. For barn og unge handler trygghet om å møte en helsetjeneste som er på samme banehalvdel som dem. Derfor er enklere tilgang til digitale helsetjenester for barn og unge under utvikling. I pasientens helsetjeneste må vi sørge for å møte barn og unge der de er. Jeg har de siste årene også møtt mange som trenger større forutsigbarhet i norsk eldreomsorg. På dette området har regjeringen tatt svært viktige grep for å øke både kapasiteten og kvaliteten i den delen av helsetjenesten. Hvert eneste minutt hver eneste dag går norsk helsetjeneste opp til eksamen, for trygghet handler om at en ikke er en liten brikke i et stort puslespill, men at en behandles som den viktigste brikken i puslespillet den dagen en trenger hjelp. Etter å ha høyrt på fleire representantar frå den raud-grøne opposisjonen som har hatt ordet her i dag, dag, begynner eg å lure på kva slag bedrifter, kva slag folk, dei har besøkt sidan sist Stortinget var samla. Ja, vi har utfordringar i Noreg no, spesielt på Sør- og Vestlandet, der arbeidsløysa har vakse på grunn av fall i oljeprisen. Men Noreg er først og fremst fullt av moglegheiter, og det er jo det som kjenneteiknar alle vi møter når vi reiser landet rundt. Det er ikkje pessimisme og det er jakt etter dei nye ideane, meir forsking, ny innovasjon og å utvikle lønsemda i den bedrifta ein eig eller jobbar i for å sørgje for at ein kan skape ein arbeidsplass til. Det er det dette bør handle om. For regjeringa er det alfa og omega, for vi erkjenner at den situasjonen som unge arbeidstakarar står i etter oljeprisfallet, er svært krevjande for mange. Det er ikkje som ein kan få inntrykk av då representanten Else-May Botten hadde ordet, at det er nye stortingsmeldingar som får fleire sysselsette i dette landet. Det er fleire lønsame bedrifter som får folk sysselsette i dette landet, og det gjer at politikken først og fremst må vere treffsikker for dei som no opplever at kvardagen har endra seg

for ein god del bedrifter. Også Arbeidarpartiet har slutta seg til at reduksjon av selskapsskatten er nødvendig. Kvifor har dei gjort det? Openbert fordi skattelette er avgjerande for den langsiktige omstillinga, den langsiktige lønsemda i bedriftene. For regjeringa er det dette som er det viktige – faktisk å evne både å handtere den kortsiktige krevjande situasjonen vi har

frå retorikken. Og no høyrer vi igjen i dag det gamle slagordet «Sal av Noreg». Fleire representantar har brukt utsal av Statskog sine eigedomar som eksempel. Det handlar ikkje om sal av Noreg. Det handlar om å styrkje den private eigedomsretten – eit omgrep Senterpartiet brukte å vere oppteke av, og eit omgrep fleire parti på Stortinget burde vere opptekne av, av, det er nemleg til private grunneigarar vi sel desse skogeigedomane. 90 pst. av skogeigedomane er selde til den lokale grunneigaren som allereie eig skog, eller til kommunen som eigar, eller til ein skogeigar i ein nærliggjande kommune. Det er ikkje sal av Noreg.

alle flosklane som eg opplever det som når ein berre snakkar om sal av Noreg, når vi i realiteten snakkar om å styrkje den private, norske eigarskapen. Det har denne regjeringa gjort på mange område. Det er grunnlaget for ein skattepolitikk som fremjar det å ha lyst til å investere i norske arbeidsplassar, det er grunnlaget som vi utløyser når vi òg sel oss ned t.d. på skog. Framtida ligg føre oss. Ute skin sola, det kan vere verdt å snu seg av og til og faktisk sjå på ho, for det er altså så enkelt som at i staden for å male seg inn i eit hjørne, skal denne regjeringa løyse dei utfordringane som ligg føre oss, men vi skal òg ta vare på alle dei unike moglegheitene som Noreg har. Det blir replikkordskifte. Jeg er glad for at landbruksministeren snakker om treffsikkerhet i næringspolitikken. Og

Når 50 av de rikeste i snitt får 20 mill. kr i lettelse, må det forplikte en landbruksminister som må stoppe opp og spørre: Hvor treffsikkert er det for en av de store framtidsnæringene vi har i dette landet, nemlig den næringen som hans eget departement er satt til å forvalte? Hvor mange arbeidsplasser blir det av det i denne næringen? Jeg er helt enig med landbruksministeren i at når man reiser rundt, er det ikke sutring, men det er først og fremst krav om

Inntektsutviklinga i jordbruket i perioden 2014–2017 er anslått til å vere 18,75 pst. Det er betydeleg høgare enn dei fleste andre grupper og betydeleg høgare enn i dei tre siste raud-grøne åra. Då er det viktige for meg: Når vi no høyrer kritikk mot regjeringa for å bruke for mykje pengar, høyrer eg at Arbeidarpartiet stadig skal bruke meir pengar eg at Arbeidarpartiet stadig skal bruke meir pengar på landbruksområdet. Eg er oppteken av å få gode resultat for kvar krone vi brukar i landbrukssektoren. Det har denne regjeringa vist at vi evnar å få til. Det gjenstår fortsatt å høre hvor treffsikker en såpass stor satsing på så betydelige skatteletter, faktisk er. Da tenker jeg først og fremst på den vinn-vinn-situasjonen som statsråden faktisk er i når han representerer sitt departement – inn mot det grønne skiftet, bosetting, distriktspolitikk, det å produsere sunn mat, det å få nok ut av skogen. Man skulle kanskje ønske seg at det ble realitet i det statsråden sa i sitt innlegg om at han nå skulle øke satsingen på forskning og kompetanse på dette området. Det vi har stått ved de tre siste årene, har egentlig vært tre tapte år i den forstand at man stadig kutter, særlig på Landbruksdepartementets budsjett når det gjelder viktig forskning. at på nettopp disse områdene ville man tjent langt utover landbruksområdet hvis man bidro til å skape vekst ut fra bl.a. den forskningsinnsatsen, ikke minst når det gjelder spørsmålet om å øke lønnsomheten utover dagens nivå? Viss vi skal auke lønsemda utover dagens nivå, handlar det ikkje om å bruke fleire offentlege kroner inn i ei næring. Det handlar om å få meir lønsemd ut av næringa. Det potensialet er vi i ferd med å løyse ut – delen av areal som går ut av drift, går ned, delen av bønder som sluttar, flatar ut, inntektsutviklinga er positiv. Mange satsar, og det er

at forsking framleis kjem til å vere viktig òg på landbruksområdet. Men det aller viktigaste vi skal sørgje for dei komande åra, er at norsk landbruk vert meir konkurransedyktig. Då er ikkje svaret meir og mest mogleg offentleg pengebruk, då er svaret meir omstilling og meir marknadsretting. Jeg er

Mineraloljeavgiften er en avgift på noe som man bl.a. trenger som drivstoff til traktoren, og det finnes få traktorer som kan gå på så mye annet foreløpig. Dette er et tiltak i det grønne skatteskiftet, der man skal øke noe for å redusere noe annet. Jeg er enig i at vi må være med og utvikle eiendommene der folk bor, og når bøndene vil det, er mitt spørsmål til statsråden: Hvilke tiltak kommer statsråden med for å hjelpe bonden, som nå får en økt mineraloljeavgift, med å utvikle eiendommen der han bor, eller naboeiendommen? Dersom vi skal lukkast med det grøne skiftet, må alle sektorar bidra – også landbrukssektoren må gjere det. Eg er glad for at landbruket viser stor evne og vilje til å vere med på det grøne skiftet. Samtidig er det slik at vi skal leggje fram eit statsbudsjett torsdag denne veka, og eg skal levere fleire stortingsmeldingar til Stortinget dei komande månadene. Der skal eg vise både moglegheitene og utfordringane som ligg i jordbrukssektoren. Eg trur det er store moglegheiter til å fortsetje med å utvikle landbruket også i meir miljøvenleg retning. Rapporten som vi fekk tidlegare i år, viser at jordbruket ved å halde fram med dagens produksjon kan redusere klimagassutsleppa med opptil 20 pst. Det er bra. Det meiner eg vi bør følgje opp i tett samarbeid med næringa, noko som også er avtalt gjennom årets jordbruksavtale. Så meiner eg at også jordbruket må vere førebudd på at ikkje alle kostnader ein får, på lik linje med det som alle andre sektorar får, kan kompenserast. Det endelege svaret kjem i statsbudsjettet.

ta med jordbruksoppgjeret 2013 som ein viktig del av inntektsutviklinga som har vore. Stortingsfleirtalet har sagt at det er viktig å redusera inntektsgapet mellom jordbruket og andre sektorar i samfunnet. Eg reknar med at det vert førande for politikken framover. Men dette skal omtalast i den varsla jordbruksmeldinga. Mitt spørsmål er rett og Kan statsråden lova at denne jordbruksmeldinga som me no har venta på i tre år, vil verta lagd fram slik at Stortinget får tid til å behandla ho i god tid før vårens jordbruksoppgjer? Det er vanskeleg for meg å garantere kva framdrift som er i Stortinget når vi har levert saka, men eg legg opp til å leggje saka fram, slik at Stortinget skal ha rimeleg tid til å behandle ho før jordbruksoppgjeret. Men Men det er besynderleg at i staden for å glede seg over den inntektsutviklinga som er i jordbruket no, har Senterpartiet problem med å akseptere grunnlaget som avtalepartane, altså staten og Norges Bondelag, er einige om ligg til grunn for berekningane som talgrunnlaget mitt på 18¾ pst. er rekna ut frå. Det er berre Senterpartiet som tvilar på det statistikkgrunnlaget, alle andre er einige om det. Då meiner eg at av og til kan vi glede oss over det som går godt. Vi har hatt hjelp av Vår Herre, det har vore gode avlingsår, og mykje har gått rette vegen, men likevel må det vere lov av og til å glede seg over at ting går godt, sjølv om det ikkje er den regjeringa ein skulle ønskje fekk det til, som leverer resultata. Økologi er

økologiske produkter er stigende, spesielt etter enkelte produktkategorier. Samtidig er det langt igjen til Stortingets 15 pst.-mål innen 2020. Spørsmålet er: Hva vil landbruksministeren gjøre for at det blir større samsvar mellom Stortingets mål for økologisk landbruk og forbruk og produksjon av økologiske varer, at Stortingets økologimål kan nås? Hvor høyt prioriteres det? Det er spørsmålet til statsråden. Det er rett at det er veksande etterspørsel etter økologiske produkt, spesielt frukt og grønt. Det er For Venstre vil det nok likevel opplevast som litt utfordrande at etterspørselen kjem i ein av dei sektorane der den norske produksjonen utgjer den minste delen. Når det gjeld økologisk, har vi hatt ein betydeleg høgare produksjon over tid enn det har vore etterspørsel i marknaden. Omtrent halvparten av mjølka som har vore produsert økologisk, har vore omsett som konvensjonell, og det er tilsvarande, men endå litt svakare tal for Over tid meiner eg at det bør vere ein større grad av balanse mellom det som ein produserer, og det som vert konsumert og etterspurt av forbrukarane. Det har vore mange spørsmål, og eg har også svart Riksrevisjonen at eg skal kome tilbake igjen med ein strategi for økologisk jordbruk, men eg vil også, før eg behandlar den ferdig, leggje fram ei melding til Stortinget som også handlar om korleis vi skal handtere den økologiske produksjonen i tida framover.

Vi produserer meir mat, men vi blir samtidig stadig meir avhengige av import av fôr frå utlandet. Det er ein aukande kraftfôrimport også i landbruket. Det gjer Noreg spesielt sårbart. No skal ikkje eg ta til orde for total sjølvberging, men ein større grad av det vil i alle fall gjere oss mindre seier også fleirtalet på Stortinget i landbruksoppgjeret, at vi ønskjer ein forsterka innsats for å hindre at vi blir så sårbare som vi no er i ferd med å bli. Deler statsråden mi bekymring? Premissen for spørsmålet er feil. Det er slik at den norske delen av kraftfôr har gått opp føregåande år. Så får vi håpe det er ein trend som fortset. Hittil ser avlingsåret for norsk korn godt ut også inneverande år, og det gjev håp om at vi får auka delen av norsk kraftfôr. Så det stemmer faktisk ikkje at han går ned for norsk husdyrproduksjon. Samtidig er det openbert slik at det er grunnlag for å stimulere til auka norsk produksjon. Ei av utfordringane som eg synest SV er litt for svake på å ta inn over seg, er at det vi i stort importerer, stort importerer, er proteinkjelder. Det kjem av to ting. Det eine er at vi ikkje brukar kjøtbeinmjøl i norsk fôrproduksjon, og det andre er at vi ikkje brukar fiskebeinmjøl i norsk fôrproduksjonen. Ein tredje ting er at vi produserer korn. Slik får vi auka delen av matkorn i staden for å produsere andre proteinvekstar på norsk jordbruksareal. Det er i sum bra, for det gjev høgast mogleg norsk produksjon.

Derfor har det også det foregående året vært viktig for Kristelig Folkeparti å jobbe for en næringspolitikk som skaper muligheter for neste generasjon, og ikke hinder. «Norge er et land med store muligheter. Vi har en høyt utdannet befolkning og store naturressurser.» Det sa Hans Majestet i går. Det er rett, og skal vi sørge for økt verdiskaping, må vi sørge for at unge mennesker ser mulighetene i nettopp disse næringene. Derfor mente og mener det var helt feil å legge nye steiner til byrden ved å gjøre det vanskeligere for barn som ønsker å ta over gården fra mamma eller pappa, ved å fjerne skattefritaket ved generasjonsskifte, slik regjeringen foreslo i fjor. Vi vet også at vi ved en bærekraftig ressursforvaltning av våre havressurser sitter på store verdier. For å lykkes med å høste av havets ressurser er det viktig å ha godt dokumentert kunnskap om ressursgrunnlaget, slik at dagens unge fiskere kan ta de store investeringene som er nødvendig for framtiden, basert på et dokumentert faktagrunnlag. Derfor har også Kristelig Folkeparti styrket bevilgningen til ressursforskning de siste årene. Den raske teknologiske utviklingen gir mange muligheter. Tidligere i høst var jeg og resten av næringskomiteen i Der traff vi mange gründere, deriblant den norske gründeren innen 3D-printing. 3D-printing vil forandre mye produksjon. En kan sitte et sted, printe et annet sted, der en trenger delene lokalt, og så gå rett til testing av nattens printing for så å gjøre videre utviklingsarbeid resten av dagen. Neste generasjon er avhengig av vår evne til å utvikle oss og tenke framover, men vi er også avhengig av at vi i dag klarer å håndtere økt arbeidsledighet i mange sektorer. Hvis mamma og pappa ikke har jobb, vil det ramme hele familien økonomisk og også gi økt press på foreldrene. Derfor er ikke Kristelig Folkepartis kamp for en tiltakspakke som gir flere arbeidsplasser, bare en kamp for å hjelpe arbeidsledige voksne. Arbeidsledighet i en familie rammer hele familien, ikke bare den arbeidsledige. Skal vi skape trygge og gode hjem, må vi sørge for at de med forsørgeransvar opplever at de kan møte dette. En fortsatt kamp mot arbeidsledigheten er derfor svært viktig og noe som vi må prioritere høyt, også for barnas skyld. I 2013 gikk Kristelig Folkeparti til valg på å jobbe for et samfunn som er bra for barna, fordi vi vet at et samfunn som er bra for barna, er bra for oss alle. Siden den gang har vi jobbet strategisk og målrettet for å sette barnas situasjon på dagsordenen. En særlig sårbar gruppe er barn som kommer til Norge alene. Som regjeringen viste til i sin redegjørelse om rikets tilstand i går, var 2015 et år med høy tilstrømming av flyktninger. Blant disse var det 5 297 barn som kom helt alene. Dette er noen av de mest sårbare barna vi har i Norge i dag. Disse er også en del av neste generasjons nordmenn, som vi skal sikre en god framtid for. Dette er våre barn, og derfor er det opprørende å se at tallet på barn som forsvinner fra mottakene, øker. Barn som forsvinner er like alvorlig, uansett hvor de kommer fra, men vi ser i dag at barn som er flyktninger og alene i Norge, ikke blir fulgt opp godt nok, og at når disse forsvinner, er det dessverre ingen eller Vi vet at disse barna er særlig sårbare og har høy risiko for å bli utsatt for kriminalitet eller menneskehandel. Igjen: Dette er også våre barn, barn som trenger å bli sett, få omsorg og bli beskyttet. For Kristelig Folkeparti er det derfor viktig å sørge for at disse barna har nok voksne rundt seg, og at de voksne som har ansvar for dem, skal ha kompetanse og kunnskap om hva som gjør barn ekstra sårbare. Vi trenger voksne som ser dem, og som ser hvilke utfordringer disse barna kjemper med, og voksne som kjemper nettopp for dem som ikke har andre til å kjempe for seg. Vi har rett og slett ikke mulighet til ikke å lykkes, for disse barnas skyld. Alle snakkar om havet. Det er

Skal det skje på premissane til nokre få, store aktørar, eller skal det skje på nasjonen Noreg og kystfolket sine premissar? Vi kjem ikkje utanom det spørsmålet. Vi har gjort denne øvinga før som nasjon – med vasskrafta, med olja. Vi har passa på at det aldri var nokon tvil om eigarskapen og inntektene. Vi sørgde for at samfunna der desse næringane går føre seg, tar del i verdiskapinga. Denne lærdomen ser ut til å vere gløymd eller oversett når det gjeld havet, for dei siste 30 åra har det skjedd ei rask og ukontrollert endring av norske fiskeri, og sidan nyttår har det eksplodert. Det blir stadig færre båtar. Rettane går frå dei mindre kystbåtane til stadig større industrielle båtar. Landindustrien fortel at dei allereie merkar dette – med færre landingar og mindre verdiskaping på land. Fiskekvotar blir samla på færre hender, og det fører til ei opphoping av rettar på færre stader. Færre kystsamfunn får ta del i fiskeria, ikkje fordi det er dårleg fiske, men fordi dei ikkje har råd til å vere med på prisgaloppen. Etter at Per Sandberg blei fiskeriminister, har kostnadene på fiskekvotar og rettar gått i vêret, ofte tre- og firedobla seg, berre i løpet av året. No er prisane så høge at til og med fiskarar har problem med å overta tillatingar, og vi ser allereie at ungdom

strukturen i fiskeria utviklar seg. Det er ingen som veit korleis norske fiskeri vil sjå ut om 10–20 år. Vi har kasta frå oss makta og overlate det til marknaden. Det har blitt sagt at marknaden er ein god tenar, men ein dårleg herre. I fiskeripolitikken har marknaden blitt herren, og det ikkje utan at Stortinget har reagert. Stortinget har ved fleire høve reagert på denne utviklinga. La meg berre skru tida kjapt tilbake til tilbake til mars–april i år, da vi behandla sjømatindustrimeldinga. Da sa ein samrøystes komité: «Komiteen mener at effektuering av endringsforslag vedrørende strukturering bør avvente Eidesen-utvalgets arbeid, slik at man får en helhetlig tilnærming til strukturpolitikken, og dermed synliggjort hvilke konsekvenser disse endringene vil gi.» Det var klar melding frå Stortinget. I instrukssaka rett før sommaren uttalte komiteen – også uttalte komiteen – også da samrøystes – følgjande: «Komiteen mener Norges Fiskarlag i sitt innspill bedre fanger opp hensynet til de mindre fiskefartøyene samtidig som det gis en viss åpning for bevegelse mellom de ulike størrelsesgruppene innen kystflåten.» Sandberg har ikkje følgd opp formaninga frå Stortinget i det heile. Vidare sa komiteen – framleis samrøystes: «Komiteen viser til at Stortinget vil foreta en helhetlig behandling av strukturspørsmål i fiskeflåten som en del av oppfølgingen etter regjeringens ekspertutvalg som skal utrede hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være i

Fiskeriministeren har sjølv sett Stortinget i ein heilt umogleg situasjon, der vi berre har éin ting å gjere. Difor føreslår SV i dag full frys i omsetninga av kvotar og rettar i kystfiskeflåten til vi har fått ein full gjennomgang av systemet, til vi har fått nokolunde kontroll over det som skjer. Stortinget må rett og slett ta tilbake makta – makta som vi aldri har gitt frå oss. Det hersker i denne debatten bred enighet om at Norge er

Den har tjent oss godt. Under Stoltenberg-regjeringen ble det skapt 360 000 nye jobber, de aller fleste i privat sektor. Nå utfordrer regjeringen denne modellen, den modellen som er fundamentet for en vellykket omstilling. Regjeringen har hatt troen på at betydelige skattekutt til dem som har mest fra før, skulle gi flere arbeidsplasser. Resultatene har uteblitt. Det skapes knapt nye arbeidsplasser her i landet, og de få nye som etableres, kommer i offentlig sektor.

men for noen mennesker også en trussel – en utfordring. Vi vil effektivisere og automatisere mange oppgaver som i dag utføres av mennesker. For mange mennesker – mange titusen mennesker, kanskje – vil det være en utfordring. Vil jobben min bestå? Kommer selvkjørende biler, T-bane og tog til å overta jobben min? Vil Uber erstatte drosjenæringen? Disse endringene – og mange endringer – må møtes med en klar plan og strategi. Hvordan skal vi utnytte digitaliseringen til beste for fellesskapet? Hvordan møter vi de åpenbare utfordringene dette vil ha for den enkelte arbeidstaker? Her er det ingen strategi eller vilje til å tenke langsiktig fra denne regjeringen. Politisk lederskap er å vise retning. Regjeringen svarer med å vise til ideologi – det er marked for markedets egen skyld. Det ser vi i denne debatten. Når vi adresserer spørsmålet knyttet til de 139 000 faktisk arbeidsledige menneskene vi har i dette landet,

Utrygghet for arbeid og utrygghet i arbeid svekker livskvaliteten, og det er en viktig årsak til økt ulikhet. Økt ulikhet svekker fellesskapet vårt. Den andre store utfordringen er klimaet. Transportsektoren står for om lag en tredjedel av det innenlandske utslippet, og skal vi nå våre internasjonale forpliktelser som følge av Paris-avtalen, må det ifølge tidligere statsråd Sundtoft dramatiske virkemidler til.

Det viser at initiativet ligger i Stortinget, det ligger ikke hos denne regjeringen. Jeg forventer at regjeringen nå løfter blikket, klarer å skue framover og komme tilbake til Stortinget gjennom Nasjonal transportplan og adressere både digitaliseringsutfordringene, de mulighetene som ligger der, og klimautfordringene. Den omstillingen vi står overfor, løser vi best i fellesskap. Regjeringen svekker fellesskapet. Derfor må vi få en ny regjering neste år.

men Arbeiderpartiet sutrer, for de er redd for at Høyre og Fremskrittspartiet kan fortsette å sitte i regjering. Verden har ikke råd til å la millioner av barn vokse opp uten å ha lært ferdigheter som sikrer dem muligheter for jobb og en trygg framtid, sa statsministeren da hun overleverte rapporten med anbefalinger om finansiering av utdanningsmuligheter til FNs generalsekretær for et par uker siden. Det er Norge og vår statsminister som sitter i førersetet for å oppnå FNs bærekraftsmål nr. 4, om utdanning. Verden har blitt enig om bærekraftsmålene, og mål nr. 4 er kvalitetsutdanning for alle barn innen år 2030. Vår regjering «walks the talk». Nå følges nemlig regjeringens intensjon om å doble bistanden til utdanning i denne stortingsperioden opp. opp. Regjeringen foreslår en økning for 2017, og med dette budsjettet vil vi da ha økt bistanden til utdanning fra 1,7 mrd. kr i 2013 til 3,4 mrd. kr i 2017 – for ikke å glemme at utenriksministeren nettopp i dag forteller at i budsjettforslaget kommer 1 pst. av BNI til bistand. Vår regjering jobber aktivt for å bekjempe fattigdom og økende forskjeller – både hjemme og ute. Den viktigste nøkkelen til å få seg arbeid er kunnskap, enten du bor nord for Fredrikstad eller sør for Sahara. Derfor er kunnskap en av regjeringens hovedsatsinger, og derfor ligger det også en stor satsing på yrkesfaglig opplæring inne i budsjettforslaget. Den skal bidra til sysselsetting og næringsutvikling for de store ungdomskullene som kommer ut på arbeidsmarkedet bl.a. i Afrika sør for Sahara de kommende årene. Ja, Norge har en moralsk forpliktelse til å bekjempe urettferdighet og fattigdom. En av verdens største urettferdigheter er manglende tilgang til helsetilbud. Derfor vil også dette feltet fortsatt ha vår oppmerksomhet. Både utdanning for alle og tilgang til helsehjelp er viktige premisser for å oppnå utvikling. Bombingen av sykehus i Syria hvor 800 medisinske hjelpearbeidere har mistet livet siden konflikten startet, er groteske angrep. I dag er det ett år siden bombingen av Leger Uten Grensers sykehus i Afghanistan. Det er uakseptabelt å bombe sivile, barn og sykehus, og de viser ingen medmenneskelighet. Selv ikke krigens folkerett følges av partene i Syria. Konflikten i Syria har skapt den største flyktningkrisen i vår tid. Behovet for humanitær hjelp har økt dramatisk de siste årene. Derfor har regjeringen økt den humanitære bistanden med 50 pst. siden 2013. Også her er utdanning viktig for oss, og betydelige andeler settes derfor av til undervisning for barn og unge i krise- og konfliktområder. En vesentlig del av økningen i den humanitære bistanden går til å hjelpe befolkningen i Syria og flyktningene i nabolandene. Statsministeren tok initiativ til at Norge var vertskap for giverlandskonferansen i London i februar 2016, som innbrakte totalt 11,3 mrd. dollar til Syria fra verdenssamfunnet, det meste som noen gang har kommet inn på en giverkonferanse. En annen sak som ligger meg på hjertet, og som jeg er stolt over at min regjering leverer, er handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i Å realisere kvinners menneskerettigheter er et mål i seg selv og en drivkraft for demokrati, bærekraftig utvikling, fattigdomsutryddelse, stabilitet og varig fred. Norge har legitimitet på dette området, og regjeringen bruker vår politiske kapital, vår erfaring og kunnskap for å fremme kvinners rettigheter. Hele den norske utenrikstjenesten er nå forpliktet til innsats for å styrke kvinners rettigheter. Kvinners rettigheter er en selvfølgelig menneskerettighet, og kvinners rettigheter. Kvinners rettigheter er en selvfølgelig menneskerettighet, og Norge ivaretar sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser på en meget god måte. Flere av FNs konvensjoner, herunder Barnekonvensjonen, er gjort til norsk lov med forrang foran annen lovgivning. Norge er part i de fleste av FNs konvensjoner om menneskerettigheter, og regjeringen arbeider aktivt for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene både nasjonalt og internasjonalt. Norge er og skal være en sentral støttespiller for menneskerettighetsarbeidet i FN, politisk og økonomisk. Regjeringen vår la derfor i 2014 fram den første stortingsmeldingen om menneskerettigheter på 25 år som ble behandlet i denne sal.

Vi skal bruke de samme standardkravene til våre nye veier som nabolandene våre bruker. Vi trenger mer ny møtefri hovedvei for de pengene vi investerer, som vil bedre sikkerheten. Vi mener at fartsgrensene på norske veier bedre må reflektere veiens standard. Skal flere respektere fartsgrensene, er også en slik realitetsorientering helt nødvendig. Vi har nå etablert fartsgrense på 110 km/t på våre beste veier, som en mellomstasjon til en ny målsetting om 130 Danskene har det, med gode resultater. Vi ønsker å etablere et høyhastighetsveinett som binder landsdelene sammen. Vi vil ha den nasjonale motorveiplanen fram igjen, den som ble laget, for så å bli lagt i en skuff en gang på 1960-tallet. Effektive høyhastighetsveier er viktig for et land med spredt bosetting, dette for at vi skal kunne ha næringsliv over hele landet og kunne legge til rette for gode Dette blir viktig for Fremskrittspartiet i den kommende nasjonale transportplanen. Jernbanereformen vil gi oss en mer effektiv utbygging av baneinfrastruktur, der vi slipper alle gode krefter til for å utvikle et togtilbud til kundenes beste. Like viktig som å bygge nytt er å ta godt vare på all den infrastrukturen vi har. Både veier og jernbane har forfalt i Norge gjennom flere regjeringsperioder. Under den rød-grønne regjeringen økte vedlikeholdsetterslepet på både vei og jernbane hvert eneste år av regjeringsårene. Vi reduserer vedlikeholdsetterslepet. For jernbanen betyr dette bedre punktlighet og færre driftsavbrudd. For veiene betyr dette at trafikksikkerheten bedres, og at det blir mindre slitasje på kjøretøy. Det viktigste vi kan gjøre for trafikksikkerheten, er å bedre veistandarden og kvaliteten på veien. Vedlikeholdsetterslepet må bort, og vi må sørge for et vedlikehold som holder jevn og god kvalitet på infrastrukturen vår. Dette vi1 være en viktig del av arbeidet med den kommende nasjonale transportplanen, og vi vil ha en strategi for å bli kvitt vedlikeholdsetterslepet. Det blir ikke mer vei eller bedre vedlikehold hvis man ikke investerer mer penger. Regjeringen bruker mye ressurser på transportinfrastruktur, og Fremskrittspartiet vil bruke enda mer penger i årene som kommer. Nettopp derfor bruker denne regjeringen mer penger – for å bygge landet og stimulere til flere arbeidsplasser.

dette landet trenger. Dette er noe vi dessverre har lang erfaring med fra Arbeiderpartiet i regjering. For landet og for vanlige folks transporthverdag vil det nærmest være en katastrofe. Derfor trenger vi ingen ny arbeiderpartiregjering hvis man skal reversere alt det gode som er satt i gang for å bygge mer. Hvis man skal sette reformer på vent, tenke, gå tilbake til gamle takter

Tysklands største bank, i trøbbel. De har fått en bot fra det amerikanske justisdepartementet på om lag 200 mrd. kr. De er enormt høyt eksponert i omsetning av strukturerte låneprodukter, der realsiden av produktet ikke stemmer med pantets verdi, og de sitter på et fjell av derivater, estimert til 42 trillioner dollar, jamfør Tysklands BNP, som er på 3,3 trillioner dollar, eller EUs BNP, som er på 16,3 trillioner dollar. De har en svak egenkapital. Den tyske statslederen, Merkel, har sagt at den tyske stat ikke vil redde Deutsche Bank. Hva vil skje om hun holder ord? Blir det «big bang», eller blir det en gradvis forverring av folk flest sine kår? Uansett hva det blir, blir det i hvert fall store endringer, og det kommer til å ha store konsekvenser for Norge, som er en liten, utadvendt økonomi. Norge må forberede seg. I regjeringa snakkes det om endringer og reform. Arbeiderpartiets leder sier at en må ha en annen retning for landet, Norge er ikke lenger et unntak. Jeg er helt enig. Hva må vi gjøre? Vi må ha reformer, ja sjølsagt må vi ha reformer. Vi må ha reformer som innebærer at en har respekt for både har respekt for både røtter og vinger, rotfeste og nyskaping, men en må ha et kompass i de endringene og de omstillingene en skal gjøre. Kan vi f.eks. fortsette med å tufte full sysselsetting på lånefinansiert privatkonsum? Dagens gjeldsnivå er to og en halv ganger bruttoinntekten, og det er en enorm utfordring når gjelda ikke kan øke, i hvert fall ikke mer enn lønnsveksten framover, for da å sikre full sysselsetting i Norge. Vi har et altfor stort råvaresalg i Norge, vi har altfor lite foredling av varer, vi har altfor svak lønnsomhet gjennom de lange verdikjedene ved å produsere og foredle fornybare naturressurser. Vi må sette inn tiltak, vi må bryte med næringsnøytraliteten, vi må få en strategisk industripolitikk som griper fatt i hva som er Norges muligheter ut fra kunnskap, tradisjon og råvarer. EØS-avtalen, med fri bevegelse av arbeidskraft, fører til et press i arbeidslivet som gjør at jambyrdigheten svekkes. Vi har fri bevegelse av kapital, som fører til at vi har et kostnadsnivå på kapital i Norge som er helt feil med tanke på det som er den norske situasjonen. Vi får så lett tilgang på kapital at vi får boligbobler, med de konsekvenser det fører til over tid. Sjølsagt må EØS-avtalen sies opp. Vi har et utdanningssystem hvor kritisk sans, tenke sjøl og ta ansvar ikke er særlig påaktet, men hvor det er et veldig fokus på karakterer. Men som jeg har lært av min gode kollega fra Høyre i arbeidskomiteen: Det er altfor lite fokus på det å ha en karakter. Vi har en systematisk sentralisering av makt fra regjeringa, fra Høyre og Fremskrittspartiet, som fører til – sjølsagt – at en får en sentralisering av aktivitet. Når en sentraliserer makt, får en sentralisering av aktivitet. Når en sentraliserer aktivitet, får en krymping av landet. Det er jo helt feil. Det er helt feil når det er desentralisering som tjener folkets interesser. Det er en desentralisering som gir oversikt, og som gir mulighet til å trekke veksler på hele landets muligheter, som er framtida. Tilbake til utgangspunktet: Internasjonal finanssektor er i trøbbel. Den er i kjempetrøbbel, den er i mye større trøbbel enn det som blir debattert i denne sal. Det vil bli alvorligere, og det vil få store konsekvenser. Derfor må Norge nå sette realøkonomien foran finansøkonomien. Det er en appell at vi nå får en overordnet politisk debatt om hva som skjer internasjonalt, hvilke konsekvenser det vil få for Norge, og hvordan vi skal forberede oss, slik at vi kan produsere slik at vi har grundige arbeidsplasser i Norge, og at vi har et politisk lederskap som tar tak i det, og at vi da får det til. La oss få fram alternativene fra de blå, de røde og de grønne partiene i norsk debatt sånn at vi kan diskutere hvilke veier vi står overfor, og så legge det fram for

Myanmar, Sri Lanka, vårt initiativ overfor moderate deler av Taliban i Afghanistan, Israel og Palestina viser at det er ikke alltid vi lykkes. Mange ganger mislykkes vi, men når vi lykkes, har det enorm betydning for de konfliktene hvor vi bidrar. Det er ingen automatisk kobling mellom økt utrygghet i verden og at Norge skal ha en mer uklar eller en forsiktighetslinje i utenrikspolitikken. Tvert imot mener jeg at en mer utrygg verden må kreve en utenrikspolitikk som er preget av mot og vilje til å gå nye veier. Dagens regjering har dessverre kuttet i bevilgningene til freds- og forsoningsarbeid, og mitt inntrykk er at viljen til å engasjere seg i kompliserte politiske situasjoner er blitt mindre. Vår innsats kan få stor betydning. Håpet om fred lever fortsatt i Colombia. Det er gledelig at regjeringa har varslet at den i statsbudsjettet som nå legges fram, går inn for 1 pst. av bruttonasjonalinntekt til utviklingshjelp. Dermed mener jeg det endelig er grunnlag for et forlik i Stortinget om 1 pst. av BNI til bistand. Arbeiderpartiet har fremmet dette forslaget tidligere, men blitt nedstemt av regjeringspartiene og støttepartiene. Kanskje kan vi nå få flertall for dette forslaget. forslaget. Da får vi nemlig rettet oppmerksomheten mot det som er viktig – innretningen og effektiviteten av utviklingsbistand. For regjeringa må det være et tankekors at det mest gjennomtenkte strategidokumentet for norsk utviklingspolitikk ble framlagt for Stortinget nylig, men ikke av regjeringa selv. Den ble framlagt som en skyggemelding fra Kristelig Folkeparti om utviklingspolitikk. Dessverre har vi ikke lenger en egen utviklingsminister, men i denne sesjonen får vi forhåpentligvis en bred og omfattende diskusjon om utviklingspolitikk på bakgrunn av den skyggemeldinga som har blitt lagt fram. Regjeringa la på forsommeren omsider fram sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Planen er dessverre ikke fullstendig. Viktige veivalg og investeringer for Hæren og Heimevernet er skjøvet ut i tid i en egen landmaktutredning. Hensikten med langtidsplanen er å få behandlet ulike forsvarsgrener i sammenheng. Vi skal likevel gjøre en skikkelig innsats for å finne ut hva som kan forene oss i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Men bærekraften i regjeringas plan avhenger av en ting: Kommer det penger allerede i 2017? Eller er dette en plan som andre skal innfri? Det er nemlig veldig lite overbevisende å lage en ambisiøs plan hvis man ikke er villig til å betale for den det første året. Forsvaret vårt trenger både forutsigbarhet og realistiske rammer. Troverdigheten til planen vil avhenge av at det kommer penger i

Dessuten – siden det er så populært å samle politikken mellom to permer for tiden: Det blir en ganske tykk bok dersom vi samler alle de gode tiltak den sittende regjering har satt i gang, og som Arbeiderpartiet nå annonserer er deres idé, som de ville satt i gang dersom de hadde fått fortsette i regjering for tre år siden – tiltak de ikke satte i gang gjennom åtte år med flertallsregjering. Vi takker for øvrig for anerkjennelsen av de gode ideene som nå innføres. En stortingsperiode går fort, spesielt når vi har en regjering som gjennomgående er villig til å gå gjennom politikkområde for politikkområde for å se om tiltak og ressurser er treffsikre. Det er et krevende arbeid. Det krever undersøkelser og dialog med dem det gjelder. Det krever en regjering som våger å gjøre viktige valg, gjøre omprioriteringer og etablere nye og bedre satsinger. Det er godt å se resultatene som nå kommer av dette arbeidet. Regjeringen gjør det enklere for den enkelte innbygger å ha kontakt med det offentlige. Regjeringen forenkler byråkratiet for frivilligheten og organisasjonslivet. Regjeringen etablerer nye ordninger som incentiver for dem som yter noe organisasjonslivet. Regjeringen etablerer ordninger som inviterer flere til å bidra, og på den måten økes innsatsen utover regjeringens egne økninger. Dette målrettede og suksessfulle grepet for å øke den totale ressursen til løft i frivillighet, kulturarbeid og talentutvikling er forresten en av de sakene Arbeiderpartiet ikke skryter av å ha kommet på. Nei, tvert imot, de mener det er helt feil at vi får mer penger til aktørene på denne måten. De vil tilbake dit de alltid har vært: Offentlige penger er bedre enn andre penger, de som ikke ivaretar vedlikehold og utvikling selv, skal få ekstra penger, og for øvrig skal finansiering skje mest mulig jevnt utover med offentlige penger. De synes det viktigste er hvor stor andel av det totale budsjettet som går f.eks. til kultur, ikke om det kan skaffes mer penger gjennom et samarbeid. De vil ikke ha et prosjekt som Talent Norge, som konkret og uten sidestykke har skapt et historisk løft og god hjelp for kulturarbeidere i fasen der det trengs hjelp til å komme videre og bli synlige i et tøft arbeidsmarked. Nå ser vi norske utøvere bli løftet opp innen teater, dans, musikk og prosa. Det er et godt valg for den enkelte utøver. Det er god inspirasjon for alle dem som ønsker å komme dit, det gir inspirasjon og rekruttering. Jeg er glad og stolt over de valg regjeringen har gjort gjennom disse satsingene. Så hører jeg at det i salen i dag fortelles en historie om at likestillingen går kraftig tilbake under denne regjeringen. Det er åpenbart basert på at gjennom å velge andre løsninger enn de rød-grønnes ideologiske valg går det gal vei. Trettebergstuen mener regjeringen er i utakt med folket.

og at andelen barn i barnehage øker. «Virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker» er Ernas formaning til oss i Høyre i alt vårt politiske arbeid. Det betyr å prioritere deretter. Det arbeidet vil vi fortsette. Det betyr endringer for å fange opp endringer i samfunnet. Det betyr nye måter å innrette ressursene på, det betyr forenkling, det betyr tiltak som treffer i akutte situasjoner. Det betyr en solid satsing på kunnskap som ruster oss for nye utfordringer, og Norge som en solid aktør i utviklingen av framtidens løsninger. Det er tøft og krevende, men det har vi rygg til å bære!

gode kår for tida. Demagogar, opportunistar og politiske rørsler frå dei politiske ytterkantane vinn fram i mange land i Vesten. Ved å spele på frykt i befolkninga har dei lukkast med å vinne ei folkerøysting mot flyktningar i Ungarn, å melde Storbritannia ut av EU og å nominere Donald Trump som

Vareeksporten som del av det globale bruttonasjonalprodukt auka frå 8 pst. i 1950 til 20 pst. ved årtusenskiftet. Denne eksportdrivne veksten har ført hundrevis av millionar menneske ut av fattigdom i land som Kina, og han har omforma land som Sør-Korea og Irland – ja i og for seg også Noreg, som har ein svært open og eksportdriven økonomi. Det å ha ein open og rettferdig verdshandel er i høgste grad i vår nasjonale interesse. I tillegg til fordelane som har kome frå den frie flyten av varer, har verda også dratt fordelar av ein relativt open migrasjonspolitikk. Det at folk kan søkje lukka på tvers av landegrenser, har bidratt til å løfte dei sjølve ut av fattigdom. Det bidrar positivt til og dei fleste sender også betydelege verdiar til sine gamle heimland. At det liberale credoet om opne grenser har vore så dominerande i vestleg politikk over mange år, har vore den viktigaste grunnen til at vi har klart å utjamne økonomiske forskjellar i verda og å auke levestandarden for vanvitig mange menneske. Utfordringa med det vi no ser, er at det også påverkar meir moderate politiske krefter. Motstanden mot handelsavtalar har no vorte så stor at det er alvorleg tvil om ratifisering av TPP, ein handelsavtale som vil kunne bidra til enorm verdiskaping og styrking av bl.a. arbeidstakarrettar i Søraust-Asia, og det blir stadig større tvil om det vil bli noko av TTIP, ein planlagd handelsavtale mellom EU og USA, som vil kunne styrkje dei transatlantiske banda og setje høge standardar for handel og for investeringar, som også resten av verda ville måtte rette seg

at dei kunne verne om 1 200 amerikanske arbeidsplassar, men resultatet vart altså at for kvar arbeidsplass ein redda, kosta det amerikanske forbrukarar ca. 7 mill. kr i auka utgifter. Så har globaliseringa klare utfordringar. Store multinasjonale selskap organiserer seg slik at dei knapt betaler skatt der verdiar blir skapte. Arbeidstakarar blir pressa av urettferdig konkurranse frå land som ikkje følgjer akseptable og klimautsleppa kjenner som kjent ingen landegrenser. Men løysinga på dei utfordringane er ikkje å skru tida tilbake. I Venstre er vi optimistar på vegner av framtida, optimistar på vegner av teknologi og ikkje minst på vegner av menneske sin kreativitet i møte med nye utfordringar og nye moglegheiter. Når bedrifter, menneske og klimaendringar ikkje lenger kjenner landegrenser, kan ikkje politikken gjere det heller.

konflikt. Vi må også engasjere oss ved å kutte dei globale klimagassutsleppa både gjennom å vere aktivt til stades ute og ikkje minst gjennom aktiv politikk her heime. I møte med politiske trendar som set framgangen vi har opplevd, i heilt reell fare, må Noregs rolle vere å stå opp for fredeleg internasjonalt samarbeid, for handel på tvers av landegrenser og for ein migrasjonspolitikk som sikrar både økonomisk vekst

Det finnes ingen politisk kraft i Norge som i sterkere grad har bidratt til næringslivsutvikling og innovasjon i det norske samfunnet, enn norsk sosialdemokrati og norsk fagbevegelse. Det er de som har vært motoren, arkitekten i utvikling av norsk arbeidsliv, og som har bidratt til at vi har en sysselsettingsgrad i Norge som overgår alle Er det fordi vi har ført Høyres resept – om skattelettelser og svakere velferdssamfunn og svakere ordninger innenfor arbeidsmiljøloven? Nei, det er fordi vi ikke har gjort det. Når jeg hører disse nye statsrådenes taler, landbruksministeren og arbeidsministeren, bruker jeg det ordet som det er grunn til å bruke: De er historieløse. De er historieløse. De respekterer ikke at det er helheten i samfunnet som skaper grunnlaget for sysselsetting og utvikling. Hva tror Høyres representanter i denne salen er grunnen til at internasjonal økonomi strømmer inn i det norske samfunn og vil investere her? Det er fordi det er et stabilt samfunn med høy utdanning, god helse og et fleksibelt næringsliv, fordi vi har en stabil velferdsstat, og fordi Arbeiderpartiets representanter i regjering eller andre steder ikke har foreslått å kutte i de velferdsordningene som gjør at folk kan føle trygghet – som den nåværende arbeidsministeren har gjort. Det burde jo ikke skje i et velferdssamfunn. Og så skal de komme hit på denne talerstolen og belære Arbeiderpartiet om hva som er grunnlaget for velstandsutviklingen i Norge. Det er historieløst. Men sånn har Høyre-folka drevet på i alle år. Det er helt etter boka. Men de har ingen svar på det som er et annet hovedspørsmål i denne debatten: Hvorfor greide vi å etablere 350 000 arbeidsplasser og de 25 000? Hvorfor blir ikke det besvart? Det nytter ikke å komme med oljeprisen i alle sammenhenger. Det er fordi vi bruker samfunnets midler til nettopp fordi vi bruker samfunnets midler til nettopp å ta ansvar for sysselsettingen og ikke overlater den til den såkalte næringsnøytraliteten og det at samfunnet ikke skal ta tak i disse forholdene. Dette er en historisk dimensjon som det er helt avgjørende å ha klart for seg, og som er et viktig skille, selvfølgelig, i forholdet mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Det gjentar seg og gjentar seg, men det ligger der, og det er nettopp derfor det er to forskjellige politiske partier. Så til et annet forhold: Både Venstres leder, Trine Skei Grande, og nå den sindige og – jeg mener dette ordentlig – gode representanten fra Nordfjord har holdt to tenksomme innlegg. Og dette er ikke sarkastisk ment nei, det er ikke sarkastisk ment. De tar opp en politisk tradisjon som Høyre har representert, og som bygger på den sosialliberale forståelsen av samfunnet. Det er bra. De sier at vi ikke må bygge samfunnsutviklingen på frykt. Alle må jo være enige om det. Men da spør jeg Skei Grande og Rotevatn: Hvem er det som står for den politiske kulturelle utviklingen i den norske debatten? Det er Fremskrittspartiet. De bygger nettopp mye av argumentasjonen sin på å stigmatisere og snakke om andre mennesker som om de er noen andre enn oss. Da kommer vi til det store paradokset – gjennom presidenten, Hvorfor støtter dere et sånt parti i regjering? Når man holder så gode innlegg i salen – Skei Grande gjorde også det og bar fram denne sterke tradisjonen, med tanke på Venstres historie i norsk politikk – er dette uforståelig for meg, men jeg vil gjerne ha det forklart, hvis det er

Hvorfor står det på Arbeiderpartiets egen hjemmeside at skattelette trygger arbeidsplasser, mens Arbeiderpartiet i Stortinget mener at det ikke gjør det? Vi i Høyre vet at dette virker. Tillit til næringslivet er også aktiv skattepolitikk. Målt mot land vi konkurrerer med, har Norge skåret lavt på graden av forskning i næring. Vi skårer også lavt når vi blir målt på evnen til å kommersialisere forskning. I Høyre er vi ambisiøse på vegne av forskningsnasjonen Norge. Vi har en forventning om at 3 pst. av BNP går til forskning i 2030, og vi forventer at to tredjedeler av dette skal være forskning i næring. For å bevege oss mot dette målet har vi styrket satsingen på næringsrettet forskning med 2,4 mrd. kr. Våre møter med næringslivet i dag viser at program som SkatteFUNN, Brukerinitiert innovasjonsarena og de nye gründerprogrammene betyr en forskjell. Det Hørte jeg om en regjering som bare var opptatt av skattelette til de rike? Avslutningsvis har jeg en kommentar til representanten Kolberg når det gjelder frykt og hans forsøk på å peke på Fremskrittspartiet som den som bærer frykt til den politiske arena. Da jeg førte valgkamp før stortingsvalget i 2009, så jeg en dag en overskrift fra Oslo der Jan Bøhler var ute og sa at han forsto dem som fryktet innvandring. Han forsto frykten for innvandring, systemet var ikke helt på plass, og han kunne forstå deler av den kritikken som kom fra Fremskrittspartiet. Det gikk fire dager, så kunne jeg høre lederen i Finnmark Arbeiderparti med den samme retorikken – hun forsto frykten for det samiske og forsto at innbyggerne kunne bli engstelige når man så debatten rundt det samiske. Det er faktisk sånn at Arbeiderpartiet veldig beleilig bruker enhver mulighet til å hoppe på en debatt hvis også frykt kan brukes som verktøy for å sanke stemmer. Det er med respekt å melde ikke riktig at Fremskrittspartiet er de som bærer ved til det

om å fjerne denne fristen. Men vi fikk det til, det ble vedtatt. Vi vet også at overgrep ofte medfører traumer, som gjør at det kan gå flere tiår før et offer klarer å samle tankene nok til å gå til anmeldelse. Det at saken tidligere kunne ende med henleggelse, som foreldet, var et nytt overgrep mot offeret, men denne gangen fra statens side. Denne styrkingen av ofrenes rettssikkerhet har vært utrolig viktig for Fremskrittspartiet, og jeg er glad for at vi i denne perioden opplevde at nesten et samlet storting var enig. I denne perioden har vi også sett en handlekraftig justisminister som har skåret igjennom embetsverket. Innføringen av en ny straffelov er endelig gjennomført, en lov enkelte instanser hevdet ikke kunne implementeres før i 2021 – 16 år etter at loven ble vedtatt. Men nå er den nye loven implementert, og strafferammen for vold i nære relasjoner er økt fra 6 til 15 år. Dette er en viktig seier, og jeg er glad for at vi har fått dette til. Det er ikke bare voldsofre på to ben som har krav på trygghet og sikkerhet. Dyr har også krav på trygghet og verdighet. Jeg er derfor veldig glad for at vi gjennom vår regjeringsdeltakelse med Høyre og gjennom godt samarbeid med våre støttepartier endelig har fått på plass

Dette er nemlig, dessverre, illustrerende for denne type kriminalitet. Forskningen er klar på at personer som begår vold mot dyr, ofte begår vold mot mennesker senere. Derfor håper jeg på ytterligere støtte, slik at vi kan få ordningen med dyrepoliti landsdekkende. Regjeringen har sørget for at grensekontrollen er styrket betraktelig. Antallet tollbetjenter ble økt med hele 20 pst. bare i inneværende år. Det innføres nå døgnkontinuerlig kontroll på Svinesund og Ørje, som er to av de tre mest trafikkerte grenseovergangene. Samtlige grenseoverganger som ikke har døgnbemanning, vil nå bli videoovervåket. Det opprettes et eget etterretningssenter for tollvesenet, og samarbeidet med politiet har blitt langt bedre. Kort sagt: Grensene har blitt tryggere. Regjeringen har også igangsatt en reform som vil bidra til å gjøre gatene langt tryggere. Reformen er understøttet av en historisk politisatsing. Når denne regjeringsperioden er ferdig, vil vi ha ansatt over 1 300 nye politifolk. Dette er en avgjørende satsing dersom vi skal nå målet om to politifolk per 1 000 innbyggere innen 2020. 2020. Ved neste valg vil vi kunne nå dette målet, i god tid før 2020. Sammenholder vi dette med en styrket bombegruppe, styrket beredskapstropp, nye politihelikoptre som kommer, og pansrede politibiler i hvert politidistrikt, står politiet nå langt bedre rustet overfor et potensielt terrorangrep. Vi ser også helt tydelig helheten i Regjeringens offensive satsing på nye stillinger i påtalemyndigheten er av politijuristenes leder omtalt som tidenes løft. Justisministeren og regjeringen har også tatt grep for å sørge for at anmeldelser med kjent gjerningsmann ikke skal kunne henlegges, disse sakene skal etterforskes. Vi har også vært veldig opptatt av at vi ved regjeringsskiftet sist valg opplevde at vi hadde overfylte fengsler pst. dekning, 1 200 personer i soningskø. Å slippe de kriminelle fri var ikke et alternativ. Regjeringen har sørget for flere nye fengselsplasser. Vi har sørget for en avtale med Nederland som på kort tid vil bidra til at fengselskøen snart er historie. Dette sammenholdt med byggingen av nye fengselsplasser i Norge vil bidra til at vi også sørger for at ikke vil være et ord i norsk vokabular i tiden
Sist lørdag så vi at statsministeren tok med seg kulturministeren og kommunalministeren på boksekamp for å feire at proffboksing er blitt tillatt i Norge, og det var et ledd i en feiring som har strukket seg over mange dager, med mye bløtkake. Det er nesten rørende å se begeistringen, sånn som vi også har sett det i saker som omhandler Segway og lakrispiper. I dag har vi også sett og hørt et engasjert Høyre, sånn som vi kjenner dem, med dyp indignasjon over det som Høyres parlamentariske leder kaller «det høye skattetrykket i Norge» – av frykt for at landets rikeste i neste stortingsperiode må være med på å bidra mer for å skape vekst og arbeidsplasser i hele landet, for å ruste helsetjenester og eldreomsorg for å satse på skolen, sånn at alle unger får like muligheter til å ta i bruk sine evner og sitt potensial. Og Høyre har i dag bekreftet at skattekutt til de rikeste er deres hjertesak. Det er en nyttig avklaring. For Arbeiderpartiet er det arbeid, skole og helse som er viktigst. Norge har et godt utgangspunkt, men usikkerheten for framtiden er større enn før, og da må vi stille spørsmålet: Prioriterer regjeringen de viktigste sakene, gjør de de rette veivalgene, bruker de fellesskapets ressurser på en framtidsrettet måte? Svaret er dessverre nei. Konsekvensene av regjeringens politikk er større forskjeller mellom folk og mellom ulike deler av landet. I mitt fylke, Finnmark, er kombinasjonen av skattekutt, sentraliseringspolitikk og mer markedsstyring meget uheldig. Mens regjeringen setter ny rekord i antall byråkrater, opplever Finnmark at den ene etaten etter den andre sentraliseres, og at arbeidsplasser, kompetansemiljø og beslutninger flyttes ut av fylket. Når Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø ikke ble kuttet med 10 mill. kr i fjor høst, så var ikke det på grunn av Fremskrittspartiet som fremmet det forslaget; det var på tross av Fremskrittspartiet og regjeringen. Og det er flott at Fremskrittspartiet vil ha et landsdekkende dyrepoliti, men vi vil også ha et landsdekkende politi! Og når politidistriktene er blitt kuttet med 400 mill. kr på to år, går det også ut over nærpolitiet i Finnmark og i Distrikts-Norge for øvrig. Kommunene, og ikke minst fylkeskommunen, er underfinansiert. For noen skal jo betale skattekuttene til regjeringen – og de betales av elevene i den videregående skolen i det fylket i landet som strever mest med gjennomføringen. For der skal det kuttes. Skattekuttene betales også av dem som er avhengige av båt og ferge i hverdagen, og av sjømatimportører, som er avhengige av bedre fylkesvei for å få sendt ut varene sine.

Før valget i 2013 lovet Høyre og Fremskrittspartiet å realisere en rekke konkrete samferdselsprosjekter i Finnmark. Torsdag er det siste sjanse til å levere, og jeg forventer at valgløftene innfris. Sentraliseringen ser vi også på kulturfeltet. Sametingets budsjett er kuttet flere år på rad, og ikke bare men flere av de offentlige kronene følger også private givere – og rikinger flest bor ikke i eller i Finnmark. Så mens kulturministeren slåss for proffboksingens usle kår i Norge, blir ventelisten for nye kulturprosjekter lengre og lengre. Der står Saemien Sijte på Snåsa, Beaivvás samiske teater, Dansearena nord og kvenmuseet i Vadsø. Alle disse prosjektene har til felles at de ikke i vesentlig grad drar kommersielle inntekter gjennom tv-reklame eller private sponsorer. sponsorer. Det er derfor vi trenger en kulturpolitikk, en ny regjering og en ny kulturminister som er like opptatt av kultur og av kulturlivets utviklingsmuligheter i hele landet som av proffboksing. Finnmark er mulighetenes fylke, og nå trenger vi en regjering som ser det, og som vil spille på lag for å ta mulighetene i bruk.

Siden 2013 har regjeringen Solberg gitt 18 mrd. kr i skattelette. Samtidig er sykehuskøene redusert med 56 000 pasienter og ventetiden for rusbehandling redusert med 40 pst. Dersom man prioriterer riktig og bruker ressursene bedre, er det ingen motsetning mellom skattelette og velferd. så sender Arbeiderpartiet da en ukjent skatteregning til norsk næringsliv. Dette rimer svært dårlig med representanten Gahr Støres innlegg tidligere i dag, om viktigheten av å skape nok arbeidsplasser og trygge arbeidsplasser. For når Høyres skattepolitikk angripes, slik vi akkurat så, angripes samtidig norskeide arbeidsplasser rundt om i hele landet – bedrifter som må betale formuesskatt uavhengig av om de går med overskudd eller ikke, fra Stensli Gjenvinning i Brumunddal til Rauma Ullvarefabrikk på Røros, Brunvoll innen maritim industri i Møre og Romsdal og Aas Bryggeri i Drammen. De ti prosent rikeste betaler rundt 38,7 pst. av personskatten i Norge. Tar man vekk formuesskatten, vil de fortsatt betale 38 pst. De med den sterkeste ryggen bærer – og skal bære – den tyngste børen, også uten formuesskatt. Men Arbeiderpartiet er altså mer villig til å knekke ryggen på norskeide bedrifter i hele landet enn å gi opp retorikken om mye til dem som har mest fra før. Så når Arbeiderpartiet snakker om aktiv næringspolitikk, bør norske bedrifter lytte. Blir de ikke nevnt som en direkte mottaker av subsidier, er det deres arbeidsplass som må betale for de andre. Apropos ukjent skatteregning: Representanten Hadia Tajik lovet i Politisk kvarter i dag at Arbeiderpartiet skulle levere et saldert alternativt budsjett. Alle gode ting er tre, for i 2014 regnet de tre milliarder feil på statsbudsjettet, mens i fjor bommet de bare på inndekningsforslagene. Så det ville jo vært forfriskende å få et korrekt saldert budsjett fra et parti som snakker så mye om økonomisk ansvarlighet. Arbeiderpartiet i regjering hadde det største økonomiske handlingsrommet noen norsk regjering noen gang har hatt, med en rekordhøy oljepris og full gass i økonomien. Likevel økte sykehuskøene, og det ble 15 000 flere fattige barn med en rød-grønn regjering som skulle fjerne fattigdommen med et pennestrøk. Og hva med trygge arbeidsplasser? Ifølge SSB tilfalt hele sysselsettingsveksten i perioden 2008–2013 utenlandsk arbeidskraft. De arbeidsplassene Arbeiderpartiet skryter av å ha skapt, har ifølge LOs sjeføkonom, Stein Reegård, bidratt til å presse nordmenn ut av arbeidsmarkedet.

Den forrige regjeringen gjorde altså ingenting for å gi Norge og norsk næringsliv flere ben å stå på da de hadde muligheten. Hvorfor i all verden skal vi tro på dem nå? Da Høyre og Fremskrittspartiet tok over i 2013 hadde vi – sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti – en endringsagenda fra første dag. Til tross for halvering av oljepris, til tross for historisk høy migrasjon, til tross for forfallsbomber og etterslep: Solberg-regjeringen har levert på alle de utfordringene som har møtt den, og enda litt til. Samtidig investeres det i vekstfremmende tiltak, som kunnskap, forskning, innovasjon og samferdsel. Dette styrker bedriftenes konkurranseevne og bidrar nettopp til å skape flere og trygge jobber. Det siste Norge trenger nå, er reverseringer av nødvendige strukturelle reformer og endringer, og det håper jeg norsk næringsliv vet, og til neste år skal vi sørge for at velgerne vet det også. Det har vært interessant å følge både trontalen og debatten her i dag.

uenigheten i norsk politikk. Stadig hører vi uttrykket «men det er vi jo alle enige om», men sjelden har det vært så stor uenighet om realitetene i politikken som nå. Det er påfallende at Kongen i trontalen fire ganger nevnte den norske modellen, og det er vi veldig glad for. Han sa f.eks.: «Vår norske modell kommer fremover ut i tøffere farvann.» Men realiteten er jo at det er nettopp når det er tøft farvann, at den norske modellen er på sitt beste. Det er da den norske modellen viser sin styrke, fordi vi blir gode til omstilling og til å møte felles utfordringer. Men det som er utfordringa i dag, er at finansminister Siv Jensen ti ganger i sitt landsmøteforedrag i 2013 gikk til angrep på den norske modellen. Det er altså nå ikke brottsjøene som er problemet; det er mannskapet – eller for å holde seg til sjømannsspråket: Det er ikke været som er utfordringen, vi ser tendenser til mytteri, og kapteinen på skuta lar det skje skje ved stadige angrep på den norske modellen. Vi ser at den økonomiske politikken, at skattepolitikken, med en skattelette til, stort sett, de rikeste, øker forskjellene og svekker finansieringen av velferdsstaten, men det er kanskje aller tydeligst når vi ser hvem som får skatteøkning: Hvis en bor i Svarstad og arbeider i Larvik – da synes regjeringa en skal betale mer skatt. Eller hvis en blir arbeidsledig og får sluttvederlag – da synes regjeringa en skal betale mer skatt. Vi ser det i samarbeidsmodellen, der partene i arbeidslivet åpenbart i langt mindre grad høres. Et veldig godt eksempel på det var arbeidsmiljøloven, der det ikke var samarbeid mellom partene i det hele tatt, de fikk forslaget sendt på høring. Det samme har vi sett i sysselsettingspolitikken, der regjeringa kunne betjent seg av mange gode råd fra partene i arbeidslivet, slik som de til slutt gjorde, da de ble tvunget til å forandre permitteringsregelverket etter altfor lang tid. Og vi ser det i velferdspolitikken. Det er kutt i barnetillegget for uføre, kutt på over 1 mrd. kr i dagpengene til folk som blir arbeidsledige. Det er et permitteringsregelverk som kom altfor seint, og der endringen var for liten, og det er kutt i tiltaksplasser når ledigheten vokser. Alt sammen er eksempler på det motsatte av det som vi tenker på med den norske modellen. Regjeringa sa i trontalen: «Samfunnet må gjøre omstilling lettere for den enkelte gjennom omskolering, sikring av inntekt og hjelp til å finne ny jobb.» Det er godt sagt, men det er bare det at det er ikke det de gjør. Istedenfor å gi støtte til omskolering, sier regjeringa nei til å kunne bruke bedriftsintern opplæring som et konjunkturvirkemiddel i en periode da mange bedrifter ber om nettopp det: La oss få lov til å utdanne arbeidsfolka våre, slik at vi står enda bedre rustet når markedet kommer tilbake! Vi ser at når det gjelder sikring av inntekt, var, som jeg allerede har nevnt, noe av det første regjeringa gjorde da den varslet økt ledighet – og det var altså før oljeprisen falt – å kutte i dagpengene til de arbeidsledige. Og når det gjelder hjelp til å finne ny jobb, har vi altså under denne regjeringa for første gang i historien opplevd en regjering som varsler økt ledighet, men som samtidig reduserer antall tiltaksplasser.
Så i trontalen blir det sagt mye bra, men problemet er at det er jo ikke det som blir gjort. Det vi ser, er en regjering som har lært av sine svenske partikolleger at en må høres litt sosialdemokratisk ut for å bli valgt, men i den politikken som blir gjennomført, ser vi det stikk motsatte. Regjeringen blinker til venstre, men svinger til høyre, og det er rett og slett

og nå får over 50 000 lærere muligheten til videreutdanning de kommende ti årene. Det er 56 000 færre som står i helsekø. Det betyr noe hvem det er som styrer landet vårt. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen, med vår statsminister Erna Solberg i front, har også styrt landet trygt gjennom utfordringene vi visste ville komme på et eller annet tidspunkt på grunn av vår oljeavhengige økonomi. Oljeprisen er nå mer enn halvert overtok. Mange rammes av ledighet, spesielt på Sør- og Vestlandet, men regjeringen har tatt i bruk målrettede tiltak for å skape aktivitet og jobber i de regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Og nå viser nye tall at det har begynt å snu: Ledigheten er på vei ned, og arbeidsgiverne

For første gang var eksportverdien på over 3 mrd. kr på én måned i Nordland, og det var høyest eksport av fisk, metaller og elektrisk utstyr som utgjorde denne veksten, og best av alt: ledighetstallene fortsetter å gå ytterligere ned her. Nordland har store havområder hvor vi i langt større grad kan kombinere tradisjonelt fiske og havbruk med olje- og gassutvinning, og ikke minst har vi et reiseliv i vekst. Det registreres at de sikkerhetspolitiske utfordringene i verden gjør at Norge av mange anses som et trygt land å feriere i. Denne sommeren meldes det om en eksplosjon av turisme i Lofoten og Vesterålen. Bare i Lofoten meldes det om 9 000 overnattingsdøgn, og dette bildet kan ytterligere forsterkes med regjeringens politikk. Den enorme satsingen som regjeringen har gjort på samferdsel, Når jeg nå hører på Nordlandssendingen, kommer det ofte inn trafikkmeldinger om at E6 er stengt på grunn av sprenging. Det er bra, det bygges ny og bedre vei, og det er nettopp det næringslivet etterspør. Varene skal ut på markedet, folk skal komme seg til og fra jobb, og vi må legge til rette for at turistene kan komme seg trygt fram til sine nye, foretrukne reisemål. Etter å ha økt i flere tiår ble vedlikeholdsetterslepet for første gang redusert i 2015, og ytterligere nå i 2016. Det vises rundt omkring i mitt hjemfylke i veibygging at samferdselsbudsjettet er økt med nesten 50 pst., fra 40 mrd. til 60 mrd. kr. Det er nettopp dette næringslivet har etterspurt: bedre og tryggere vei for å frakte varer og mennesker,

Når vi hører om nye og store tall når det gjelder vold og overgrep mot barn også i Nordland, er det viktig å ha et kompetent politi som kan etterforske disse alvorlige sakene effektivt, men ikke minst sørge for et kompetent miljø som kan ta vare på barna som rammes. Med nærpolitireformen legger vi til rette for et effektivt nærpoliti der folk bor, med kompetente fagmiljøer i hvert distrikt, en politireform som Arbeiderpartiet har stemt for, men Senterpartiet imot. Hva vil skje? Regjeringen har hittil styrket politiet med over 1 000 stillinger, og på torsdag, når statsbudsjettet presenteres, vil det komme ytterligere 300 mill. kr ut til politidistriktene til nye stillinger. Sist, men ikke minst, har vi styrket tiltak for oppfølging av barn som opplever overgrep eller mishandling, og dette styrkes ytterligere i statsbudsjettet som legges fram på torsdag, hvor bl.a. Statens Barnehus tilføres ytterligere 15 mill. kr for neste år. Jeg sender en honnør til våre samarbeidspartier, Kristelig Folkeparti og Venstre, som har bidratt til å løfte fokus på dette viktige området. Som første taler i dag uttalte Arbeiderpartiets leder Gahr Støre at folk i Europa er

Folk er nemlig enda sintere over at nasjonalstatene er fratatt styringen, og for at deres egen stemme ikke lenger blir hørt. Så Gahr Støre er egentlig sint på de sinte og også sint på dem som har skapt de sinte, med andre ord, hans egne sosialdemokratiske partivenner. Populistene som Gahr Støre er sint på, er hans tidligere velgere – velgere som har gitt opp sosialdemokratiet. De har forlatt Gahr Støres politiske venner fordi Gahr Støres venner har sluttet å bry seg. Støre er sint på, er hans tidligere velgere – velgere som har gitt opp sosialdemokratiet. De har forlatt Gahr Støres politiske venner fordi Gahr Støres venner har sluttet å bry seg. Gahr Støres venner er mer opptatt av det politiske prosjektet. Når velgerne protesterer og forlater Gahr Støres venner, blir de straks omdøpt til populister. De som tidligere stemte på Europas arbeiderpartier, men som føler seg forlatt, er ikke. Sosialdemokratene stigmatiserer sine tidligere velgere og kaller dem populister og forteller dem at de ikke forstår sitt eget beste. Derfor skal vi få enda mer av det de protesterer mot – en antifolkepolitikk for å belære folket. Og for å understreke det hele, var det interessant å høre på representanten Kolberg som fortsatte i samme sporet, men med enda større indignasjon. Det er altså ikke denne regjeringen som har fått arbeidsløsheten opp i Europa. Det er hans egne partivenner i Europa som har fått arbeidsledigheten opp, fått velferden ned og gjort folk sinte – overalt i Europa har sosialdemokratene styrt og fortalt at bare du får enda mer av det de er imot, blir det bra. Det er det representanten Kolberg forsvarer her. Så vil jeg snakke litt om Forsvaret. Vi behandler nå langtidsplanen for Forsvaret, og

Uavhengig av langtidsplanen ønsker jeg å snakke om de strategiske utfordringene vi står overfor. Vi kan nemlig ikke prioritere alt like høyt, for da gjør vi ingen ting tilstrekkelig. Alle partier må gå i seg selv for å se hva man kan prioritere ned, også innenfor Forsvaret. Hva er ikke viktigst av det vi skal satse på i Forsvaret? Nå kommer protestene overalt mot det som er lagt frem fra regjeringens side. Alle protesterer, side. Alle protesterer, og alle er like sinte på langtidsplanen. Men det er fordi noen mener at kysten er viktigst, noen mener at forsvaret i nord mot Russland er viktigst, noen mener at nordområdene er viktigst, noen mener at migrasjonsstrømmen skal stoppes, noen mener cyberforsvaret er det viktigste, noen mener at vi skal være med i internasjonale operasjoner, noen mener at det viktigste er at NATOs 28 land skal forsvares, men hvis alt blir det viktigste, så er vi ikke i stand til å levere på Forsvaret. Vi er nødt til å prioritere det som er aller viktigst – og det gjelder alle partier her i salen. Det er derfor folk er sinte, for de tenker på sine områder, og de mener at det er viktigst. Hvis vi skal prioritere alt like høyt, kan vi doble forsvarsbudsjettet med en gang, og likevel ikke ha tilstrekkelig, og da er det akkurat som tidligere forsvarssjef Diesen sa, at Norge ikke har råd til å forsvare sitt eget land. Vi er nødt til å prioritere, og da er vi nødt til å samarbeide. Hvis det skal bli fremtiden, må vi faktisk prioritere noe ned og si hva som er viktigst. Jeg må likevel si at jeg blir litt skuffet over en del generaler og høye offiserer som nå har gått av, som nå protesterer. De har altså sittet i ansvarsfulle stillinger i mange år og har ikke protestert. Med en gang de går av, hevder de at Forsvaret er i oppløsning. Noen har hevdet at vi ikke engang kan forsvare en bydel i Oslo. Men hvis man har styrt Forsvaret i så mange år, og et par år etterpå mener at vi ikke engang kan forsvare en bydel i Oslo, har man faktisk ikke gjort jobben Hvis man ikke har sagt fra at det går så dårlig med Forsvaret, og sitter og styrer, men finner ut det etterpå, når man reiser rundt og holder foredrag, at det går så dårlig, da mener jeg at man ikke har gjort jobben sin. Jeg vil avslutningsvis si at Fremskrittspartiet har fremmet et forslag om et investeringsfond for materielle investeringer, på 100 mrd. kr, som vil gjøre avkastningen på 2,4 mrd. kr til kun materielle investeringer. Det vil styrke Forsvaret og gjøre forsvarsbudsjettet i stand til det det skal, nemlig sørge for drift, øving og utdanning for soldatene våre.

I tillegg ser vi en gledelig utvikling med nye behandlingsmetoder som kan hjelpe flere lenger, spesielt ved alvorlige sykdommer som kreft. Men noen av disse metodene er mer kostnadskrevende. Det betyr at Norge må bruke mer penger på helsetjenesten framover. Vi har bevilget mer penger til pasientbehandling ved sykehusene, og vi har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen gjennom våre tre statsbudsjetter enn det de rød-grønne fikk vedtatt gjennom sine åtte år. Men penger løser ikke alt. Vi må også fortsette med å få mer helse ut av de pengene vi bruker, og omstille helsetjenesten. Vi har tatt skritt i riktig retning i pasientens helsetjeneste med pakkeforløp og fritt behandlingsvalg. Vi har fjernet taket for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle, og sørget for at sykehusene får bedre betalt for hver pasient. Resultatet er at ventetiden går ned både til og i sykehus. 56 000 færre pasienter står i kø. Bare siste år gikk ventetiden i gjennomsnitt ned med over en uke. Flere får hjelp. Nå har alle alvorlig syke pasienter rett til sin egen kontaktlege i sykehusene. Tilliten til sykehusene er rekordhøy. Den har økt fra 65 til 74 pst. de tre siste årene, ifølge Den største sosiale ulikheten i landet vårt er at rusavhengige har en forventet levetid som er 20 år kortere enn for resten av befolkningen. Det er en ulikhet som vi ikke kan leve med. Derfor står regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre sammen om et taktskifte i ruspolitikken. I fjor la vi fram en forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet, med en styrking på 2,4 mrd. kr fram mot Ventetiden til rusbehandling er redusert med 40 pst., nesten en hel måned. Nå utarbeides det pakkeforløp for rusavhengige og innen psykisk helse. Arbeiderpartiets løfte til mennesker med psykiske helseutfordringer er at de skal reversere pakkeforløpene og frata pasientene rett til fritt behandlingsvalg. Barn og unges helse varer livet ut. Derfor har vi sørget for en kraftig styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. I 2017 vil kommunene ha 834 mill. kr mer til dette formålet enn de hadde i 2013. Nå bygger vi også ut tilbudet med psykologer og har tilrettelagt for 200 psykologårsverk i kommunene. Og vi følger opp ungdomshelsestrategien. Innen 2030 vil det være behov for om lag 22 000–30 000 flere heldøgns pleie- og omsorgsplasser. Derfor tar vi gjennom vår eldrepakke et større nasjonalt ansvar for kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen. Derfor tar vi nå halve regningen for nye sykehjem. Kommunenes planer framover viser en tredobling i antall nye plasser hvert år. Men dette er ikke nok. Derfor må kommunene planlegge for flere plasser for å få støtte framover. Vi er ærlige på situasjonen og har for første gang fått åpenhet om ventelister for sykehjem. Den viser at ni av ti får plass innen 15 dager etter vedtak. Arbeiderpartiet går igjen til valg på å reversere regjeringens politikk for flere sykehjemsplasser. Da er en tilbake til den politikken som de selv etter valget i 2013 innrømmet at var for dårlig for de eldre. Så valget i 2017 handler om om vi skal fortsette å skape pasientens helsetjeneste med mer valgfrihet og makt til pasienten på bekostning av systemet, systemet, der mennesker som er rusavhengige og har psykiske helseutfordringer, får forutsigbare behandlingsforløp, om vi skal fortsette et sterkt nasjonalt ansvar for at kommunene bygger ut nok kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen, om vi skal fortsette å gi et løft for barn og unges helse – eller, som alternativet står for, om pasientens helsetjeneste skal settes i revers, der hensynet til

Ventetidene har gått jevnt ned fra 2010 og fram til i dag. Det skal vi alle glede oss over. Så snakker regjeringspartiene plutselig om ventelister, som jo er noe helt annet, nemlig et mål på hvor mange pasienter som til enhver tid skal ha planlagt behandling ved våre sykehus. Det tallet kan variere alt etter hva som ligger bak tabellen, f.eks. at vi har tatt i bruk nye medisiner og nye behandlingsmetoder. Helseministeren nevnte at en viktig årsak til at ventelistene er

både til sykehus og i sykehus. Det er også en god nyhet for pasientene. Ikke minst er det viktig for å opprettholde tilliten til en godt offentlig finansiert helsetjeneste, der befolkningen opplever at det å være medlem av folketrygden og betale skatten sin, innebærer at en òg får rask behandling. Det er nettopp et av de områdene der den norske helsetjenesten ikke scorer godt nok i internasjonale

hvilken regjering som innførte dette, begrunnelsen for å innføre et tak og når det i realiteten ble avviklet? Taket på antallet pasienter sykehusene kunne behandle, eller DRG-poeng, fungerte på den måten at Helsedepartementet under den rød-grønne regjeringen styrte foretakene etter et måltall knyttet til hvor mange pasienter en skulle behandle.

mer betalt jo flere pasienter de behandler. De er ikke lenger styrt på at de skal holde aktiviteten sin nede. Det betyr at sykehusene har en helt annen frihet nå til å finne gode løsninger for å redusere ventetiden, behandle flere pasienter. Det gir resultater gjennom både betydelig vekst i antall pasienter som får behandling , og reduserte

opplever skader og i verste tilfelle dødsfall som følge av feil og mangler som skjer i helsetjenesten. Det betyr at den innsatsen som har blitt gjort på det området til nå, ikke er tilstrekkelig. Vi har behov for at helsetjenesten enda bedre lærer av de feilene som skjer, og bruker dem i arbeidet med å forbedre helsetjenesten. Derfor har jeg i år gitt helsetjenesten og sykehusene i oppdrag

Over 500 000 nordmenn har no teikna private helseforsikringar, og utbetaling til privat helsebehandling auka med 42 pst. frå 2013 til 2015. 14. august 2013 uttalte stortingsrepresentant Bent Høie til Dagens Næringsliv at Høgres helsereform fritt behandlingsval ville verta så bra at «markedet for private helseforsikringer forsvinner av seg Det som har skjedd, er at marknaden ikkje har forsvunne, men han har vakse. Spørsmålet til statsråden er: Kva gjekk galt? Trur statsråden framleis at auka satsing på private i staden for å styrkja det offentlege helsevesenet vil minimera behovet for helseforsikringar og auka tilliten til helsevesenet vårt? Ja, jeg er overbevist om at det at alle pasienter med rettigheter i

Men jeg merket meg at statsråden ikke nevnte en av de store utfordringene, som er rekruttering for å få hjulene til å gå rundt og møte de utfordringene vi står overfor. I 2030 – hvis vi ikke gjør noen grep – må en av tre 18-åringer velge helsefag. I går hørte vi på NRK at det sitter ca. 200 unge nordmenn i Ungarn og ikke vil få godkjent sin psykologutdanning. Vi var gjennom den samme runden knyttet til sykepleiere med utdanning i utlandet, kanskje særlig i Australia, for et par år siden. Etter det er Statens autorisasjonskontor for helsepersonell blitt underlagt Helsedirektoratet. Jeg hadde håpet at vi var ute av en dag-til-dag-forvaltning av studenter som velger utenlandsk utdanning. Det virker ikke som de har lært. Hva har
Det er helt riktig, det som representanten tar opp: Det var behov for å gjøre endringer for å forbedre forutsigbarheten for ungdom som velger å reise ut for å ta en utdanning innen helse. Derfor har vi forbedret den informasjonen som nå gis gjennom Statens lånekasse, derfor har vi slått saken sammen med Helsedirektoratet for å få bedre saksbehandlingssystemer og bedre kvalitetskontroll, og derfor er det også tatt initiativ til å etablere et tilleggsutdanningstilbud på Høgskolen i Oslo og Akershus for sykepleiere som har behov for noen tilleggsfag for å få godkjent sin utdanning i Norge. Når det gjelder den konkrete saken i Ungarn, er den i en litt annen kategori. Det er et studium som heller ikke gir autorisasjon i Ungarn. Vi har også en rekke studenter i Norge som i Norge har en masterutdanning innen psykologi, men som ikke gir autorisasjon til å bli psykolog, rett og slett fordi det ikke er en psykologutdannelse. Vi kan ikke gi godkjenninger av utdannelser som ikke er jevngode med den norske psykologutdannelsen. Skal vi klare å rekruttere folk inn i omsorgen i framtida, er

utdanning. Problemet nå, melder mange ansatte i omsorgen, kanskje særlig i demensomsorgen, er at det ikke er nok ansatte med god nok kompetanse til å oppfylle de kvalitetskravene som stilles. Det må man gjøre noe med. Jeg var glad for at statsråden i sitt innlegg nå signaliserte at vi faktisk må bruke mer penger på dette framover, for det står det ingenting om i trontalen. Der snakker man bare om velferdsteknologi, og demente trenger noe annet enn velferdsteknologi, de trenger ansatte som kan ta vare på dem. Da er spørsmålet: Innser statsråden nå at SV har rett i at vi trenger bemanningsnormer i omsorgen i

og som har tid til dem. Jeg synes den rapporten som Sykepleierforbundet har fått lagd på dette området, er veldig spennende lesning, for den forteller at halvparten er veldig fornøyd med sin arbeidssituasjon, sine karrieremuligheter og muligheten for utvikling, mens den andre halvparten er veldig misfornøyd. Det synes jeg gir et dekkende bilde som er i Kommune-Norge på dette området. Veldig mange av dem som opplever at de er for få på jobb, er for få på jobb fordi det står stillinger vakante som det ikke rekrutteres folk inn i. Det er derfor denne regjeringen systematisk satser på ledelse , kompetanse og mer penger til kommunene. Da er tiden ute, og presidenten vil minne om at taletiden skal overholdes også ved replikkordskifter. Det har vært et problem gjennom denne runden med replikker. Replikkordskiftet er omme. Denne debatten har vist oss tydelige forskjeller, og

Vår styrke ligger i sterke fellesskap og troen på at arbeid er grunnlaget for alt, og at trepartssamarbeidet er avgjørende. Det har gjort oss til verdens beste land å bo i. tre siste årene har Norge hatt en regjering som bidrar til å øke forskjellene gjennom å gi skattekutt til dem som har mest fra før, istedenfor å satse på arbeid, utdanning, helse og skole. Én milliard mer til de 50 rikeste i landet istedenfor tidlig innsats i skolen – det er prioritering, det. Det er feil prioritering. Ikke bare øker forskjellene mellom fattig og rik og mellom kvinner og menn, men også mellom dem som har jobb, og dem som ikke har jobb. Det siste året har arbeidsledigheten vokst. Det skjer samtidig som det er stillstand i veksten i nye arbeidsplasser, for mens det under Stoltenberg II-regjeringen ble skapt 355 000 nye arbeidsplasser, skapes det på Høyre og Fremskrittspartiets vakt knapt noen. 000 nye jobber, hvorav tre av fire i offentlig sektor, er den laveste sysselsettingen på 20 år. 5 pst. arbeidsledighet er det høyeste antallet arbeidsledige på et kvart århundre. Denne regjeringen er historisk, ja forhistorisk. Norske menn i 20- og 30-årene står ikke med lua i hånda, sånn som besteforeldrene deres gjorde. De står nå med mobiltelefon i hånda og venter på det neste oppdraget. Ingen av Høyre eller Fremskrittspartiets representanter svarer på den utfordringen i denne debatten. I min hjemkommune, Rissa, har de den høyeste arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag, på 4,8 pst. Situasjonen vises godt på kommunens skipsverft, Fosen hvor oppussingen av Hurtigruta sine skip foregår. På verftet har de nå midlertidige ordninger som gjør at de ansatte bærer midlertidig risiko. De ansatte jobber på kontrakter som gir de ansatte overskudd hvis jobben er i rute – det er flott – men klarer ikke de ansatte å ferdigstille arbeidet på budsjettert tid, må de jobbe for halv lønn. Det er ikke fullt så Det er ikke fullt så flott, det er faktisk veldig alvorlig for dem som kjenner på utryggheten for neste måneds lønning. Dette er verken trygghet for arbeid eller trygghet i arbeid. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi stiller krav, men også viktig at vi stiller opp. I 1933 sa opposisjonspolitikeren Johan Nygaardsvold fra Arbeiderpartiet i denne salen:

Høyres økonomiske politikk med skattekutt er ikke særlig treffsikker for å øke antallet nye arbeidsplasser, det har vi fått svar på, men den økonomiske politikken er veldig treffsikker for å øke forskjellene i Norge. Nesten 20 mrd. kr har denne regjeringen gitt i skattekutt til dem med mest fra før, 50 mill. kr hver eneste dag. En tiendedel av innbyggerne i Norge disponerer nå mer enn 50 pst. av all formuen. Lønningene til dem som tjener mest, øker nesten dobbelt så mye som dem som tjener minst. Det er nok nå, nå trenger dette landet en ny regjering. «Norge er et land med store muligheter. Vi har en høyt utdannet befolkning og Norge disponerer nå mer enn 50 pst. av all formuen. Lønningene til dem som tjener mest, øker nesten dobbelt så mye som dem som tjener minst. Det er nok nå, nå trenger dette landet en ny regjering. «Norge er et land med store muligheter. Vi har en høyt utdannet befolkning og store naturressurser», sies det i trontalen. Vi har ikke bare store naturressurser, vi har også gjennom årene ført en politikk som har sikret at disse ressursene er på fellesskapets hender, at høstingen av ressursene kommer hele samfunnet til gode, og vi har bygget et men eierskap og kontroll er resultat av politiske beslutninger – beslutninger som har blitt fattet etter politisk kamp gjennom tidene, og ved hver korsvei har høyresiden stått på feil side. I en tid hvor klimaendringer og reduksjon av disse må danne rammer for all politikk, kan vi i Norge glede oss over at nær all vår kraftproduksjon er fornybar og ikke fossil. Vannkraften gir ikke bare lys og varme i de tusen hjem. Den gir også grunnlag for industri og verdiskaping over hele landet. I denne industrien er vi vitne til en formidabel teknologi- og produktutvikling som peker rett inn i et fornybarsamfunn hvor vi fortsatt har industri, verdiskaping og arbeidsplasser. Denne utviklingen ville vi ikke hatt om vi ikke hadde store mengder kraft til priser som gjør Norge til et attraktivt sted å investere i denne typen industri. Dette er konkurransefortrinn som må forsvares og videreutvikles. Fellesskapets eierskap og kontroll over vannkraften og over transmisjonsnettet sikrer at det er samfunnets behov og prioriteringer som styrer utviklingen. Høyresiden i norsk politikk er ikke opptatt av at fellesskapet skal ha eierskap og kontroll. Fra Høyre har vi tidligere hørt at de vil avskaffe

offentlig eierskap. Statkraft eier 36 pst. av produksjonskapasiteten i norsk vannkraftproduksjon. Dersom Statkraft blir delprivatisert, betyr dette at de må betraktes som private eiere og må dermed selge seg ned, til offentlige eiere. I teorien kan kommuner og fylkeskommuner kjøpe, men vi forstår alle at det ikke er realistisk med dagens kommuneøkonomi. Delprivatisering av Statkraft og fortsatt offentlig framstår dermed som Ole Brumm-politikk, ja til begge deler, men helt urealistisk. Resultatet vil bli et enormt press på de eierskapsbegrensningene vi har, og dermed på hele ideen om at vannkraftressursene tilhører det norske folk. En oppheving av regelen om to tredjedeler offentlig eierskap vil legge denne sektoren åpen for sterke og hovedsakelig utenlandske finanskapitalinteresser. Dette er et resultat høyresiden har flørtet med tidligere. sett framstår forslaget om delprivatisering av Statkraft mer som en ulv i fåreklær. Mer alvorlig enn et programforslag i et parti som forhåpentligvis sitter i opposisjon etter neste valg, er de forslag som kommer fra regjeringen. Vi har nå til behandling et forslag om at vi skal tillate privat eierskap i Om forslaget vedtas, vil det åpne veien for private kapitalinteresser til å ta eierskap i infrastruktur som er viktig for vår energisikkerhet, og hvor inntektene i dag brukes til å redusere nettleien for kundene i det norske nettet. Bare de siste tre kjente regnskapsår har fortjenesten fra våre utenlandsforbindelser vært på 2,25 mrd. kr, som har blitt tilbakeført til fellesskapet gjennom lavere nettleie. Om vi ser på enkeltkabler,

for vår industri, for sysselsetting og verdiskaping rundt i landet. Dette er underordnede hensyn for partier og en regjering som har allergi mot at fellesskapet skal eie noe som gir inntekter. Arbeiderpartiet vil føre en politikk som sikrer fellesskapet eierskap og kontroll over våre naturressurser, som sikrer en bærekraftig høsting av ressursene, og som gir verdiskaping i Norge. Vi vil Vi vil ikke tukle med våre vannkraftressurser, vi vil ikke privatisere våre utenlandskabler, vi vil gå imot privatisering av Statskog, vi sier nei til evigvarende fiskekvoter. Vi vil kort sagt gå imot et salg av Norge. Norge er et land med store har vi hatt en ekstra sterk medvind, spesielt som følge av veksten i petroleumsrettet industri. Samtidig har vi lenge vært klar over behovet for omstilling, og at vi er sårbare. Det kraftige oljeprisfallet vi har opplevd de to siste årene, har framskyndet og forsterket dette behovet. Dette er en krevende situasjon for mange, både for dem som mister jobben, for familiene og for lokalsamfunn langs kysten. kysten. Vi må ta inn over oss at færre skal jobbe i denne næringen framover. Likevel skal ingen være i tvil om at petroleumsnæringen kommer til å være veldig viktig i norsk økonomi i mange år framover. Det er veldig bra at industrien nå vinner kontrakter i forbindelse med bl.a. utbyggingen av Johan Sverdrup. Det viser at arbeidet med å få ned kostnadene gir resultater. Vi er igjen Bildet av norsk næringsliv er også sammensatt, og selv om mange bransjer har det tøft om dagen, ser vi at andre næringer går veldig bra. Vi har holdt orden i norsk økonomi og sørget for stabile rammevilkår for næringslivet. Vi ser også at flere krefter trekker den økonomiske veksten opp: Styringsrenten er en halv prosent, og lave renter bidrar til å holde konsum og investeringer oppe. Mange eksportbedrifter nyter godt av en svekket krone og moderate lønnsoppgjør, særlig innenfor fiskeri og havbruk, reiseliv og i prosessindustrien. Det er positivt, men Norge er likevel langt fra ferdig omstilt. Når jeg reiser rundt i landet og besøker bedrifter og får tilbakemeldinger, er de veldig tydelige. De ønsker at vi skal gjøre mer av det vi allerede gjør. Vi har en skattepolitikk som gjør at det lønner seg å jobbe, spare og investere, og der det private norske eierskapet styrkes. For det viktigste vi kan gjøre i en tid med omstilling, er å stimulere i privat, konkurranseutsatt næringsliv. Vi satser på samferdsel, fordi folk, varer og tjenester må raskere fram. Det er viktig for næringslivet i hele landet. Og ikke minst, denne regjeringen har siden vi overtok i 2013, satset sterkt på forskning og innovasjon. I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget nærmere 2,4 mrd. kr mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013. Vi satser på landsdekkende generelle ordninger, slik at innsatsen rettes dit behovet er størst, og de beste prosjektene får støtte. Vi styrker ordninger som vi vet har god effekt. SSB har analysert effekten av Innovasjon Norges og Forskningsrådets virkemidler. Analysen viser at vi har satset på de virkemidlene som treffer best. I 2015 ga Innovasjon Norge tilsagn om nær 1,8 mrd. kr til bedrifter på Sør- og Vestlandet, finansiert over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Dette utgjorde 49 pst. av midlene. Det viser at ordningene spesielt treffer regioner med særskilte omstillingsutfordringer. For å lykkes med omstilling av økonomien må vi ha med oss de etablerte bedriftene, men vi må også legge til rette for nye. Vi trenger flere gründere med vekstambisjoner. Det handler rett og slett om å skape nye arbeidsplasser. Denne regjeringen har satset på gründere fra dag Vi har styrket ordninger som hjelper gründere i startfasen, som øker og bidrar til kompetanse, og som legger grunnlaget for mer gründerkultur i Norge. Derfor la vi også i fjor høst fram vår gründerplan Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser, med over 400 mill. kr ekstra til gründertiltak som nå gjennomføres. Det største vekstbidraget på kort og mellomlang sikt vil likevel Det er derfor avgjørende at vi lykkes med å legge til rette for omstilling i våre eksisterende bedrifter. Derfor jobber regjeringen nå med en industrimelding. Vi vet at norsk industri står overfor store endringer. Bedriftene må i større grad finne lønnsomhet utenfor petroleumssektoren. Samtidig vil ny teknologi prege og endre industribedriftene. Og ikke minst skal vi gjennom et grønt skifte. Vi har en stolt industrihistorie i Norge. Vi vet at omstilling ikke er noe nytt for bedriftene. Hvis en skal overleve som bedrift i en liten og åpen økonomi, må en greie nettopp dette. Men det som er nytt denne gangen, er at alt skjer i et ekstremt tempo. Det er mange trender som treffer oss samtidig. Vi ser at regjeringens næringspolitikk virker. Det er også tilbakemeldingen jeg får fra bedrifter landet rundt. Takket være et omstillingsdyktig norsk næringsliv, mange hardtarbeidende ansatte, gode rammebetingelser og offentlige virkemidler skal vi få dette til, selv om det tar litt tid.
Det blir replikkordskifte. Takk til representanten

opp med tanke på grønn omstilling. Næringskomiteen har de tre siste årene fått svært få saker fra næringsministeren, mens vi ser at ledigheten har bitt seg fast. Jeg vil spørre næringsministeren, som også er jobbskapingsminister, om hvor fornøyd hun er med egen innsats når det gjelder nettopp det å skape nye arbeidsplasser. Jeg har hørt på debatten i dag, og jeg hører at det skapes et inntrykk av at vi ligger på etterskudd i vårt meldingsarbeid. Det gjør vi selvsagt ikke. Og hvis næringskomiteen mangler arbeid, stusser jeg over at man har brukt et halvt år på å behandle ny lov om offentlige innkjøp, slik vi så i vår. Meldingsarbeidet vårt er i rute. Men det er heldigvis ikke sånn at verden står stille i påvente av stortingsmeldinger. Det er melding som er forsinket, det er reiselivsmeldingen. Den er forsinket fordi næringen selv ønsket det. De ønsket en egen vurdering av markedsføringsarbeidet. Det hadde vi en gjennomgang av med reiselivet for få uker siden. Så er det sånn at reiselivet har hatt rekordår, både i fjor og i år, så verden står ikke stille, og meldingene kommer til Stortinget når de

arbeidsplasser. Da synes jeg det er rart at statsråden er fornøyd med at man ikke kommer med viktige meldinger for å bygge opp under en god politikk. Stortingsmeldinger som industrimelding, skog- og landbruksmelding, melding om bioøkonomistrategi – veldig mange av disse har Stortinget bedt om, og sagt at det må skje raskt, men det tar sin tid. Så da tenker jeg det kan være interessant igjen å spørre: Når kommer det vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor på vegne av den jobben næringsministeren gjør? Det har vært fascinerende å høre på hvordan man har skrytt på seg utviklingen på arbeidsmarkedet i forrige fireårsperiode – i en tid da man hadde eventyrlige investeringer i oljesektoren, eventyrlige investeringer i oljesektoren, eventyrlige økonomiske tall, man hadde altså en eventyrlig vekst. Det kan man selvsagt velge å ta æren for. Man kunne jo føyd til at man ikke brukte gode år på å forberede seg på tøffere tider, at man ikke gjorde nok for å skaffe oss flere bein å stå på, og at vi er sårbare. Vi fikk en stadig mer todelt økonomisk politikk. Det har fått den konsekvens at når mange arbeidsplasser forsvinner i privat sektor, tar det tid å opprette nye. Dette er ikke noe «quick fix», og det mest alvorlige er selvfølgelig at når man sammenligner forrige fireårsperiode med denne, viser man jo at man ikke forstår det enorme omstillingsarbeidet vi må igjennom, som tar tid, og som ikke er noe «quick fix». Jeg snakker med næringslivet. De er veldig tydelige på at reduserte skatter og avgifter, mer satsing på samferdsel, mer satsing på næringsrettet forskning og innovasjon er det som skal til.

men Storbritannia er jo en viktig handelspartner for oss, og det er kanskje unaturlig å gå inn i et samarbeid før Storbritannia selv har meldt seg ut eller bedt om å komme ut av EU. Men kan vi få en liten oppsummering? Er det kontakt med Storbritannia nå for å sikre Norges

handelsminister Fox for kort tid siden. Vi inviterte der til et tett samarbeid for å holde hverandre oppdatert, og Fox inviterte også til et samarbeid mellom Norge og Storbritannia for å følge denne utviklingen. Så dette er viktige spørsmål for oss. Det vi er opptatt av, er å sikre norsk markedsadgang på minst like gode vilkår som vi har i dag. Lat meg fyrst seia at eg synest det er denne utviklingen. Så dette er viktige spørsmål for oss. Det vi er opptatt av, er å sikre norsk markedsadgang på minst like gode vilkår som vi har i dag. Lat meg fyrst seia at eg synest det er veldig spesielt at statsråden kjem i Stortinget og klagar over tida me brukte på å forhandla lova om offentlege anskaffingar. Det var behov for å gjera betydelege endringar i den lova, rett og slett fordi regjeringa ikkje hadde forstått at Stortinget faktisk var oppteke av regjeringa. Ein har oppretta eit regelråd. Det har slett ikkje vore enkelt fordi det stort sett gjev gult og raudt kort til det meste av det som kjem av saker, men det vert ikkje teke omsyn til av regjeringa. Mitt spørsmål er eigentleg ganske enkelt: Har det vorte enklare?

etter siste opptelling, og jeg er helt sikker på at når ny lov om offentlige anskaffelser trer i kraft den 1. januar, vil ytterligere store forenklinger føles på kroppen for næringslivet i hele landet, for det er kanskje et av de viktigste og største forenklingstiltakene. Når det gjelder Regelrådet, er det akkurat kommet i arbeid. Jeg er veldig glad for det. Meningen var at de skulle vise

viktig. Slik det er nå, er det ikke tilstrekkelig med incentiver for investorer til heller å investere i oppstartbedrifter enn i f.eks. eiendom. Venstre har pekt på KapitalFUNN som en blant flere løsninger på det. Regjeringen må være mer på hugget på dette området, og jeg savner også mer trykk i arbeidet for å gi selvstendig næringsdrivende bedre sosiale ordninger, slik at det blir mer attraktivt å starte drive sin egen bedrift. Jeg er utålmodig, så spørsmålet mitt er: Hvordan vil næringsministeren bidra til at flere velger å starte og drive egne bedrifter og skape sine arbeidsplasser i årene som kommer? Vi har satt i verk en rekke nye tiltak, presåkornfond, etablererstipend – altså, en rekke nye ordninger som må få lov til å virke. Det jeg kan si, er at vi har rekordstor pågang. Det betyr at det akkurat nå er veldig mange kloke hoder som benytter den situasjonen de er i, til å etablere nettopp sin egen bedrift. Jeg er veldig glad for det samarbeidet vi har hatt med Venstre for å skape en mye bedre gründerpolitikk. Jeg er også klar over forslaget om KapitalFUNN. Det er noe vi har sagt i gründerplanen at vi skal utrede, og det ligger i Finansdepartementet. Trontalen var preget av mye dysterhet, synes jeg, og sånne linjer! Så var det mye snakk om hvor dystert det sto til, at vi må forberede oss på kutt og reformer. Kontrasten er ganske stor til næringsministerens innlegg nå. Her er det ikke måte på hvor godt regjeringens politikk leverer, og hvor mange arbeidsplasser som er på Det er et delt budskap. Problemet er at ingen av delene stemmer med virkeligheten. Det ble skapt langt flere jobber i privat sektor og i et helt annet tempo da SV styrte, enn nå når Høyre styrer. Høyres fremste svar er fortsatt skattekutt. Næringsministeren var inne på det selv. Men jeg lurer, for nå har regjeringen sittet i tre år: Har regjeringen noe tall for hvor mange arbeidsplasser som er skapt av regjeringens milliardkutt i formuesskatten?

De opplever at formuesskatten er en stor belastning, at det svekker norske arbeidsplasser. Det må jo bare være de rød-grønne som tror at økte skatter og avgifter bidrar til å trygge norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Hver eneste norskeide bedrift jeg møter, sier at lavere skatter, lavere formuesskatt, er det de trenger. De trenger mer satsing på samferdsel, mer satsing på næringsrettet forskning og innovasjon.

Ja, vi fikk en kursendring, for det som skjedde, var at det i praksis ble et frislipp av midlertidighet, og ikke uventet har kritikken vært sterk. Høyre og Fremskrittspartiet løfter fremdeles fram budskapet om at faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. De sier: Stol på oss.

Antall midlertidig ansatte har økt betraktelig i 2016. I fjor var i underkant 8 pst. av arbeidstakerne i Norge midlertidig ansatt. I andre kvartal i år hadde andelen steget til 8,8 pst. Det er det andre kvartalet på rad med økning, etter at nivået holdt seg jevnt de siste fire årene. Det som gjør meg mest urolig, og det som gjør arbeidsfolk utrygge, er at samtidig med denne økningen ser vi at sysselsettingsgraden går ned. Den springbretteffekten som høyresiden sa vi skulle få fra midlertidighet til fast ansettelse, advarte vi mot og tvilte på, og vi ser heller ingen springbretteffekt. Som Arbeiderpartiet og mange også fagbevegelsen, påpekte: En svekkelse av retten til faste stillinger vil ikke gi flere jobb, snarere tvert imot. OECD anbefalte lenge bruk av midlertidighet, og mange land har prøvd det ut, men det har man gått bort fra. Hvorfor det? Jo, fordi det ikke virker. Med all den dokumentasjonen vi nå har hva midlertidighet har gjort med arbeidslivet i flere land, forundrer det meg at ikke Høyre og Fremskrittspartiet skjønner konsekvensene av det. Midlertidighet avler bare mer midlertidighet. Fremskrittspartiets og Høyres politikk virker stikk motsatt, og det er på tide at de innser det selv. Det handler om trygghet for arbeid, og det handler om trygghet i arbeid. Norge trenger en ny regjering.

Vi som voksne må lytte og gi anerkjennelse til disse barna. Vi har et stort framtidsansvar, og jeg velger å være en utålmodig optimist. Vi har fått på plass Paris-avtalen, og det er stor enighet i Stortinget om at det må målrettet handling til. Det er tatt sjumilssteg, men flere viktige steg gjenstår. I noen generasjoner har vi ukritisk bygd vår vekst og velstand på velstand på å forrykke klodens karbonbalanse, først fordi vi ikke visste, deretter fordi vi visste, mens mange ikke ville vite det. Nå handler verden i tolvte time. Paris-avtalen var et gjennombrudd, der tidligere klimasinker kom ombord. President Obama tok sjumilssteg på vegne av sitt folk. Det er å håpe at han ikke får en etterfølger som Tilbake til egen hverdag og det å feie for egen dør: I klimapolitikken er det å være en internasjonal pådriver viktig, men feier vi ikke for egen dør, svekkes internasjonal troverdighet. Vi har opplevd en nedgang i oljenæringen og i petroleumsbasert industri. Vi må bruke den ledige, kunnskapsfylte arbeidskraften til en storstilt satsing på fornybar energi. Norge har alle muligheter! I motsetning til noen av de andre miljøpartiene på Stortinget sier imidlertid Kristelig Folkeparti at petroleumsvirksomhet vil være viktig for Norge i flere tiår framover. Omstillingen fra fossilt til fornybart må komme og kommer. Det Kristelig Folkeparti vil kjempe imot, er å starte petroleumsvirksomhet i særlig sårbare områder, som utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørebankene og i Folkeparti vil si klart nei – høyt og tydelig – til alle forsøk på dette. Vi aksepterer ikke at man glemmer inngåtte avtaler. Ettersommerens glipp fra regjeringa var særdeles overraskende og uakseptabel. Jeg startet innlegget i et barneperspektiv. Vi må gi barna og barnebarna våre klimahåp. I en verden med krig, konflikt, terror, jordskjelv, flom og tørke er det for barna ekstra hardt.

takket være solid egeninnsats fra sykehusene og den rød-grønne regjeringas oppfinansiering av sektoren. I dette året, altså i 2010, begynner ventetidene i sykehusene å gå ned. Helsestatistikker omhandler kompliserte forhold. Derfor bør vi som politikere være ytterst varsomme med å bruke statistikk og enkelttabeller til luftige utsagn om oppnådde resultater. Ikke minst må vi ta inn over oss at like viktig som statistikk er den informasjonen som ikke beskrives i tabeller. Dagens Medisin avdekket i vår at et stort antall pasienter står på interne lister i sykehusene, uten at dette synes i noen offentlig statistikk. Helseledere og sykehusleger sto fram og hevdet at presset på sykehusene har ført til at mange pasienter sluses i høyt tempo fra henvisning til første konsultasjon, for så å bli værende i systemet – uten at de kan gjenfinnes i offentlige tabeller. Bare i Oslo universitetssykehus finnes bortimot 60 000 pasienter som ikke kan ses i statistikken, og jeg lurer på: Er dette de 56 000 færre som står i kø? Nedgang i ventetidene betinger en god IKT-struktur. Stoltenberg-regjeringa startet arbeidet med å få på plass digitale løsninger i helsesektoren – mot innbitt og uforståelig kamp, særlig fra Høyre. Det får være et pluss i margen at partiet nå har besinnet seg, men dette viser med all tydelighet at dagens regjering lykkes først og fremst når man bygger på den forrige regjeringas helsepolitikk. Med regjeringas egne politiske påfunn, derimot, går det heller dårlig. Høyres store ideologiske privatiseringsprosjekt, det såkalte fritt behandlingsvalg, har kollapset fullstendig og er ikke i stand til å redusere ventetidene med så mye som en time. Erna Solberg snakket før valget om at 20 000 pasienter skulle få behandling i regi av fritt behandlingsvalg. Fasiten fikk vi i vår: 30 mill. kr bare i administrasjonskostnader – og 194 pasienter behandlet. Denne sløsinga med offentlige helsekroner, som går ut på å sluse fellesskapets ressurser inn på kontoene til private helsekonsern, må vi rett og slett Så må vi styrke og videreutvikle den reelle retten til å velge behandlingssted, som alle pasienter her i landet har hatt i 15 år gjennom fritt sykehusvalg. Det er fellesskapets helsevesen, de offentlige sykehusene, som hver dag er på plass over hele landet for å gi topp behandling til norske pasienter. Privatiseringsidelogiske byggverk av typen fritt behandlingsvalg duger ikke – det har vi sett med all tydelighet.

mer på tre år enn det de rød-grønne gjorde på sine åtte. Vi har gitt pasientene flere rettigheter, redusert kø og ventetid, og ikke minst har vi løftet fram dem som satt nederst ved det helsepolitiske bordet, personene med problemer innen rus- og psykiatrifeltet. Ventetidene går ned, både for dem som er henvist til sykehusene for behandling, og for dem som faktisk får oppfølging i sykehus. 000 pasienter står ikke lenger i kø. Bare det siste året gikk ventetiden i gjennomsnitt ned med en uke. Det går rett og slett ikke an å snakke seg bort fra det. Ja, vi gjør den offentlige helsetjenesten bedre. Tilliten til sykehusene er rekordhøy. Det viser Det var faktisk på Arbeiderpartiets vakt at de private forsikringene skjøt fart. Folk trodde ikke at Arbeiderpartiet ville makte å redusere helsekøene. Arbeiderpartiet snakket ikke om sykehus, men lot helseforetakene styre. Vi fikk vedtatt en nasjonal helse- og sykehusplan som sikrer forutsigbarhet og kvalitet i sykehusene. Her meldte Arbeiderpartiet pass. De ville ikke være med i forhandlinger, ville ikke være et såkalt ansvarlig opposisjonsparti, noe som representanten Micaelsen til stadighet hevder. Ja, Høyre har tatt på alvor at en del pasienter var misfornøyd med informasjon på sykehusene og kontinuitet i behandlingen. Den 1. september trådte en ny rettighet i kraft: De som har alvorlige sykdommer, får nå rett til kontaktlege på sykehuset. Det var også helt nødvendig å legge inn et løft for kreftpasienter. Høyre jobbet derfor med et pakkeforløp for kreft, nettopp for å sikre trygg og lik behandling. Reformen fritt behandlingsvalg ble vedtatt av Stortinget i 2015, mot de rød-grønnes stemmer. Dette er ikke et ideologisk privatiseringsprosjekt, som Arbeiderpartiet hevder, dette er en styrking av pasientenes rettigheter. For oss i Høyre holder det at pasientene er fornøyd med reformen. Det jeg har snakket om her, er bedre løsninger. Høyre er opptatt av pasientens helsetjeneste. Det er ikke ideologi som skal styre. Det er

og vi har et fantastisk reiseliv. Det eneste vi mangler, er en regjering som jobber med oss og ikke mot oss. Vi er bekymret for en regjering som ikke helt skjønner at gardsbrukene i fjellbygdene i Gudbrandsdalen og Valdres faktisk ikke greier å bli større uansett hvor mye regjeringen vil at de skal bli større, og fører en politikk som favoriserer de største

takket være en gigantisk satsing på infrastruktur fra den rød-grønne nasjonale transportplanen. Solvik-Olsen gjør en glimrende jobb som Stoltenberg-regjeringens snorklipper rundt omkring på norske veier, men forskjellen på denne regjeringen og den forrige regjeringen er at de rød-grønne har skjønt at infrastruktur er ikke bare vei og bane. I Oppland er det et skrikende behov for mer digital motorvei, men regjeringen bremser jobbvekst og næringsutvikling når de kutter til bredbåndsutbygging i distriktene. I Oppland finnes det kreative gründere og noen av verdens beste fagarbeidere, mennesker som har lyst til å bidra til at det blir realisert nye arbeidsplasser. Et av våre viktigste virkemidler har vært de regionale utviklingsmidlene, men det kan hende det var litt for målrettede virkemidler for

Staten reduserer eierskapet til arvesølvet, og forskjellene i landet blir større. Med denne regjeringen blir det altså mer av det vi vil ha mindre av, og mindre av det vi vil ha mer av, og derfor fortjener både Oppland og Norge en ny regjering. I integreringspolitikken er I integreringspolitikken er det bred enighet om at det viktigste er å legge til rette for at de som kommer til Norge, raskt skal lære seg språk. Det er nøkkelen for å komme inn og fungere godt i både utdanning og arbeid. Målet må være at man kan forsørge seg og sine og bidra i samfunnet på lik linje med oss andre. Skal dette målet kunne realiseres, må rammebetingelsene legges til Det betyr i praksis at språkopplæring må styrkes allerede i mottaksfasen. Det er derfor med undring vi ser at regjeringen egentlig ville svekke denne satsingen, slik regjeringen foreslo i integreringsmeldingen. Dette ble heldigvis stoppet i Stortinget nettopp fordi målsettingen er både verdi- og kunnskapsbasert. Det må være en sentral oppgave for Stortinget å legge til rette for at passiviteten i Voksne mennesker som kommer hit, ønsker å starte livet på ny for seg og sin familie. Da kan motivasjonen være på topp av både lettelse og takknemlighet samt et ønske om ikke å være til bry. I dag går tusener av friske voksne i måneder og år uten å komme videre i Norge. Det dreper motivasjon og initiativ og skaper framtidige sosialklienter og såkalte navere. Integrering og sysselsetting er vanskelig nok om vi ikke skal forsterke utfordringene.

gjennom 2014 har kommunene gjort en kjempejobb og bosatt og rigget for ytterligere inkludering. Nå handler det kun om å følge opp med prioritering fra regjeringens side. I dette arbeidet må det sørges for gode muligheter til frivillig engasjement og innsats fra frivillige og ideelle lag og organisasjoner. Det er vanskelig å finne bedre integreringsarenaer enn det. Det frivillige Norge står klart til å bidra.

eller skattelette til velstående, for ingen av delene hjelper oss inn i framtida. Utfordringer med millioner av mennesker som flykter fra krig og konflikt, kan ikke løses ved at rike land som Norge er med på å stenge grensene og ser mellom fingrene når det gjelder brudd på folkeretten. Dette tar oss ikke i riktig retning. Forskjeller er som gift i et samfunn, og det ødelegger økonomien. Vi gjør det bedre økonomisk hvis forskjellene blir mindre. Derfor trengs det en ny skattereform som gir betydelig lavere skatt på vanlige og lave inntekter og høyere skatt til dem som har formuer og høye inntekter – tvert imot det regjeringen gjør. Det trengs en ny politikk mot fattigdom. Man må f.eks. øke barnetrygden, fordi det å holde folk i fattigdom verken skaper helse eller får noen i arbeid – det skaper håpløshet, sykdom, frykt og knapphet. Et arbeidsliv med flere midlertidige ansettelser og mer utrygghet skaper ikke den innovasjonen og den deltakelsen vi trenger for å fortsette den gode produktivitetsøkningen som har vært i norsk arbeidsliv de siste tiårene. Vi må få tilbake lover som tar vare på den viktigste ressursen landet har, nemlig arbeidskraften. Vi trenger en ny boligpolitikk som tar hensyn til dem som ikke har bolig, som trenger bolig, og som ikke gir store skatteletter til folk som låner penger til bolig nr. 1, 2 og 3, og spekulerer og gjør at prisene øker. Vi må ta kontroll over og fjerne de rikes sugerør ned i fellesskapets skattepenger når det gjelder privatisering av velferd og omsorg – alle de pengene skal gå til f.eks. barnevern eller eldreomsorg. De som gjør jobben i disse viktige yrkene, har jammen krav på en skikkelig pensjon de kan leve av, og ikke at pengene går til utbytte i bedrifter. Mange av disse bedriftene har plassert seg i skatteparadis, der det unndras hundrevis av milliarder kroner som vi kunne bygd velferd for. Regjeringen har ikke noe svar på dette, de har ikke engang nevnt

og det har denne regjeringen gjort siden den tiltrådte for tre år siden. Forskjellene blir større. De som har mest fra før, får mer. Forskjellene blir større mellom dem som har jobb, og dem uten jobb. Forskjellene blir større mellom dem som har en fast jobb, og dem som bare får midlertidige ansettelser. Vi ser forskjellene øke mellom by og land og der hvor sentraliseringspolitikken er sterk. Askim er ikke stor nok for regjeringen. Derfor står de nå i fare for å miste sitt skattekontor og statlige arbeidsplasser, som skal sentraliseres vekk fra Askim. Høyre-ordføreren der er ikke imponert – og det er ikke hva velgerne i Indre Østfold ble lovet i 2013. Så fortsetter regjeringen med å vise til at vi trenger flere arbeidsplasser i privat sektor. Det er vi svært enige om, men da framstår det jo som svært lite troverdig når Høyre og Fremskrittspartiet slår til med flyseteavgifter som effektivt fjerner opp mot 1 000 arbeidsplasser i privat sektor bare i Østfold, beregnet opp mot 4 000–5 000 på landsbasis. Det er nesten så man ikke tror det. Og det trodde vel heller ikke velgerne i Østfold i 2013 da Høyre og Fremskrittspartiet løp rundt i fylket og lovet bort en næringspolitikk som ville føre til sterk vekst i partiet for sterk nedsettelse av avgifter, står nå bak og støtter sterkt en avgiftsøkning som fjerner tusenvis av private, lønnsomme arbeidsplasser landet rundt. Dette er ikke omstilling. Det er elendig politisk håndverk. Regjeringen har ikke prioritert Østfold, for å si det forsiktig. Denne regjeringen har prioritert 20 mrd. kr i året i såkalt dynamiske skatteletter, mest for Norges aller rikeste, og vi ser ingen økning i antall arbeidsplasser i Østfold med denne politikken, slik som det ble lovet. Høyres og Fremskrittspartiets representanter her i dag mener derimot at det er «fantastisk» at Norges rikeste får 20–30 millioner i skattelette, mens vanlige folk blir avspist med 2 000–3 000 kr. Muligens er de «punch-drunk», hele regjeringen, og da tenker og handler man jo ikke klart. Det har jo statsministeren selv sett og opplevd på nært hold. Og kanskje er det derfor vi ikke får noen tydelige svar fra denne regjeringen. Vi er

når framtidens transportløsninger utformes. Alle barn skal ha rett til en trygg skolevei, og plikten til å gå på skole må følges av en rett til å komme trygt til og fra skolen. Et samfunn som er bra for barna, er bra for oss alle, og vi gjør ikke dette for oss selv, vi gjør det fordi vi skylder disse barna en best mulig start på livene sine. Jeg vil hevde at det er en av våre aller viktigste Den siste tiden har det kommet urovekkende signaler fra flere partier, faktisk også fra Høyre, hvor man i et nytt forslag til partiprogram tar til orde for å åpne for å fjerne barnetrygden helt samt å endre den statlige kontantstøtten. I VG 12. september i år går Kristin Vinje inn for å «styrke arbeidslinjen for foreldrene», som det heter, bl.a. ved å gjøre barnehagen gratis gjennom å kutte barnetrygd og kontantstøtte. Det er svært overraskende at Høyre nå ser ut til å være i ferd med å kunne forlate sitt verdikonservative ståsted og i stedet fremmer en politikk der familien skal underordne seg staten. Foreldre er jo så mye mer enn lønnsarbeidere; de er omsorgspersoner som hver dag er opptatt av å finne de beste løsninger og få tid til barna, i kombinasjon med arbeid. Etter Kristelig Folkepartis syn er det viktig å verne om familiens rett til å velge den løsningen en mener best ivaretar egne barn. Kontantstøtten er et godt virkemiddel som gir foreldre mer tid med barna. Og selv om den har kommet i hardt vær fra både Venstre og Høyre den siste tiden, bør det erkjennes at 41 pst. av alle ettåringsforeldre mottar denne, og det er et flertall i befolkningen for å beholde ordningen. Barnetrygden er et annet gode som Mens gratis barnehage er øremerking av midler, sikrer barnetrygden familiens rett til selv å bestemme over hvordan disse pengene skal benyttes. Familiene bør sikres muligheten til å ta egne valg. Kristelig Folkeparti mener den universelle barnetrygden i stedet må videreføres og styrkes. Det er overraskende om partier som er opptatt av valgfrihet, nå går inn for en statlig der kun familier som velger den såkalt rette løsningen, skal få støtte. Hvordan den enkelte familie velger å organisere sine liv, må være en beslutning som familiene tar selv. Utdanning for alle har alltid vært en av Arbeiderpartiets viktigste kampsaker. Vi vet at utdanning er

Det handler om å skape gode, trygge skolemiljø hvor barn og unge kan være nysgjerrige og får utfordret seg selv, uansett hva de har med seg i bagasjen. Familien og barnehagen skal legge grunnlaget for læring og utforsking i skolen. Men så er dessverre ikke alltid tilfellet. Skolen må uansett se alle og gi alle gleden ved og evnen til å lese, regne, skrive, men også male, snekre, synge, løpe, klatre og trives med seg selv. Det er det som er det store samfunnsoppdraget – at alle skal bli den beste utgaven av seg selv. Hvorfor er det da ungdom som går ut av skolen og nesten ikke kan lese, som knapt forstår og kan bruke tall og andre logiske symboler, og som ikke har utviklet seg kreativt i skolen, men som må ut og vekk for å realisere egne talent og «finne seg sjøl»? Et av svarene er at for mange barn opplever at deres utfordringer ikke tas på alvor før det er for sent. De sliter med å lese, men ekstra hjelp og støtte kommer først etter mange år. De sliter med uro eller utagerende oppførsel, men at det er ulevelige forhold hjemme, kommer først fram når de nesten er blitt voksne. De synes matematikken er vanskelig, men ekstra tiltak settes ikke inn før mot slutten av ungdomsskolen. Vi setter inn ressursene for sent, så hva gjør regjeringen med det? Arbeiderpartiet vil at alle som sliter på skolen, skal få hjelp tidlig. Da trenger vi flere lærere. Vi trenger tidlig innsats, og det over alt, i alle kommuner, i hele landet. Derfor vil vi ha en lese-, skrive- og regnegaranti. Dette må på plass for å hindre det store og unødvendige frafallet fra videregående opplæring. For vi trenger et næringsliv som er konkurransedyktig, med topp kompetent arbeidskraft, og vi trenger en offentlig sektor med dyktige fagfolk i alle ledd. Da må hele skoleløpet være satt i stand til å utdanne befolkningen på best mulig måte. Framover vil det være nødvendig med læring hele livet, og det for oss alle. Arbeiderpartiet ønsker derfor å gjennomføre en reform som lar folk videreutvikle sin kompetanse etter hvert som teknologien endrer arbeidslivet, etter hvert som nye jobber krever at vi kan noe annet enn før. Endringene skjer nå så fort at det er urealistisk at det er kun de nyutdannede som skal være den arbeidsstyrken som løser oppgavene på nye måter. Grunnlaget for at Norge også i framtiden skal være en teknologi- og kompetansenasjon, ligger i en god skole for alle og en moderne kunnskapssektor for øvrig. Først vil jeg gi uttrykk for at det var en svært god trontale, både i form og

Dette vil redusere transportkostnader, styrke nyskapingen og heve kompetansen i befolkningen. Investering i infrastruktur har vært et hovedpunkt for regjeringen fra første dag. Investeringsrammene er økt med nærmere 50 pst., til 59,7 mrd. kr. Det er også tatt grep for å sikre oss raskere og mer kostnadseffektiv utbygging. Bevilgningene til planlegging er økt, og det er tatt initiativ til å Det handler om å være mer tilbakeholden med å sende prosjekter inn i en tung KVU-prosess der konseptvalgene er selvsagte. Det handler om å se på nødvendigheten av kommunedelplaner der en like gjerne kan gå rett på reguleringsplan. Bruk av statlig plan vil også være et egnet virkemiddel i en del sammenhenger. Et annet viktig poeng har vært å se nærmere på valg av standard på prosjektene. I denne sammenheng vil jeg nøye meg med å peke på den klargjøringen departementet gjorde i sommer med hensyn til utbygging av gang- og sykkelveier langs kommunale og fylkeskommunale veier. Her ble det fastslått at fylker og kommuner står fritt til selv å avgjøre hva som er en tilstrekkelig standard. Dette vil gi vesentlig flere gang- og sykkelveier – billigere og fortere. Ved å bygge helhetlig og over lengre strekninger kan en redusere de samlede kostnadene og sikre at nytten for næringslivet blir realisert fortere. Dannelsen av Nye Veier AS er et spennende prosjekt der en kan høste erfaringer med bedre forutsigbarhet med hensyn til framdrift, standard og økonomi. Disse erfaringene kan rydde veien for en større reform i forhold til hvordan Stortinget skal styre infrastrukturutbyggingen i framtiden. Jernbanereformen trekker et klart skille mellom bestiller, utfører og transportør. Direktoratet skal få styrende og koordinerende oppgaver, mens operative oppgaver innen bl.a. drift, vedlikehold og utvikling av infrastruktur legges til infrastrukturforetaket Bane NOR SF. Transporten settes ut på anbud. Bruk av anbud er velkjent i kollektivtransporten. I mange fylker blir busstransporten satt ut på anbud – det samme gjøres med fergetilbudet. Erfaringene er gode. I forbindelse med anbud kan det stilles nye og strengere krav til transportøren både når det gjelder materiell, kapasitet, frekvens og miljø. Dette har gitt kundene et bedre tilbud. Og det var jo meningen!

velstand til alle og velferd for alle skapes best gjennom et sterkt fellesskap. Dette fellesskapet rives sakte, men sikkert i stykker gjennom den politikken som dagens regjering fører. Resultatet er påpekt av mange her i dag. Jeg skal ikke gjenta alt det nå, men budskapet og alvoret i parolen «Arbeid til alle» At arbeidsplasser forsvinner på grunn av svingningene i konjunkturene, er vondt for dem som rammes, men det er grunn til å påpeke at det også gjør vondt når arbeidsplasser forsvinner på bakgrunn av politiske vedtak om sentralisering. I Finnmark flyttes offentlige arbeidsplasser ut av fylket i stort monn. Selv ikke fylkesmannsstillingen blir lyst ut på annet vis enn som midlertidig stilling, ikke engang statens mann eller kvinne er viktig for regjeringen å ha i Finnmark. Representanten Svein Harberg og andre hyller regjeringen for å tørre å gjøre endringer i tilgang til offentlige tjenester. Alt skal bli så mye bedre dess lenger unna tjenesten folket befinner seg, er visst regjeringens mantra. Ny teknologi skal åpne alle dører til disse tjenestene, men sannheten er at når man ringer eller kontakter det sentraliserte Nav-kontoret, er svaret som oftest: Du rykker stadig fram i køen. I slike møter med det offentlige er ikke veien lang til å bruke uttrykk som i denne salen ville og nærhet til – helsetilbud i hele landet er en edel tanke. Jeg kan ikke la være å nevne at syke mennesker i Alta og Kautokeino må reise i opptil 14 timer for et spesialistbesøk på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø uten at helseministeren bryr seg. Han sitter også stille og ser at Helse Nord bygger ned ambulanseflytilbudet til befolkningen i Finnmark. Likeverdige helsetilbud blir bare ord når slik passivitet og mangel på politisk styring i helsepolitikken synliggjøres så tydelig. Regjeringen Solberg gikk til valg på å si at de ville forandre Norge, sa bl.a. representanten Ebbesen i sitt innlegg. Det valgløftet har de faktisk innfridd, men ikke slik som de selv oppfatter det. Jeg har lyst til å sitere hva en mann fra Tromsø skrev på sosiale medier om høyrepolitikkens virkning i nord: Jeg fatter ikke at folk fra landsdelen kan sitte og tåkelegge at Høyre og Fremskrittspartiet skal gi bort landsdelens ressurser til norske og utenlandske milliardærer. Kommuneøkonomien er ikke styrket. De har tatt penger fra fattige kommuner og gitt dem til rike kommuner – akkurat den samme modellen de bruker på folk flest: Man tar fra dem med lite og overfører til Arbeiderpartiet tar dette budskapet på alvor fordi vi vil at Norge skal være et land der forskjellene er små, mulighetene er store, og hvor vi får frihet og trygghet gjennom sterke fellesskapsløsninger. Det viktigste vi kan si til ungdommen, er

for den som starter egen virksomhet, som jeg har vært inne på før i dag. Jeg er glad for at vi i Venstre har fått gjennomslag for mange næringspolitiske saker siden sist det var trontaledebatt. Vi har levert for gründere og andre næringsdrivende, slik vi har levert for landbruk, reiseliv, fiskeri og havbruk – ikke minst mer penger til bestandsforskning – og næringsmiddelindustrien, på samme måte som vi har fått betydelige gjennomslag for en grønnere kurs innen maritim politikk. Men Venstre er utålmodig og vil ha mer. Med nye krav til mer miljøvennlige skip vil det bli mer aktivitet for verftene, leverandørindustrien og tilstøtende virksomheter. Parallelt med dette må det satses konkret på hydrogenløsninger for skip og andre transportformer, og det må bygges infrastruktur med landstrøm i flere havner. Og så må det satses på samferdsel, ikke minst for å knytte bo- og arbeidsregioner tettere sammen. I min del av landet trenger vi fergefri E39 gjennom hele Møre og Romsdal, og vi trenger Nordøyvegen slik vi trenger Trollheimforbindelsen. Møre og Romsdal har en lav andel statlige arbeidsplasser sammenlignet med andre fylker. Fylket er nesten på

Jeg har stor respekt for at mange er i en vanskelig situasjon fordi de er blitt arbeidsløse. Derfor er det viktig at prosjekter som skal og må komme, forseres, at f.eks. bygging av nytt opera- og kulturhus i Kristiansund kommer i gang for å skape mer aktivitet i en by og en region som er rammet av olje- og gassutfordringene. Vi må se mulighetene og ikke begrensningene nå. Jeg vil se en enda sterkere satsing på fagskole og høyere utdanning på NTNU i Ålesund, på høgskolene i Molde og Volda og Høgskolesenteret i Kristiansund. Det samme gjelder forskning ved Nofima på Sunndalsøra, Møreforsking, NIBIO og NORSØK. Disse institusjonene er blant nøkkelfaktorene for kompetanse- og næringsutvikling i min del av landet og for norsk økonomi. Det er

De 50 som får mest skattelette, får tusen millioner kroner hvert år på deling – i dag har vi hørt Høyres parlamentariske leder kalle det «fantastisk» – mens en arbeidsledig som kommer i jobb igjen, må ta ubetalt ferie året etter. Det er i alle fall ikke fantastisk. Det er noe unorsk over sånne prioriteringer.

mens de som har mest fra før, får store skatteletter. Arbeiderpartiet vil i en annen retning. Vårt mål er å redusere forskjellene mellom folk. Det er noe unorsk med en politikk som bidrar til det motsatte. I trontalen ble det fastslått at det er for mange på helserelaterte ytelser i Norge, og at det er krevende å nå målet om at flere kommer i arbeid. I dag har vi på Opplands-benken hatt møte med Nav Hadeland. Der har flere politikere fra regjeringspartiene vært på besøk, fordi de har gode resultater i sitt arbeid med å få dem som er lengst unna arbeidslivet, ut i jobb. Med skreddersøm og tett oppfølging har de lyktes. Et prosjekt som er rettet mot dem med psykiske lidelser og rusproblemer, har fått 70 pst. ut i jobb. Resultatene vekker oppsikt. Målrettet innsats virker. Men prosjektet legges ned, finansieringen forsvinner. Hvordan skal regjeringen nå sine mål om flere i arbeid og færre på ytelser når virkemidlene forsvinner? Hittil har ikke Innlandet vært møtt av ledighetskrisen, men utfordringene er ikke borte av den grunn. Innlandsutvalget slo fast at det er behov for økt oppmerksomhet rundt den negative befolkningsutviklingen og få nye arbeidsplasser. Nå har vi ikke hørt noe om innlandsinnstillingen på lenge. På Innlandets vegne har vi store forventninger til det budsjettet som nå legges fram. Vi forventer at Høyre og Fremskrittspartiets folk i Stortinget har sørget for at innstillingen blir fulgt

vel, i dag var et kvarter med Gahr Støre nok. Hans innlegg var oppsiktsvekkende preget av et politisk hukommelsestap. Gahr Støre sa at regjeringen bruker tre år på plan for Forsvaret og skyver på problemene for Hæren. Det var Arbeiderpartiet som skjøv på problemene for Hæren. I 2012 sa Jens Stoltenberg at Forsvaret struttet av

Det glansbildet som Arbeiderpartiet hadde tegnet, hadde ingenting med realitetene å gjøre. Forsvar av vårt territorium og suverenitetshevdelse er statens viktigste rolle. Regjeringen løfter og prioriterer forsvars- og beredskapspolitikken. Politiet er styrket med 3 mrd. kr inntil statsbudsjettet for 2017 er lagt fram. Det blir 1 000 nye politifolk, og det kommer mer i statsbudsjettet for 2017. Regjeringen vil gjenreise landets forsvarsevne, gjerne sammen med Arbeiderpartiet. Men da må Arbeiderpartiet og Gahr Støre vise noe med mer substans i enn hva parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet gjorde i dag. Forsvaret er landets forsikring. Regjeringen foreslår i sin langtidsplan foreslår i sin langtidsplan nå at Forsvaret skal tilføres 160 mrd. kr mer over 20 år enn det som lå og ligger i Arbeiderpartiets forsvarspolitiske planer. Det er helt nødvendig. Årevis med etterslep og en omskiftelig sikkerhetspolitisk situasjon tilsier at vi må beskikke vårt bo på en bedre måte enn vi har gjort til i dag. Samtlige forsvarsgrener skal styrkes, og landets samlede beredskapsressurser skal utnyttes på en bedre måte. Arbeiderpartiet utnyttet dessverre ikke det økonomiske handlingsrommet som de hadde i åtte år, til å styrke Forsvaret. Nå er det ingen vei utenom. Regjeringen tar ansvar og vil løfte Forsvaret, slik at vårt vern av landet er godt nok, og at staten ivaretar sin primæroppgave.
ja, hele 1 mrd. kr hører vi i dag – til de 50 rikeste, foran utbygging av velferden i kommunesektoren. Vi har en regjering som øker forskjellene i Norge: mellom rik og fattig mellom dem som har jobb, og dem som ikke har jobb mellom dem som har trygge jobber, og dem som har utrygge jobber mellom by og land mellom menn og kvinner Jeg påstår vi har en regjering som ikke forstår Nord-Norge. Vi ser det i sak etter sak, og det siste eksempelet fikk vi nå med forslag til langtidsplan for Forsvaret. Budskapet fra regjeringen forsøkes solgt som positivt, men realiteten viser noe annet. Vi har hørt det før i dag: De blinker til venstre, men svinger til Norges styrke ligger i sterke fellesskap. Arbeiderpartiet har tradisjon for å løse de store oppgavene sammen. Vi har bestandig vært pådriver for et samfunn med de små forskjellene og rettferdig fordeling. Vi vet at arbeid til alle, velstand til alle og velferd for alle skapes best gjennom det sterke fellesskapet – den norske modellen.

Men vi har en regjering som ikke vil bygge ut den digitale infrastrukturen i hele landet. Her skal man la markedet bestemme, og dette gir et digitalt skille. Vi har en regjering som er mer opptatt av kommunegrensene enn av det kommunale tilbudet. Ja, det er tøft å være ordfører i mange kommuner, og jeg kjenner meg igjen fra den tida jeg var ordfører. Da var Erna Solberg kommunalminister. Det ser ikke ut som det har blitt noe lettere med henne som statsminister. Vi har en regjering som svekker landbruket i nord. Vi har en regjering som ikke vil ta fiskeressursene i bruk lokalt. Vi har en regjering som vil svekke kommunenes inntekter fra vannkraftsektoren. Landet trenger en ny regjering som svinger samme veg som man

over egen utvikling? Sett fra nord er svaret altfor ofte nei på disse spørsmålene. Det er ingen tvil om at Nord-Norge har en lys framtid med store muligheter. Det er bare det at regjeringa må slutte å spenne bein på landsdelen. Eksemplene på sentralisering er altfor mange, og eksemplene på kutt er altfor mange og for store. Skal mulighetene tas fullt ut i bruk, må landsdelen selv ha midler og makt, slik at utviklingen i nord i større grad styres fra nord. Det er jeg ærlig talt usikker på om regjeringa forstår. Tvert imot, utviklingen viser at vi har en regjering som ikke forstår Nord-Norge. Regjeringa viser at de egentlig ikke forstår Nord-Norge når de mener at en konsulent på kontoret til Innovasjon Norge i Oslo bedre kan plukke ut de lokale prosjektene og de lokale ideene som er viktige for Troms, enn det de lokale selv kan gjøre. De viser at de ikke forstår Nord-Norge når de kutter penger til Fylkesrådet i Nordland som de kan bruke på sitt regionale næringsliv, og heller vil sende de samme pengene gjennom Sanners statlige kvern. Regjeringa forstår ikke Nord-Norge når de tror det blir bedre styring av at enda mer sentraliseres, enn at det også fins kompetansearbeidsplasser i Finnmark. Regjeringa forstår heller ikke Nord-Norge eller Norge når de gang på gang knuser sparegrisen til våre barn og barnebarn, bruker stadig mer oljepenger og heller bruker 20 mrd. kr på skattekutt, uten særlig effekt, enn på fellesskapet. Jeg er klar over at Høyre og Fremskrittspartiet sier at vi når vi tar opp denne utviklingen med kutt og sentralisering. Men det er fordi Arbeiderpartiet har tro på utviklingen i nord, at vi mener at de nordnorske folkevalgte bør få styre mer av pengene selv til beste for sin landsdel. Det er fordi vi har tro på utviklingen, at vi vil styrke næringsklyngene, bioøkonomien, teknologiutviklingen, havbruk og fiskeri. Det er fordi vi har tro på utviklingen i nord, at vi ønsker å blåse nytt og det er fordi vi har tro på utviklingen, at vi øker kommunebudsjettene og mener at man kan styre mer av egen utvikling der den faktisk skjer, og ikke sentralisere.

lære de første ordene på engelsk og mye, mye mer. Det er i de første skoleårene at grunnlaget for videre læring legges, og derfor er de første skoleårene så avgjørende. Jeg har et håp om at vi skal se tilbake på 2016 som det året da vi politikere for alvor tok ansvar for at alle barn skal få en god start på skolegangen, for sånn er det dessverre ikke i dag. Vi har en god skole i Norge. Tusenvis av lærere gjør en kjempejobb hver dag, men likevel er det en del elever som opplever at de ikke får den hjelpen og oppfølgingen de har behov for, som kanskje trenger litt mer tid med læreren sin for å få grep om pluss og minus eller for å klare å knekke lesekoden, men som opplever at læreren ikke har tid. Resultatet blir at det oppstår kunnskapshull, og disse elevene får et dårligere grunnlag for videre læring enn de burde fått. Noen gjentar til stadighet at løsningen er bedre lærere. Jeg tror ikke at problemet er at lærerne ikke er gode nok, jeg tror problemet er at lærerne ikke har tid nok. Derfor mener jeg at det viktigste vi kan gjøre, er å gi lærerne nok tid – nok tid til å følge opp hver enkelt elev. Da trenger vi flere lærere på de laveste klassetrinnene. Tidlig innsats i skolen og flere lærere i 1.–4. klasse har derfor vært en av Kristelig Folkepartis viktigste prioriteringer i denne stortingsperioden. Kristelig Folkeparti ønsker derfor en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå. Mitt håp er at vi skal klare å få flertall for denne politikken her på Stortinget i år. skole handler ikke bare om grunnleggende ferdigheter. Skole handler også om sosialisering, om holdninger og verdier. Skolen skal utvikle hele mennesker, ikke menneskelige regnemaskiner. Derfor må verdiformidlingen også vies plass i skolen. For ti år siden fikk vi Kunnskapsløftet i norsk skole. Nå mener vi i Kristelig Folkeparti at Kunnskapsløftet må følges opp med et verdiløft et verdiløft som sørger for at de verdiene som trekkes fram i skolens formålsparagraf, ikke bare blir honnørord i en lovtekst, men verdier som får gjennomsyre skolehverdagen og får være med på å prege elevene og på den måten også det samfunnet de skal være en del av. Som god sunnmøring er

krampetrekningar. Det same gjeld i arbeidspolitikken. Arbeidsmiljølova er arbeidarbevegelsen sitt arvesølv, som Høgre og Framstegspartiet no vil selje til høgstbydande. Vi ser no særleg frå Høgre eit forsøk på å kopiere strategien frå 2013 – brura blir pynta eitt år før valet. Politikken blir pakka inn i så mange lag at det kan vere vanskeleg å sjå forskjell på Michelinmannen og arbeidsministeren. Han som var ein raud klut for arbeidsfolk, er bytt ut med ein statsråd som går rundt og trur at ho er ein slags motivasjonscoach eller karriererettleiar. Men politikken og målet er gjennomskoda for lengst – rettar og reguleringar i arbeidslivet skal fjernast. Der Høgre latar som om ingen ting skal skje, er heldigvis Framstegspartiet frigjerande ærlege på kva dei vil. Sidan landsmøtet i 2013, der Siv Jensen sa ho ville byte den norske modellen med Framstegsparti-modellen, har partiet systematisk jobba for å svekkje vanlege folks rettar i arbeidslivet. Det nye programforslaget til Framstegspartiet viser høgrepolitikken sitt sanne ansikt. Summen av den føreslåtte politikken er eit totalt brot med den norske arbeidslivsmodellen. Partiet vil ha meir bruk av mellombels tilsetjingar, partiet vil svekkje fagforeiningane og ha lokale avtaler om lengre arbeidsdagar. Det har ingen ambisjonar om å kjempe mot sosial dumping og vurderer til og med mindre løn og karensdag til folk som blir sjuke. Det aller mest alvorlege med det er at vi har sett at fått gjennomslag hos Høgre i denne perioden, og resultatet av fire nye år med ein slik kombinasjon vil vere veldig alvorleg. Det vil gje mindre tryggleik for arbeid og mindre tryggleik i arbeid, større forskjellar mellom folk og eit kaldare samfunn der nokon er innanfor og nokon er utafor. Så snart Arbeidarpartiet kjem i regjering neste den generelle retten til mellombels tilsetjingar, slik at hovudregelen i norsk arbeidsliv igjen blir faste, heile stillingar. Vi vil fjerne arbeidskontraktar utan løn mellom oppdrag, vi vil stramme inn reglane for leige av arbeidskraft, vi vil ha meir effektive grep for å kjempe mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Arbeidslivet har mange utfordringar. Problemet er at regjeringa ikkje møter ei einaste ei av dei. Derfor treng Noreg eit Arbeidarparti, som går i spissen for tryggleiken til alle arbeidstakarar. For oss i Arbeidarpartiet er

gjennom utdaning, gjennom verkemiddelapparatet og gjennom den økonomiske politikken. Entreprenørskap, innovasjon, IKT og koding må verta ein større del av utdaninga – som basiskunnskapar, ikkje berre som valfag. Me må sørgja for fleire studieplassar innan IKT, og me må ha eit yrkesfagløft – og me må sørgja for at utstyret på yrkesfag er oppdatert, for me veit at når det gjeld både automatisering og IKT, er det store manglar. Det kan me ikkje leva med. Me må også få fleire jenter inn i tekniske fag. Dersom me skal verta meir innovative, må me bruka alle kreftene våre. Noreg har den mest kjønnsdelte arbeidsmarknaden i Europa, og ungdom som skal velja, vel veldig tradisjonelt. Eg vil at ungdom skal få dobbelt så mange moglegheiter, og at alle skal få utnytta talenta sine. eit verkemiddelapparat som stadig fornyar seg med omsyn til behova av i dag. Me må leggja til rette for at gode idear får kapital til å utvikla og kommersialisera seg. Det kan me gjera med bl.a. akseleratorprogrammet, som me har føreslått no i fleire år. Eg har kontakt med mange gründerar, og beskjeden er at kapitaltilgang er ei stor utfordring. Ei anna tilbakemelding eg ofte får, er at det er for vanskeleg å bruka verkemiddelapparatet vårt. Det tek for lang tid å søkja i forhold til det dei får att. Då held det ikkje med eit regelråd som sit og framleis ikkje er komne i gang med arbeidet sitt – me må faktisk berre begynna å gjera noko. Møter med enkeltmennesker som er

eller om salg eller flytting er det eneste mulige. Med det som bakteppe kan jeg innrømme at det har vært krevende å reise hjem til Vestlandet i helgene de siste årene. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringens fokus har hatt tre hovedingredienser: skattelette – det skapes knapt nye arbeidsplasser; 25 000 nye jobber på tre år og faktisk to av tre i den ellers så høyresideutskjelte offentlige sektor salg av Norge og privatisering på ulikt vis – både av viktige fellesinvesteringer som Flytoget, og også med snakk om Statskog og fiskekvoter økende forskjeller – gjennom skattekutt til dem som har mest fra før, mellom dem som har jobb, og dem som ikke har jobb, og gjennom utrygghet i arbeidslivet ved å alminneliggjøre midlertidige jobber og undervurdere sosial dumping Den norske modellen utfordres nå av høy arbeidsløshet, bevisst økende forskjeller og manglende respekt for Mange vil huske partileder og finansminister Siv Jensen, som mente at den norske modellen sto i veien for det norske folk. Nå ser vi demonteringen. I Rogaland er det nærmere 11 000 arbeidsløse. Hvis regjeringen faktisk mener – slik det ble sagt i trontalen – at arbeidsinnsatsen er må de slutte å somle med initiativer som virker. Handlekraften var eksempelvis totalt fraværende da partene krevde bedring i permitteringsregelverket for å ta i bruk nettopp Norges viktigste ressurs. I Haugesund strever Arbeiderpartiordfører Arne-Christian Mohn med å få kommunens budsjett i balanse etter 20 år med Høyre-styre. Når man starter året med 165 mill. kr i minus og landets høyeste arbeidsledighet, må man være nokså nær Høyre-topp for å komme på ideen om at det er skattekutt som er svaret.

på Sør- og Vestlandet har dempa nedgangen i denne delen av landet. I dag lanserer regjeringa også ei pakke på 650 mill. kr. Det er ikkje tvil om at Noreg er på veg ut av krisa, og regjeringa har levert så det monar. Regjeringa har lagt til rette for vekst og verdiskaping i distrikta ved å gje bedriftene gode vilkår for å skape fleire jobbar og satse på innovasjon. Arbeidsplassar er grunnlaget for alle lokalsamfunn. Derfor har regjeringa redusert skattane og prioriterer kunnskap, infrastruktur og innovasjon. Samla har regjeringa redusert skattane og avgiftene med 18 mrd. kr sidan 2013. For næringslivet er særleg reduksjon i skattlegginga av bedrifter, redusert formuesskatt, utviding av SkatteFUNN-ordninga og forenklingar i meirverdiavgiftsordninga viktig. Dette gjev næringslivet meir pengar å bruke på å skape arbeidsplassar. Regjeringa har også styrkt satsinga på næringsretta forsking og innovasjon med 2,4 mrd. kr, inkludert realisert skattefrådrag for SkatteFUNN-ordninga. Det gjev meir forsking og utvikling i næringslivet og grunnlag for nye produkt og tenester som gjev ny verdiskaping og vekst. Regjeringa satsar særskilt på å stimulere til gründerverksemd og leverer landets første gründerplan. Planen blei følgd opp med 400 mill. kr. ekstra til gründerar i 2016.

Lefdal Mine Datasenter, Avans i Dale i Sunnfjord, Moods of Norway og GRS Riflestock, som lagar geværstokkar i min heimkommune Hornindal. Det er mange grunnar til at desse bedriftene har vakse fram i vårt fylke, som spennande gründermiljø fleire stadar i Sogn og Fjordane, lokal kapital og naturgjevne føresetnader. Dei fleste har også stor nytte av dyktige folk lokalt, m.a. Innovasjon Noreg. Når vi tek med regjeringa sitt viktige ja til mineralutvinning i Engebøfjellet, er eg veldig stolt over å kunne seie at regjeringa gjev eit viktig bidrag til å skape framtidas arbeidsplassar i Sogn og Fjordane og på den måten er med på å skape vekst og utvikling i vårt

i kommuner og fylker som på ulikt vis er en del av oljevirksomheten. Vestfold er et godt eksempel på det. Vi har flere kompetansebedrifter som har måttet redusere antall ansatte på grunn av nedgangen i oljeutvinningen, slik som f.eks. Agility i Tønsberg. Vestfold er altså et av de fylkene der arbeidsløsheten øker mest. Rundt 3 800 var registrert uten jobb i september,

og forklaringer skal gis på hvorfor mor eller far ikke jobber, eller hva de jobber med. Derfor er kampen for arbeid en av Arbeiderpartiets viktigste saker. Også vår felles innsats for å sikre en god integrering av flyktninger rammes når arbeidsløsheten øker og arbeidsplassene mangler. Jeg har lyst til å vise til den gode innsatsen som gjøres i Larvik og på Thor Heyerdahl videregående skole, med kombinasjonsklasser som gir rask utdanning av unge flyktninger som vil ut i arbeid. Der legges grunnlaget for en bedre hverdag for dem som skal finne seg en plass i det norske samfunnet – et eksempel og et opplegg som vi burde brukt på alle skoler rundt om. Men det skaper også forventninger om jobb etter hvert og muligheten til å kunne forsørge seg selv. Derfor må vi ha arbeidsplasser og tiltak som kan ta imot alle dem som trenger en jobb. Det er mange grunner til å ønske seg en ny regjering. Den viktigste er å få skiftet ut ideen om at skattekutt til de rikeste er viktigst, og sette arbeid til alle og et seriøst arbeidsliv fremst, slik Arbeiderpartiet vil. Det er kun et sterkt fellesskap som også i framtida vil være vårt sikreste kort for å skaffe arbeid til alle. I trontalen blei det peika på at vi må forstå at endringar er

Mantraet frå Arbeidarpartiet i dag har vore at omstillinga nesten har stoppa opp, og at det ikkje er blitt stimulert til vekst i privat næringsliv i denne perioden. Det er gjennomskodleg retorikk! Eg vel å tru at det norske folk ser at den vakta som den sitjande regjeringa har hatt, har vore meir krevjande enn den tida dei raud-grøne hadde.

Vi må sikre ei forvalting som vil kunne gje innbyggjarane dei beste tenestene. Noreg er eit av dei mest digitaliserte landa i verda. Mange av dei tenestene som vi bruker i dag, eksisterte ikkje for fem år sidan. Utviklinga vil fortsetje, og Både innbyggjarar og næringsliv vil kome til å forvente at Noreg skal bli eit smartare samfunn der gode vekstvilkår for framtida er sikra. Det kan ikkje løysast med gamle verktøy. Vi ser at Noreg no handterer omstillinga. Det har fungert med ny politikk og med målretta tiltak: rekordsterk satsing på veg og bane omorganisering og forenkling av offentleg sektor styrking av incentiv for forsking og utvikling grep som styrkjer norsk eigarskap Men vi har framleis store oppgåver framfor oss, oppgåver som vil trenge både optimisme, pågangsmot og samarbeidsevne. Noreg treng ei leiing som peikar på, og som opnar for, å nytte dei moglegheitene som landet vårt har. Ingen kjenner framtida, men vi kan leggje til rette for gode vekstvilkår, med eit samspel mellom teknologiutvikling og digitalisering som vil løyse framtidsutfordringane våre innan både transport, energi, klima, miljø og helse. Og kanskje er det nettopp her at vår «nye olje» ligg. ligg. Denne regjeringa har både evne og vilje til å vere med på endringane for eit digitalisert og smart

hand». De er tidløse og like aktuelle. Særlig aktuelle er de etter tre år med høyrepolitikk, som har gitt økt ulikhet på arbeidsmarkedet, mellom folk og mellom by og land. I trontalen kunne vi høre at vi skal skape verdier over hele landet, både i sentrale strøk og i distriktene. Resten av innlegget mitt skal handle om høyhastighetsbredbånd – eller, rettere sagt, mangelen på den slags. Godt bredbånd Godt bredbånd er helt avgjørende for at vi nettopp skal skape verdier over hele landet. For Distrikts-Norges framtid er bredbåndsdekning særlig viktig for en god utvikling. Avstander viskes ut, vel å merke om en har nettilgang og det går fort nok. Men situasjonen begynner å bli kritisk. Den digitale utvikling, som bare akselerer, noe vi som politikere understøtter, følges ikke opp med Da settes folk i altfor mange lokalsamfunn i landet vårt på sidelinjen. Folk med energi og oppfinnsomhet, bedrifter, barn og unge får ikke mulighetene de skal forvente i et moderne samfunn, får ikke utfolde seg slik de kunne. Dette er mennesker vi forventer eller forlanger skal bruke de digitale løsninger vi i offentlig sektor rigger opp, mer og mer uten alternativer. Slik kan det ikke fortsette. Mitt hjemfylke, Oppland, har den dårligste bredbåndsdekningen i landet.

og en annen en, som måtte reise på kafé i byen for å kunne delta i videokonferanser med sin internasjonale arbeidsgiver og sine kollegaer. Ifølge Klassekampen har Høyre og Fremskrittspartiet sørget for at landets 50 rikeste har fått i snitt 20 mill. kr hver i skattekutt. Samtidig har de gått inn for å kutte den statlige støtten til bredbåndsutbygging med 100 mill. kr både i 2015 og i 2016. 50 mill. kr ville stått igjen på budsjettposten, om ikke stortingsflertallet hadde satt ned foten og fått inn igjen en god del av det. For regjeringa er det altså viktigere å gi skattekutt til tre av landets rikeste enn å sørge for bredbåndsutbygging, for beløpet til de tre rikeste er høyere enn det bredbånd. Da blir det rimelig freidig å snakke om å skape verdier over hele landet, både i sentrale strøk og i distriktene. Det er ingen tvil om at oljeprisfallet har satt sitt preg på Norge generelt og ikke minst på mitt eget fylke, Rogaland, spesielt. Mange mennesker har måttet innstille seg på en helt ny hverdag, og mange, særlig blant de unge, har mistet jobben og har måttet endre sine framtidsplaner. Jeg er derfor svært glad for at vi nå ser at de tiltakene regjeringen har kommet med, begynner å virke. Sakte, men sikkert går ledighetstallene i Rogaland nedover. Med en blå-blå politikk som bidrar til aktivitet og omstilling, er jeg optimist på både Norges og Rogalands vegne. Det er ingen quick-fix på endrede arbeidsmarkeder og forutsetninger, men målrettede og fornuftige tiltak har effekt. I revidert nasjonalbudsjett i år ble 250 mill. kr kanalisert til kommunene på Sørlandet og Vestlandet til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg. Dette er gode investeringer som bidrar både til å bedre infrastrukturen og til å få et bedre arbeidsmarked.

Det ble også satt av penger til 1 000 ekstra tiltaksplasser i en egen ungdomssatsing. Dette kom i tillegg til dagens ordning, der unge under 30 år allerede er en prioritert gruppe. Å legge til rette for at unge som er rammet av arbeidsledighet, får ta utdannelser som er etterspurt i arbeidsmarkedet, er svært viktig, i tillegg til at flere unge får fullført videregående skole enten de mangler enkelte fag eller trenger å forbedre sine karakterer. Også her har regjeringen levert. Et sentralt element her er også den store økningen i lærlingtilskuddet. Siden Høyre og Fremskrittspartiet overtok, har lærlingtilskuddet økt med 17 500 kr. Vi vet at lærlinger er en særlig utsatt gruppe i en situasjon med nedgang i økonomien og stigende arbeidsledighet. En slik konkret og stor satsing på lærlingtilskuddet er viktig og er med på å gi et klart signal til bedriftene om at regjeringen mener alvor med sin satsing på yrkesfag. Denne satsingen skal vi i Fremskrittspartiet jobbe for at skal fortsette, slik at vi får lagt grunnlag for økt sysselsetting og verdiskaping også i

Man skulle ha et mykere Høyre – ikke et kalkulatorparti, men et Høyre som snakket mer som partiene på venstresiden: mer om velferd, mindre om skattekutt. Det skulle vise seg å være en strategi som fungerte. Høyre vant valget for tre år siden. Og hva har nå skjedd? Jo, på slutten av perioden vet vi svaret: Høyre er det samme partiet som det Høyre alltid har vært. «Mennesker, ikke milliarder» milliarder» var et fint slagord, men når vi ser hva de har prioritert, skulle man tro boka hadde en skrivefeil. Erna Solbergs bok burde hett «Mennesker med milliarder», for det er virkelig det vi har fått – en regjering med størst hjerte for dem som har de største De uføre har fått kutt i feriepengene, de eldre har mistet kulturen, barna på skolen har mistet skolefrukten. Fremskrittspartiet foreslår store kutt i sykelønnen – smålige kutt, og de som er rammet, trenger ikke å lure på hvor pengene har blitt brukt. Pengene har blitt brukt på dem som har aller mest. I dag har vi igjen fått det dokumentert. De 50 rikeste menneskene i Norge har fått tusen millioner kroner i skattekutt fra denne regjeringen – trillebårslast med millioner kjørt ut til dem som har aller mest. Det er så urettferdig at man knapt tror det er sant. Jeg utfordrer høyrepartiene til å finne de stemmene som synes dette er en riktig prioritering. Spør naboene deres, barna deres, søsknene deres eller barnebarna deres: Er det riktig at de 50 rikeste i Norge skal få 20 mill. kr hver? Eller kunne vi brukt de pengene annerledes, på skole, på helse eller for å skape nye arbeidsplasser? Jeg tror ikke man finner mange som synes dette er en riktig prioritering. Jeg tror knapt man finner noen som helst. Tvert imot river det i rettferdighetssansen vår. Men i denne sal finner vi flere. I morges fikk vi rene ord for pengene. Hva synes Høyre egentlig om at 50 personer har fått mer i skattekutt enn hva 2 000 mennesker tjener i året? Jo, det er helt «fantastisk», svarte Høyres parlamentariske leder. Vi har en regjering som driver en politikk for større forskjeller. Jeg skjønner Høyre ikke vil snakke om dette, men det er den brutale virkeligheten. Det er dette det norske folket skal svare på om de ønsker at skal fortsette neste år. Da tror jeg det vil gå som sist Erna Solberg styrte Høyre i regjering: Folket sier nei til usolidariske skattekutt og ja til et nytt flertall og en ny kurs. En av forutsetningene for å lykkes med omstilling og nyskaping i framtiden, er

Det er slik at velferdsordningene stort sett administreres av Nav, og dersom man gjør arbeid til en av de viktigste jobbene for Nav, slik tidligere arbeidsminister Robert Eriksson ønsket, vil man oppnå å sikre folk arbeid og, jeg vil si, en mer meningsfylt hverdag. Det skaper større selvrespekt for dem det gjelder, og man får økt verdiskaping for samfunnet. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle. I høst behandler vi I den forbindelse har min kollega Wiborg og jeg reist mye rundt her i Norge. Vi har bl.a. vært på NAV Tvedestrand og NAV Vegårshei, som begge ligger i mitt hjemfylke, Aust-Agder. Der fikk vi høre om utfordringer og muligheter slik Navs egne ansatte ser det, og det har vært veldig lærerikt. Jeg har også gjort det til en viktig oppgave å ta imot innspill fra enkeltmennesker og deres erfaring med Nav. Ofte hører jeg historier både om ting som virker, og om ting som ikke virker. Jeg har bl.a. fått mange henvendelser fra unge mennesker som opplever at reglene er stive og vanskelige. Derfor er jeg glad for den ungdomssatsingen som vi skal behandle i statsbudsjettet nå i høst, og noe av det viktigste for meg er at Nav blir flinkere med ungdom. Nav må forstå ungdommen og deres behov, og Nav må ha de riktige virkemidlene. Så må også ungdommen forstå hva Nav sier og trenger, og de må selv ta ansvar for sitt liv. Så litt samferdsel mens jeg er i gang: Rv. 9, som går gjennom både Aust-Agder og Vest-Agder, har vært og vil være en av mine hjertesaker så lenge jeg er stortingsrepresentant og kan være med og påvirke. Rv. 9 er viktig for alle som reiser mellom Sørlandet og Vestlandet. Her går det mye tungtrafikk, noe som gjør det farlig for dem som vi jobber nå for gul midtstripe gjennom hele Setesdal, og derfor var det med stor glede jeg kunne reise nettopp til Setesdal i forrige uke, med en aldri så liten budsjettlekkasje, ja faktisk to. Regjeringen foreslår i budsjettet for 2017 at det blir penger til gang- og sykkelsti på veien mellom Valle og Harstadberget – en vei som foreløpig ikke er utbygd – det er særdeles viktig å sikre barn og unge så de får en trygg og god skolevei. I tillegg til denne gang- og sykkelveien blir det også satt av penger, 30 mill. kr, til neste byggetrinn i Setesdal, som er Skomedal. Dette gjør at det blir sammenhengende utbygging, vi får billigere og raskere vei, lokale entreprenører får utbyggingene, og det blir tryggere å bo og reise i Setesdal. Er

tiår i landet vårt. Likevel omtales det knapt nok i denne trontaledebatten av Høyre og Fremskrittspartiets representanter, men framstilles gjerne i glansbilder, ledet an av statsminister Erna Solberg. Den økonomiske politikken virker kraftig, sier statsministeren. Ja, så kraftig at om lag 140 000 enkeltmennesker står uten arbeid, er eller det regjeringen kaller å være omstilt. Samtidig dropper 15 000 elever ut av skolen hvert eneste år, fordi de ikke klarer å mestre eget liv. Svaret ungdommene og de arbeidsledige blir møtt med, er skattekutt. Hva var egentlig spørsmålet? Selv om man skulle tro at nikab er regjeringens jobb nr. én når man hørte representanten Nesvik i dag, så er det skattekutt til de aller rikeste – selv om det ikke nevnes skriftlig. Det er jo ikke populært et år før valget. valget. Man trenger heller ikke å være parlamentarisk leder eller å ha kommet til side 420 i sosialøkonom Stoltenbergs bok for å forstå at det er forskjell på hva man bruker penger på i et statsbudsjett. Bestefaren min brukte også mye penger en gang han gravde ut tomten og bygde et hus som familien og mormoren min skulle bo i. Jeg tror det hadde blitt meget upopulært hvis han på tur hjem for å bygge det huset med materialer han hadde kjøpt, heller hadde gamblet bort pengene. pengene. Kritikken mot en visjonsløs regjering går ikke nødvendigvis på at man øker pengebruken, det gjelder jo hva man bruker pengene på, at man finansierer de rikes skattefest med våre felles pensjonskroner. I stedet kunne man ha prioritert velferden. Man kunne ha sagt at vi ønsker å pusse opp gamle sykehjemsplasser der det bor eldre mennesker. De er ikke verdig den prisen. Vi kunne ha fått flere i arbeid. Det virker som at det eneste målet med gründerpolitikken er å selge ut bedrifter som lykkes, i stedet for å bygge kompetanseklynger. Og vi kunne ha satset på alle dem som ikke får læreplass. I løpet av 2017 skal Arbeiderpartiet gjennomføre den største omstillingen landet vårt kommer til å se. Vi skal bytte ut hele regjeringen. Og som en felles bekjent av oss har jeg ti råd til dem: Det ene er at dere må omstilles. Det er viktig med en egeninnsats. Det er viktig å ha mobilitet og være villig til å flytte på seg. Det er viktig å være villig til å forsøke nye bransjer og være villig til å fylle hullene i cv-en når man blir omstilt, når Jonas Gahr Støre blir statsminister i dette landet. Jeg har lyst til å fortelle litt om stoda i Telemark, og det er

For det første: Telemark har en omfattende industri, med ansatte som hver dag står på for høy produktivitet og bidrar til verdiskaping – en industri som klarer mye alene, men som også er avhengig av gode rammebetingelser for å kunne drive godt i framtiden. Jeg vil i denne sammenheng trekke fram INEOS i Bamble. INEOS produserer plastråvarer som eksporteres til store deler av verden. De britiske INEOS-eierne ønsker å investere

Det handler om å trygge både verdiskapingen og arbeidsplassene for framtiden. For det andre: I industrien jobber det folk som må prestere og levere. En god helse er da en viktig forutsetning. Sykehuset Telemark er i ferd med å gjennomføre det som er blitt kalt en utviklingsplan, som bl.a. har ført til at to lokalsykehus er lagt ned. Det er med andre ord tatt ganske men vi opplever at vi får ganske lite igjen. Vi trenger en regjering som satser på helsetjenestene i Telemark, som sørger for at eksisterende bygningsmasse blir rehabilitert, og som ikke minst sørger for bygging av et nytt sengebygg i Skien. For det tredje: Ikke selg Norge – ikke selg Telemark. I Telemark har vi mye skog, og skogen trives i Telemark. Det er ikke uten grunn at Drangedal, skogkommunen, har slagordet «Fire millioner grantrær kan ikke ta feil!». Regjeringen har sørget for at stadig større skogeiendommer legges ut for salg, eiendommer som også ligger i Telemark. Vår felles skog er vår felles ressurs. Skogen bidrar til verdiskaping og rekreasjon. Vi trenger en regjering som forstår at det er nok nå. Løsningen er ikke å selge, men å legge til rette for vekst også i vår felles skog. Vi trenger kort og godt en regjering – en ny regjering – som forstår Telemark og Norge

Alt er altså ikke flatt i Oppland og innlandet. Faktisk er de aller fleste i arbeid i Oppland. Ledigheten er stabil – på rekordlave 1,7 pst. Ja, vi har så mange jobber at både reiselivet og landbruket er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Med et variert og småskalabasert reiseliv i Gudbrandsdalen, i Valdres og på flatbygdene er mange småbedriftseiere glad for at formuesskatten er redusert og pengene kan brukes på kompetanse- og produktutvikling. Det er et lite, men grønt skifte på gang i norsk reiseliv. I år er første året hvor min hjemby, Gjøvik, er universitetsby. NTNU har kommet til Østlandet og valgte Høgskolen på Gjøvik som sin base. Det vil være en stor bidragsyter til videre vekst og innovasjon, for Gjøvik, så klart, men ikke minst for industriklynga på Raufoss og for hele Vest-Oppland, ja sågar hele Oppland og innlandet. Men vi skal ikke hvile på de grønne laurbærbladene. Vi trenger at staten bidrar til å løfte materialteknologiklynga på Raufoss videre til Global Centres of Expertise-status for å bidra til det grønne industrielle skiftet i Norge. Neste år leveres det første av ti nye togsett på Gjøvikbanen. Det kommer nytt krysningsspor på banen og nytt stasjonsområde. Dagens flertall har lovd dobbeltspor til Lillehammer innen 2030. Den forrige regjeringen satte stopp på Hamar og utsatte alt på Gjøvikbanen til etter 2023. Firefelts E6 kommer til Mjøsbrua innen 2021 og skal videre til Øyer. I langtidsplanen for Forsvaret er det satt av 9 mrd. kr de neste årene til samling og utvikling av Cyberforsvaret på Dette er en viktig satsing for Norge aller mest, men selvfølgelig for Forsvaret og for hele innlandet. Det er altså betydelige investeringer, betydelige muligheter. Så har Oppland og Hedmark også noen alvorlige utfordringer. Våre fylker topper statistikken over selvmord blant unge gutter. Vi har stort frafall i videregående skole,

ikke noe man spekulerer i», som han sa. Men det er bare retorikk. Hvis vi ser på hvilken praktisk politikk SV har foreslått i de siste ukene, ser vi at de ønsker å innføre en nasjonal boligskatt som nettopp vil sørge for at vi ikke ser på folks hjem som et sted hvor de skal bo, og et sted hvor deres barn skal vokse opp, men heller som et skatteobjekt som de skal betale enda mer for å bo i. Lysbakken og SV mener at en nasjonal boligskatt er viktig for å stagge prisene i Oslo. Kan noen i SV vise til en eneste økonom i Norge som er enig i at en nasjonal boligskatt vil dempe prisen i pressområdene? Kan noen i SV fortelle den norske befolkningen hvor høy boligskatten må være i hele landet for at boligprisen skal gå ned? Kan noen i SV fortelle oss hvorfor de mener at det er rettferdig at en alenemor på bygda må betale boligskatt for å dempe prispresset i Oslo? Både Arbeiderpartiet og SV prøver å framstå som veldig såret og fortvilet over situasjonen i boligmarkedet, men de har ingen troverdighet. La oss viske bort all retorikken og se på politikken fra disse stemte for 1 100 færre boliger enn det Høyre-byrådet la opp til i perioden 2011–2015. Arbeiderpartiet stemte også for færre boliger enn det byrådet la opp til. Arbeiderpartiet og SV var med på å presse igjennom et forslag i Stortinget rett før sommeren som vil gjøre det 100 000 kr dyrere å bygge en bolig på 60 m 2 . Arbeiderpartiet og SV tvang igjennom en leilighetsnorm i Oslo som har satt et tak for bygging av små boliger i Oslo sentrum, slik at vi bygger minst av det som etterspørres mest, og de nekter fortsatt å fjerne normen. I sommer lanserte SV et forslag om at staten skal bygge alle boliger, og at vi må ha statlig prisregulering, slik at vi kan gå rett tilbake til tiden med penger under bordet, og da spør jeg: Hvem er de heldige vinnerne av denne Lotto-premien som SV skal dele ut, og hva med dem som ikke har masse kontanter til å betale under bordet? Ingen svar. Lysbakken gikk tidligere i sommer ut og sa at det er feigt ikke å innføre en nasjonal boligskatt. Men hvis vi ser på hvilken politikk de har gjennomført, mener jeg at det er feigt å komme tilbake til Stortinget nå og be om en nasjonal boligskatt som svar på at man selv ikke har levert da man hadde ansvaret.

og òg andre. Arbeid til alle, velstand til alle og velferd til alle vert best skapt gjennom sterke fellesskap. Høgre og Framstegspartiet aukar forskjellane ved å gje skattekutt til dei som har mest frå før, i staden for å satsa på arbeid, utdanning, helse og skule. Forskjellane aukar òg mellom dei som har trygge jobbar, og dei som har utrygge jobbar, mellom by og land og mellom kvinne og mann. Og så vert det snakka om omstilling som om dette er eit nyord. Hydro Elkem i mitt fylke har drive med omstilling så lenge eg kan hugsa. Bøndene har omstilt og omstilt, og fiskarane like så. Men det hjelper ikkje berre med omstilling, det må leggjast til rette for å skapa nye arbeidsplassar, og her viser talas tale heilt klart at regjeringa brukar feil medisin. På Arbeidarpartiet si vakt vart det skapt om lag 360 000 nye arbeidsplassar, under dagens regjering berre 24 000. Arbeidsløysa vert forsøkt bortforklart. Regjeringa er ikkje eingong bekymra, dei har til og med leigd fengselsplassar i utlandet i staden for å byggja i Vik til halve prisen, og ha norske arbeidsplassar. Og kvifor svarar ikkje regjeringa i denne debatten på hovudutfordring nr. ein? Korleis skal dei leggja til rette for fleire nye arbeidsplassar i privat sektor? Korleis få fleire i jobb? Det hadde vore ei heilt ærleg sak om dei hadde kjempa og tapt. Men nei, når dei ikkje eingong prøver, ja då har regjeringa svikta. Så til regjeringa si overdrivne tru på marknaden og det private. Kommersialiseringa av flyplassen i Florø har ført til kutt i kveldsruter og morgonruter, og dyrare billettar er Bra for næringslivet? Nei. Bra for folket? Nei. I fylket vårt har vi fått ein ny privat kristen skule med heile to – to – elevar. Er det rett bruk av fellesskapet sine ressursar og godt nok fagleg og sosialt for elevane? Nei. Arbeidarpartiet vil byggja landet, vi vil ikkje selja landet. Vi vil at folket skal Vi skal vera garantisten for at fiskeressursane skal tilhøyra fellesskapet. Fiskeflåten skal eigast av fiskarane, og nasjonalitetskravet skal oppretthaldast. Vi må ikkje setja oss i ein situasjon der kvotane kan hamna på utanlandske hender. Fisken er ein evigvarande ressurs, han tilhøyrer fellesskapet. Når tidene blir urolige, er

Derfor har regjeringas målrettede tiltak for regionene som har vært hardest rammet av arbeidsledigheten, vært så viktig. Heldigvis ser vi nå tegn til at trendene snur, og politikken virker. I mitt hjemfylke, Vest-Agder, som har vært kraftig rammet av nedgangen i oljesektoren, kunne Nav-direktør Per Lund forrige fredag slå fast at arbeidsledigheten nå er nede i 3,4 pst. Det er faktisk under nivået på samme tidspunkt i fjor. Han antok at bunnen nå er nådd på Sørlandet, og at ledigheten vil falle utover høsten. Det gir håp for mange familier som har opplevd denne usikkerheten på kroppen. Virkemiddelapparatet har vært tatt i bruk, etableringstilskudd, SkatteFUNN, forskningsmidler, miljøteknologifond og Enova-midler har bidratt til aktivitet, nyskaping og nyetablering. Et godt eksempel er et lite tremannsfirma i Kristiansand som jeg besøkte forrige uke, der tre ingeniører driver produktutvikling for olje- og energibransjen. De uke, der tre ingeniører driver produktutvikling for olje- og energibransjen. De er snart klare til å lansere et nytt produkt ved hjelp av virkemiddelpakken som næringsministeren har gått i bresjen for, og det kan gi arbeid til flere i tiden som kommer. Sammen med skattepolitikken og tiltakspakkene bidrar virkemiddelapparatet til både sysselsetting og omsetning. Det får vi dokumentert også fra Statistisk sentralbyrå, som slår fast at den økonomiske politikken har gitt et vesentlig bidrag til at oljenedturen ikke har ført til en enda mer betydelig nedgang i norsk økonomi. norsk økonomi. Og Cappelen-utvalget var klar på at finanspolitikken har vært og er ekspansiv, og at dette har dempet nedgangen i økonomien. Jeg har også lyst til å si et par ord om utdanningspolitikken og hvordan den har virket i landsdelen vår. Mens lærerne før regjeringsskiftet i 2013 klaget mye på mangel på tilbud om etter- og

offentlig velferd. Uten overskudd fra næringsvirksomhet, uten bedriftenes evne til å utbetale lønn til sine ansatte, som staten igjen får sin rikelige del av, hadde kommune og stat og deres politikere ikke hatt en eneste krone å fordele til gode formål. Derfor lyder det litt hult når Arbeiderpartiet beskylder den borgerlige regjeringen for at tre fjerdedeler av all arbeidsplassvekst i det siste har kommet i offentlig sektor. Slik må det nødvendigvis være når en stor og viktig sektor og deres leverandører er under nedskalering. Inntil dette tar seg opp igjen, vil dette selvfølgelig være bildet. Samtidig er det nedslående når man ellers hører rød-grønn retorikk ta for seg verdiskapingen i samfunnet. Forstår man hva man snakker om i Arbeiderpartiet og SV når man snakker om Noen av deres representanter minner – med all respekt er – om mennesker som ikke har satt sine ben i en privat bedrift annet enn kanskje med en vernehjelm som det står «gjester» på. Man merker det også i omtalen av politikk og arbeidsplasser. Det høres ut som trygge arbeidsplasser er noe man kan kjøpe eller regulere seg til. Slik er det ikke, det er ideene, patentene, en effektiv produksjon og salget som avgjør om en arbeidsplass når den er etablert, forblir trygg. Det er som avgjør om en arbeidsplass når den er etablert, forblir trygg. Det er bedriftenes generelle vilkår og konkurranseevne som hindrer arbeidsplassene i å bli nedlagt eller flyttet. Da er det selvfølgelig selvmotsigende å angripe bedrifter for at de går med overskudd, eller – for å benytte et hyppig fyord fra rød-grønn side her i debatten – at de er kommersielle. De kommersielle har liksom urene motiver. Men det er nettopp overskuddet de genererer, som gjør at arbeidsplassene blir trygge, som gir lønnsevne, og som tiltrekker seg privat sparing for videre vekst. Man kan merke hele paletten av nærmest nedgjørende karakteristikker av de som finansierer velferdsstaten, og som gir politikere – oss – penger til å fremstå som gavmilde. Men pengene må tjenes i privat sektor før de kan brukes sektor. Vi har hørt i debatten i dag, passe avstemt etter rødfargen, ord som «velferdsprofitører», «kommersielle» og «profittjagende». Det er altså det de rød-grønne omtaler som bortkastede penger. Det gjelder særlig når private aktører slipper til, men det er det vi må gjøre hvis vi nettopp skal få til et bedre forholdstall mellom offentlig ansatte og privat ansatte.

Vi har føresetnadene med eit svært kompetent maritimt miljø, med omsyn til både språkteknologi, elektrisk frekvensteknologi, hybride framdriftssystem og gassdrivne fartøy. Noreg har kunnskapsmiljø som skal til for å gjere framifrå forsking om til grøn revolusjon. Det er berre å bestemme seg, stille krav og gjennomføre. Mange norske reiarlag, verft og teknologiselskap gler seg over desse utfordringane. Omstilling gjev rom for å stramme opp kursen. Det er norsk maritim kompetanse som skal løyse utfordringane med lavutsleppsteknologi og det grøne skiftet. Energieffektive fartøy kan best utviklast i Noreg, og verda vil spørje etter norske løysingar. Då må det også byggjast i Noreg, ved norske verft. Dei neste seks–åtte åra skal det byggjast ei rekkje nye ferjer til mange milliardar kroner. Der må vi stille dei strengaste krava i verda til rein energi og grøn teknologi. Dei teknologiske fortrinna våre vil også verte eit konkurransefortrinn – det må vera så strenge krav at det må norsk innovasjonskraft til for å løyse kontraktskrava. Med økonomisk støtte frå Enova registrerer vi at mange bedrifter leverer berekraftige løysingar. Internasjonale samarbeidsavtalar må til. Likevel ser vi at avtalar vert omgått, med tanke på konkurransevilkår. Finansieringsordningar vrir investeringane frå Noreg til andre land, «tax lease» og andre utanlandske grep vert lyfta fram for å vinne kontraktar. Dette må overvinnast – og med dette også det teknologiske miljøkappløpet. Det er gledeleg å sjå at regjeringa har gjeve klar melding om å byggje tre nye kystvaktfartøy, både

som vi skal leve av i framtida. Men da er

Målet er å redusere antall unge på helserelaterte ytelser og få flere over i utdanning og arbeid. Ordningen med arbeidsavklaringspenger har ikke fungert etter hensikten. Målet var å få flere inn i et oppfølgingsløp som kunne lede til arbeid, men mange unge opplever å få mer utbetalt i stønad enn de ville fått i en ufaglært jobb. Det gir ingen incentiver til å prøve seg i arbeidslivet. Til nå har det vært fokusert for mye på begrensningene,

Regjeringen vil at Nav skal bli mer handlingsrettet og gi mer individuelt tilpasset og arbeidsrettet oppfølging av de unge under 30 år. Mange av de unge som faller ut av skole og arbeid, har psykiske helseutfordringer. Nyere forskning og erfaring sier at arbeid er bra for den psykiske helsen. Arbeid og behandling bør så langt det lar seg gjøre, foregå samtidig. Man trenger ikke være Arbeid kan være god medisin og drivkraft til bedringsprosesser. Så vi trenger altså flere arbeidsgivere som gir unge utenfor arbeidslivet en sjanse. Nav skal være en god medspiller. Sist uke leste jeg i min lokalavis, Asker og Bærums Budstikke, at Nav-lederne i Asker og Bærum i samarbeid med næringsrådene i de to kommunene har tatt initiativ til kampanjen «Den rauseste sjefen». Jeg synes det er flott med slike kreative tiltak, det er viktig å gå nye veier. Noen trenger en påminnelse om og en oppfordring til å våge å møte mennesker som er annerledes enn dem selv, med åpenhet og raushet. Jeg kommer til å følge nøye med på denne kampanjen, og jeg håper at mange rause og inkluderende sjefer melder seg på i konkurransen om å bli den rauseste sjefen.

Vi sørger for at elevene lærer mer i skolen, og aldri før har så mange lærere fått etter- og videreutdanning. Vi gir flere barn tilgang til barnehage. Og vi fornyer og forbedrer offentlig sektor. I løpet av de siste årene har noen utfordringer blitt større. Før valget advarte Høyre mot avhengigheten av oljesektoren, uten at det førte til nødvendige omstillingstiltak. Oljeprisen er mer enn halvert siden regjeringen Solberg overtok, og det har ført til økt ledighet, særlig på Sør- og Vestlandet. Vestlandet. Det brukes nå målrettede tiltak for å skape aktivitet på kort sikt til de regionene og bransjene som er hardest rammet, samtidig som det legges til rette for trygge arbeidsplasser i framtida. Heldigvis ser vi nå positive signaler i økonomien. Ledigheten er redusert i 14 fylker det siste året, og Norges Bank, SSB, NHO og Virke mener alle at økonomien er på vei opp igjen. September var fjerde måneden på rad hvor Nav rapporterte om færre ledige, også på Sørlandet. Reiselivet har hatt en rekordsommer. Oppdrettsnæringen går veldig bra, og det gjør også bygg- og anleggsnæringen. Det er utfordringer, men det er ingen grunn til å svartmale norsk økonomi, slik som Arbeiderpartiet holder på med. Det virker som om Arbeiderpartiet ikke klarer å glede seg noe som helst over lysere utsikter for næringsliv og arbeidsplasser, så lenge de ikke En SSB-rapport bestilt av Arbeiderpartiet viser at skattelette skaper arbeidsplasser, men Arbeiderpartiet mener likevel det viktigste funnet i rapporten er at offentlige investeringer er mer effektivt enn skattelette for å skape arbeidsplasser. Det er lett å skape flere arbeidsplasser i offentlig sektor. Problemet er bare det at det er arbeidsplasser i privat sektor som skaper verdiene, som igjen kan gi arbeidsplasser i Som medlem av næringskomiteen reiser jeg mye og møter store, mellomstore og små bedrifter over hele landet, kvinner og menn som satser tid og penger på å skape arbeidsplasser og produkter verden har bruk for. Jeg er imponert over det engasjementet og den gründerånden som finnes i det norske næringslivet, hvor det er mange eksempler på at dette lille landet skaper produkter og teknologier i verdensklasse. Jeg har til dags dato ikke møtt en eneste bedriftsleder som ønsker seg mer skatt, men jeg har møtt mange som er opptatt av mindre skatt av rammebetingelser som gjør at de kan konkurrere med andre land og overleve i Norge. Derfor er vekstfremmende skattelettelser for norsk næringsliv så viktig. Det styrker det norske eierskapet. Jeg er

Vi har gjennomført den gylne regel, dvs. at de som har og sliter med psykiske lidelser, blir prioritert på lik linje med dem som har andre sykdommer. Vi har lovfestet retten til heldøgns omsorg. Staten tar et større ansvar for utbygging av eldreomsorgen, og vi har nær doblet tilskudd til utbygging av omsorgsplasser. Personer med assistansebehov har fått rett til hjelp til det de ønsker, når de trenger det, gjennom innføring av rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent. assistent. Strategien mot barnefattigdom sikrer at flere kan delta på sosiale arenaer, og – som om ikke det er nok – gratis kjernetid i barnehagene for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt og lavere foreldrebetaling for lavinntektsfamilier, også i barnehagene. Vi har gjeninnført gratis pc til elever med lese- og skrivevansker etter at dette var Arbeiderpartiet. Vi senker terskelen inn i arbeidslivet, og vi styrker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Dette er å redusere forskjeller. Jeg hører at noen i denne salen ikke har fått med seg dette. Det kan være en oppfordring til at man ikke bare hører på egen retorikk, men at man faktisk klarer å lese innenat og følge med. Derfor har denne regjeringen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre prioritert, ikke kommunene. Derfor har denne regjeringen sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti prioritert, og ikke nedprioritert, integreringstilskuddet til kommunene, for nettopp å få asylsøkere raskere ut i arbeid. Derfor har denne regjeringen sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti senket, ikke hevet, barrierene inn i arbeidslivet for å få flere av dem som føler seg presset ut av arbeidslivet, inn i arbeidslivet igjen. igjen. Derfor har denne regjeringen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre redusert, ikke økt, ventetiden i helsetjenesten for å hjelpe dem som sliter, tilbake til hverdagen. Det er nettopp alle disse tingene jeg nå har nevnt, som gjør at forskjellene i Norge reduseres. Mye kan fortsatt bli bedre. Fortsatt trengs denne regjeringen for å gjøre viktig arbeid, men vi er godt i gang med å gjøre endringer innenfor viktige områder som betyr noe for folk i hverdagen. i hverdagen. Nettopp i møtet med den enkelte er politikken oppe til eksamen. Da hjelper det ikke å være bare retorisk opptatt av at vi ikke skal ha samspill mellom private, offentlige og ideelle.

Jeg vil snakke om utdanningspolitikk. De siste tre årene har vi sammen fulgt opp enigheten i samarbeidsavtalen om et lærerløft i skolen. Det har vært en historisk satsing på videre- og etterutdanning, og jeg er overbevist om at det er både viktig og nødvendig. Vi har begynt på et kompetanseløft for de såkalt ikke-kvalifiserte lærerne i norsk skole, vi har fått på plass et løft for helsesøstrene, og vi har fått gratis kjernetid i barnehagene for fra lavinntektsfamilier. Innenfor høyere utdanning har Venstre fått gjennomslag for elleve måneder studiestøtte, vi overoppfyller på antall studentboliger, og det har vært en betydelig økning i både basisbevilgninger, studieplasser og stipendiater de siste tre årene. Mye av det gode som allerede er gjennomført, er ting vi fortsatt må jobbe med. Men det er også andre ting som er viktig at vi løfter framover. Vi må fortsette med jobben med å sikre flere dyktige lærere inn i skolen. Lærere i alle fag må omfattes av videre- og etterutdanningsløftet. I dag er det mange med viktig kompetanse som ikke blir prioritert, fordi basisfagene står først i køen. Vi vet at det framtidige arbeidsmarkedet ikke finnes i dag, og at elevene våre må være både kreative og omstillingsdyktige.

En modell for sertifisering kan tenkes gjennomført på mange ulike måter, men det er flere yrkesgrupper som i dag har det, og som på den måten sørger for at hele yrkesgruppen holder seg faglig oppdatert. Vi må også klare å lage en hverdag for barn som virker sosialt utjevnende og mobiliserende. Kunnskap er makt, og ingenting er så viktig for sosial mobilitet som utdanning. Vi må inkludere dem som i dag faller utenfor pga. økonomi. Etter at vi har innført gratis kjernetid i Etter at vi har innført gratis kjernetid i barnehagene, er tiden inne for å se på SFO-prisen. Det er et kjempeviktig fritidstilbud som mange barn ikke får ta del i, fordi det er for dyrt. Innenfor høyere utdanning og forskning har det skjedd mye denne stortingsperioden. Men vi står fortsatt med en situasjon der de gamle universitetene har en mye bedre finansiering enn de nye og høyskolene. Vi må fortsatt jobbe med å utjevne dette slik at vi får gode utdanninger i hele landet, og slik at også disse institusjonene kan hevde seg internasjonalt på de områdene hvor de har sine fortrinn. I trontala slår regjeringa fast at arbeidskrafta er gode utdanninger i hele landet, og slik at også disse institusjonene kan hevde seg internasjonalt på de områdene hvor de har sine fortrinn. I trontala slår regjeringa fast at arbeidskrafta er Noregs viktigaste ressurs, og at omsynet til den framtidige velferda vår krev at flest mogleg deltek i arbeidslivet. Vidare vert det peika på at mange gjennom dei to siste åra har vore gjennom ei vanskeleg tid, at arbeidsløysa, spesielt på Sør- og Vestlandet, har auka markert, og

me ikkje har styring med, at det nettopp er så viktig med politisk styring som kan avhjelpa den vanskelege sysselsetjingssituasjonen som rammar den enkelte, fleire lokalsamfunn og no altså ein heil landsdel. Det er her regjeringa har svikta mest. Mottiltaka ein har kome med, har vore for små og har kome for seint, og når skattekutt har kome i staden for kraftinnsats for å utnytta den viktigaste ressursen i Noreg, arbeidskrafta, og sørgja for at flest mogleg får delta i arbeidslivet. I mitt heimfylke, Hordaland, er 3,3 pst. av arbeidsstyrken no heilt ledige. Og i min heimkommune, Stord, er 5 pst. no heilt ledige. Det er ein auke på 48 pst. på berre eitt år, og framtidsutsiktene ser også svært usikre ut. Når me også kan sjå at det dei siste tre åra er skapt berre 25 000 nye jobbar i landet vårt, og at tre fjerdedelar av desse har kome i offentleg sektor, ja då lovar det heller ikkje så godt for eit offshorebasert industrisamfunn. Gjennom budsjettlekkasjar har det kome fram at regjeringa no vil gje 650 millionar vedlikehaldskroner til vestlands- og sørlandskommunar for å få ned arbeidsløysa. Det lovar bra. Mykje nødvendig vedlikehald og opprusting vil verta utført, og ein del lokale firma og arbeidsfolk vil få aktivitet i ein periode. Likevel må det mykje kraftigare lut til for at denne landsdelen skal kunna utnytta sitt verdiskapingspotensial. På måndag fekk me «beretningen om rikets tilstand». Det er å håpa at det budsjettet regjeringa skal presentera, vil stimulera til fleire arbeidsplassar, og at det ikkje vert «beretningen om rikets stillstand». Trontalen ble godt mottatt. Når man i ettertid leser den, er

finne nye løsninger. Dette gjelder innenfor både offentlig og privat sektor. Og ikke minst: Vi må opprettholde en høy verdiskaping. Det er kun med dette som bakgrunn vi klarer å opprettholde det vi omtaler som den norske modellen. Vi har opplevd også i tidligere tider at jobber forsvinner, og at bedrifter er nødt til å nedbemanne. Problemet vi har, er at det skapes for få jobber i privat sektor. Det er det flere grunner til, og noen kan politikerne ikke alltid gjøre noe med. Det vi kan gjøre noe med, må vi gjøre. Det er særlig innenfor den økonomiske politikken, da særlig skattepolitikken. Hvis vi skal få folk som har anledning til det, til å investere i norske arbeidsplasser, må disse føle at de har noe igjen nettopp for å gjøre det. Da må det f.eks. ikke være forskjell i rammebetingelsene for norske eiere i forhold til utenlandske. Da må det ikke være slik at kommuner innfører store eiendomsskatter for næringslivet, som gjør driftsøkonomien svekkes og dermed setter arbeidsplasser i fare. Da må den statlige skattepolitikken overfor det private næringslivet heller ikke føre til slike forhold. Og igjen må formuesskatten, som rammer de mange tusenvis av mindre norske bedrifter, avvikles. Opprettholdelse av nettopp denne skatten hemmer investeringer og svekker eksisterende drift. Det er interessant at representanter fra de rød-grønne på en måte benekter at formuesskatten har noe med dette å gjøre. Kanskje man i større grad skulle lyttet til dem som har skoen på, i dette tilfellet de mange private bedriftseierne. Vi skal verne om den norske modellen. Den er vi stolte over. Finanskomiteen var nettopp i Sverige. Der omtaler de den heller som den nordiske modellen. De beskriver den omtrent slik vi gjør for den norske. I Sverige har de budsjettunderskudd og låner hvert år for å få I Sverige har de en noe høyere arbeidsløshet enn hva som er tilfellet her, men de har ikke eiendomsskatt, ikke har de formuesskatt, og ikke har de arveavgift. Der er alle enige om at slike skatter skader nasjonen og vil føre til større problemer enn dem man har. Neste år er det stortingsvalg. Vi kan ane hva vi har i vente, for å si det slik. Til syvende og sist må politikken være troverdig. Den må skape trygghet for folk, og den må inngi tillit. Enkeltmennesket må settes i sentrum, og vi må trygge fellesskapet. For oss liberalkonservative er dette en selvfølge. Det er det vi kaller tillitspolitikk. Dermed er første dag av trontaledebatten omme. Presidenten minner om at trontaledebatten fortsetter i morgen kl. 10.00, og første taler er statsminister Erna Solberg. Ber noen om ordet før møtet heves? Så synes ikke. Møtet er hevet.